Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt. Presidenten vil foreslå Sigvald Oppebøen Hansen. – Andre forslag foreligger ikke, og Sigvald Oppebøen Hansen anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil

samt å sikre norske interesser og verdier i en verden i rask endring. Som en liten og åpen økonomi er Norge særlig avhengig av sterke internasjonale normer, institusjoner og kjøreregler. Forpliktende internasjonalt samarbeid er en forutsetning for at vi fullt ut kan realisere vårt økonomiske, politiske og kulturelle potensial. Å arbeide for en bedre organisert verden er Denne tenkningen deler vi med mange andre stater. For å ivareta norske interesser på en god måte må vi etter beste evne forstå den verden vi er en del av, og hvordan den utvikler seg. Vi må forstå hva endringene betyr for oss. Vår innsats må samordnes og videreutvikles i lys av dette. En redegjørelse er ikke en katalog over alt vi er engasjert i. Jeg har valgt å løfte fram noen områder som jeg mener er av særlig betydning. Jeg vil også understreke at tre helt sentrale temaer i norsk utenrikspolitikk ikke vil bli berørt i dybden i denne redegjørelsen: I løpet av våren vil EU/EØS-spørsmål, FN-politikken og Norges engasjement i Afghanistan bli tatt opp i sin fulle bredde i Stortinget. Tradisjonelle maktstrukturer er i endring. Vestens relative innflytelse blir mindre, ikke først og fremst på grunn av økonomisk stagnasjon i Europa og USA det er jo tross alt noe vi må anta er et forbigående fenomen – men fordi andre vokser raskere: land i Asia, i Latin-Amerika og i økende grad også i Afrika. Det er vanskelig fullt ut å forutse hva slags internasjonal orden vi vil stå overfor i årene som kommer. Kanskje ser vi noe som er helt nytt, noe som ikke kan beskrives med vante begreper. Ny dynamikk og nye allianser skapes, og med dem oppstår nye innbyrdes avhengighetsforhold og nye motsetninger. Samtidig forblir tradisjonelle maktpoler og allianser både relevante og viktige. I en mindre vestligdominert verden er det derfor minst like viktig som før at vi videreutvikler våre europeiske og transatlantiske bånd. Framvoksende aktørers innflytelse på verdensarenaen øker, men det er fortsatt uklart om de vil fylle det maktvakuum som oppstår når de tradisjonelle aktørers betydning svekkes. Et nytt geopolitisk bilde gjør at Norges handlingsrom endres. Et viktig mål er å knytte oss nærmere til de bredere prosesser som foregår i Asia, i Latin-Amerika og i Afrika. Dette gjelder samarbeid med så vel regionale fora som gjennom bilaterale kontakter til enkeltland. Alt dette er avgjørende erkjennelser for utformingen av moderne norsk utenrikspolitikk. Likeledes er det behov for å ta inn over seg at hendelser som finner sted langt unna geografisk, kan ha direkte konsekvenser for norske interesser og verdier. For dette er også et trekk ved vår tid: Begivenheter langt fra Norge kan ramme oss hardt og brutalt. Angrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas i Algerie i januar var en dramatisk påminnelse om dette. Norske borgere, norsk næringsliv og norske interesser ble direkte rammet av internasjonal terrorisme. Det ble også borgere fra mange andre land. Forklaringene på framveksten av internasjonal terrorisme er mange og sammensatte. Terrorisme og ekstremisme må derfor bekjempes med et bredt spekter av virkemidler – noe statsministeren gjorde rede for 23. januar i år. Terrorhandlingen i Algerie og håndteringen av denne hadde dessuten mange utenrikspolitiske dimensjoner: Det gjaldt på det konsulære området – som alltid har vært grunnlaget for utenrikstjenesten der Utenriksdepartementets krisehåndteringsapparat, sammen med andre norske myndighetsinstanser, bisto Statoil og nordmenn som var rammet. Terrorhandlingen satte fokus på vårt stadig mer internasjonaliserte næringsliv og hvordan norske myndigheter best kan bistå – i sikkerhetsvurderinger, i myndighetskontakt og i næringsfremme. Mange norske selskaper – og arbeidstakere – jobber i land hvor risikoen er høyere enn i Norge. Risikoen kan aldri bli null. Nettopp derfor må norske myndigheter og norske selskaper sammen sørge for å ivareta norske interesser og borgere på best mulig måte. Det samme gjelder for et bredt spekter av norske organisasjoner og for nordmenn i internasjonalt virke. Samtidig må vi være klar over at norske selskaper selv avgjør hvor de vil etablere seg, og at det er vertslandets myndigheter som har ansvaret for å ivareta sikkerheten til internasjonale næringsinteresser – og andre som oppholder seg i landet. På et dypere plan setter terrorhandlingen i Algerie også søkelyset på vårt arbeid for å bekjempe ekstremisme. Dette har lenge stått sentralt i norsk politikk i Midtøsten og Nord-Afrika, i vår engasjementspolitikk overfor nye grupperinger i kjølvannet av den arabiske våren, i vår støtte til sårbare stater med svake statsstrukturer, og dessuten i vårt arbeid for fremme av demokrati, menneskerettigheter og internasjonal raskt omskiftelig verden må vi kunne tenke nytt, finne nye svar, nye samarbeidspartnere og bygge nye allianser. Samtidig må vår politikk være solid forankret i verdier og prinsipper som er varige over tid. For det første gjelder det forholdet mellom stater, som må basere seg på en internasjonal rettsorden, uttrykt gjennom folkeretten. For det andre handler det om noen grunnleggende prinsipper for hvordan statene skal forholde seg til sine innbyggere. av menneskerettigheter og demokrati står helt sentralt blant regjeringens utenrikspolitiske prioriteringer. Vi gikk derfor inn for en betydelig økning til tiltak for en mer offensiv menneskerettighetspolitikk i årets budsjett. Et av de viktigste målene er å styrke ytringsfriheten og dermed utviklingen av åpne, demokratiske samfunn verden over. Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet – en forutsetning for realisering av andre menneskerettigheter. Konkret støtter Norge tiltak som utformingen av demokratiske medielover, arbeid mot sensur, fremme av uavhengige medier og støtte til journalisters arbeidsvilkår i mange land. Regjeringen støtter norske og internasjonale organisasjoner og deres lokale partnere som arbeider for å styrke ytringsfriheten og uavhengige medier – ikke minst i mange av landene i Midtøsten. Beskyttelse av minoriteter har stått særlig sentralt i regjeringens menneskerettighetsarbeid det siste året. Hvordan minoriteter behandles er ofte en klar indikasjon på om demokratiet fungerer i et samfunn. I vårt minoritetsprosjekt har vi et særskilt fokus på tros- og livssynsminoriteter som utsettes for økende diskriminering og forfølgelse. Vi viderefører et tett og godt samarbeid med engasjerte og kunnskapsrike organisasjoner i Norge – og deres Tros- og livssynsminoriteters situasjon løftes regelmessig opp på politisk nivå. Vi benytter systematisk FN, Europarådet og OSSE til å ta opp diskriminering og forfølgelse. Under FNs menneskerettighetsråds landgjennomganger tar vi opp religiøse minoriteters situasjon. I samarbeid med FNs spesialrapportør for tro og livssyn skal vi til våren arrangere en internasjonal konferanse i Norge om minoriteter under press. Norge er i dialog med organisasjonen Minority Rights Group om et prosjekt for å styrke kompetansen til aktivister i Midtøsten om minoriteters rettigheter. Gjennom demokratiorganisasjonen IDEA og Venezia-kommisjonen støtter vi grunnlovsarbeid med fokus på minoriteters rettigheter – igjen – i Midtøsten, og vi i støtter tiltak i regi av Den norske Helsingforskomité, for kun å nevne noe. Det er viktig å si fra om og protestere mot Det gjør vi, og det skal vi gjøre. Men jeg vil advare mot en tilnærming til menneskerettighetsarbeid som slår seg til ro med selve protesten, som antar at så snart vi har tatt opp en sak, har vi gjort vårt. Langsiktig arbeid på dette feltet krever engasjement og inngrep i de prosessene og på de stedene der de viktige valgene faktisk tas, som f.eks. i bistand til grunnlovsarbeid, sikkerhetssektorreform eller styrking av rettsvesenets stilling i land i omstilling. Stortinget har nå til behandling Meld. St. 33 for 2011–2012 om Norge og FN. Den legger stor vekt på FNs normative rolle – særlig på menneskerettighetsfeltet. Norge har gode erfaringer å videreføre innen freds- og forsoningsarbeid. Ett eksempel finner vi i Colombia. Den colombianske regjeringen og FARC lanserte fredsforhandlinger i Norge i oktober i fjor, etter seks måneder med en utforskende dialog, tilrettelagt av Norge og Cuba. Det er gledelig at prosessen nyter bred internasjonal støtte, og at FN spiller en rolle, særlig gjennom konsultasjoner med det colombianske sivile samfunn. Norge vil sammen med Cuba fortsette å bistå partene i forhandlingene i Havanna. Samtidig må vi huske på at det er Colombias regjering og FARC som bærer hovedansvaret for å finne en forhandlet løsning på konflikten, og vi må huske at slike prosesser alltid tar tid. Engasjementet i Colombia er en god illustrasjon på hvordan Norge generelt sett innretter innsatsen for fred og forsoning. Vi arbeider langsiktig gjennom diplomatisk innsats, støtte til FN, til frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer. Det er helt avgjørende for å bygge tillit og troverdighet. Regjeringen vil fortsette å prioritere dette arbeidet. Det er riktig i et normativt perspektiv – for når vi lykkes, spares liv og lidelser og det tjener norske interesser at konflikter i verden bilegges. Det er derfor et viktig utenrikspolitisk arbeid i seg selv, men det er også relevant å vise hva Norge står for overfor andre land, f.eks. i Latin-Amerika – hvorav mange, som Brasil, nå styrker sin innflytelse globalt. Sett under ett opplever Latin-Amerika en betydelig økonomisk vekst, bedre spredning av velstanden og reduksjon av fattigdom. Blant årsaker til dette, ifølge Verdensbanken, er bedre utdanning for arbeidere, høyere sysselsetting og flere kvinner inn i arbeidsstyrken. I år er det 100 år siden kvinner fikk alminnelig stemmerett i Norge, som det tredje land i verden. Våre erfaringer på likestillingsområdet er etterspurt kapital, også i vår utenrikspolitikk. Internasjonalt styrker regjeringen innsatsen for likestilling og kvinners rettigheter gjennom vårt arbeid i internasjonale fora så vel som bilateralt gjennom konkrete samarbeidsprosjekter. I mange år har Norge vært helt i front for den globale likestillingsagendaen – som nå er under press globalt. Særlig gjelder det spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse. Vi trapper derfor opp dette arbeidet i lys av at vi ser at konservative miljøer fra ulike samfunn finner hverandre i kampen mot rettigheter vi trodde vi kunne ta for gitt i vår tid. I Pakistan ble en tapper skolejente, den da 14 år gamle Malala Yousufzai, skutt og forsøkt drept. I India døde en ung kvinne av skader etter en gjengvoldtekt. Hendelsene opprørte en hel verden. Jenter og kvinner rammes av grov vold. Det internasjonale arbeidet for deres rettigheter må derfor styrkes. Samtidig skal vi glede oss over at folk reagerer høylytt. Igjen ser vi at nye sosiale medier brukes aktivt – som en internasjonal stemme – for å kanalisere folks reaksjoner og kreve handling fra politisk hold. Vold mot kvinner er et hovedtema under Kvinnekommisjonens møte i New York i neste måned. Norge skal fortsette å spille en pådriverrolle her. Det gjør vi også når det gjelder viktigheten av å bekjempe seksualisert vold og voldtekt i krig. Dessuten er Norge ledende i det internasjonale arbeidet for at alle skal ha krav på de samme menneskerettighetene uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Seksuelle minoriteter I april arrangerer vi sammen med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en større internasjonal konferanse om dette temaet i Oslo. Norge skal fortsette å være en pådriver i oppfølgningen av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet – og tilhørende vedtak i NATO, hvor norske Mari Skåre sist høst ble utnevnt til alliansen første spesialrepresentant for dette feltet. Norge arbeider for at resolusjon 1325 skal tas et steg videre ved å styrke den faktiske kvinnelige deltakelsen i konfliktforebygging og fredsbygging. Den arabiske våren er et eksempel på en av vår tids dypeste og mest grunnleggende omveltninger. På mange måter snakker vi om en revolusjon. Som for alle andre revolusjoner vil det ta mange år før vi fullt ut kan gjøre opp status. Igjen ser vi at makt flyttes, og at gamle mønstre utfordres – ikke bare i politikk og styresett, men også kulturelt og sosialt, og mellom generasjoner. Autokratiske familiedynastier i Midtøsten står for fall. I noen land tas de første skritt mot medbestemmelse og demokrati. Andre steder ser vi at veien er høyst tornefull. I Syria går det fra vondt til verre. Det som startet som fredelige protester mot et brutalt regime, har i dag utartet til en blodig borgerkrig. Tross et sterkt regionalt engasjement har ikke det internasjonale samfunn klart å samle seg om felles innsats for å få slutt på volden. Situasjonen er dypt tragisk, og det er få tegn til snarlig løsning. FN anslår at over 60 000 mennesker er drept, fire millioner trenger nødhjelp, mer enn 700 000 har flyktet og over to millioner er internt fordrevet. Utsiktene til bedring i situasjonen for sivilbefolkningen er små så lenge konflikten pågår. Regimets voldsomme maktovergrep overfor befolkningen tiltar. De stridende bryter daglig grunnleggende humanitære prinsipper og regler for krigføring. Befolkningen og humanitært hjelpepersonell utsettes for kalkulerte angrep. Det gjør arbeidet for å hjelpe de rammede inne i Syria svært vanskelig. Det er av avgjørende betydning at Norge og det internasjonale samfunnet fortsetter å legge press på partene for humanitær tilgang og beskyttelse i alle deler av Syria. Norge er også blant de største humanitære bidragsyterne. Fra norsk side er det en prioritert oppgave å forhindre en regional spredning av konflikten. Vår bistand ikke minst til Libanons håndtering av de syriske flyktningene er utformet for å forhindre at flyktningenes tilstedeværelse skal utløse latente konflikter og dermed destabilisere landet. Norges klare holdning er at president Assad har mistet all legitimitet og må gå av. I dagens situasjon anser Norge Nasjonalkoalisjonen for å være den legitime representanten for det syriske folket. Norge støtter de syriske opposisjonskreftene som samarbeider innen Nasjonalkoalisjonen, politisk og gjennom samarbeidsprosjekter. Respekt for humanitære prinsipper, menneskerettighetene og minoriteters rettigheter er like klare krav til opposisjonen som til regimestyrkene. Selv om koalisjonen var et framskritt, er det langt igjen til vi har en helhetlig og samlet opposisjon med evne til å overta makten og sikre en stabil og ordnet vei ut av kaoset. Det finnes også en rekke aktører, i og utenfor Syria, som utnytter situasjonen til å fremme målsetninger som ikke er i det syriske folks langsiktige interesse. Norge støtter FNs og Den arabiske ligas utsending, Lakhdar Brahimi, i hans arbeid for å søke et grunnlag for en politisk løsning. Men mer enn noe annet påhviler det medlemmene av FNs sikkerhetsråd et særlig ansvar for å bringe borgerkrigen og de humanitære lidelsene i Syria til en slutt. Det er viktig å minne Sikkerhetsrådet om at det ansvaret de har fått for internasjonal fred og sikkerhet, er et ansvar de forvalter på vegne av alle FNs medlemsland. Det er på tide at Sikkerhetsrådet tar det ansvaret. Det er også viktig at det legges konkrete planer nå for hva vi gjør den dagen selve konflikten er over, gitt både omfanget av ødeleggelsene og de sterke interne spenningene som konflikten har forsterket. En særlig bekymring er knyttet til hva som skjer med de antatt store lagrene av kjemiske

som Palestina. Som leder av giverlandsgruppen for Palestina, AHLC, følger vi utviklingen i Midtøsten særlig tett. Neste møte blir i Brussel i mars, og det blir viktig. Økonomien til de palestinske myndighetene er i dyp krise. Giverbidraget i fjor var lavere enn ventet og bidro til at palestinerne økte gjeldsbyrden. Vi merker en gryende Store ressurser og mye arbeid er lagt ned i å bygge opp en styringsdyktig palestinsk myndighet. Som leder av AHLC arbeider Norge for å sikre ressursene som er nødvendige for å hindre økonomisk kollaps. Våpenhvilen i Gaza er fortsatt skjør. Samtidig synes det å være en økende erkjennelse, også i Israel, av at en bedret sikkerhetssituasjon i og rundt Gaza har en klar sammenheng med økonomisk utvikling. Våpenhvile, israelske lettelser i stengningsregimet og utvidelse av fiskerisonen er bra, men mer må til for å få økonomisk stabilitet og vekst. Israel fortsetter samtidig utbyggingen av ulovlige bosettinger på okkupert grunn. De er folkerettsstridige, de undergraver muligheten for fred og de truer hele tostatsløsningen. Etter en tid hvor fredsprosessen har vært fullstendig fastlåst, vil det nå, etter valg og regjeringsdannelser i USA og Israel, bli gjort nye forsøk på å gjenopplive prosessen. Dette vil Norge aktivt støtte. En forutsetning for å kunne lykkes er at den palestinske myndigheten fortsetter å fungere. Som følge av de store omveltningene i regionen er Norges engasjement i det nordlige Afrika styrket. Utviklingen i flere land er nå i en avgjørende fase, med utarbeidelse av nye grunnlover som vil legge grunnlaget for mer demokratiske politiske systemer. For å kunne lykkes i denne skjøre situasjonen har både myndigheter og sivilsamfunn behov for støtte utenfra, spesielt til kompetansehevende tiltak.

også med sikte på å håndtere sikkerhetsutfordringene. Landene i Sahel har lenge vært preget av fattigdom, politisk uro, porøse grenser og organisert kriminalitet i form av menneskehandel og smugling av narkotika, våpen og varer. Regionen er også hardt rammet av klimaskapte matvarekriser. Gaddafi-regimets sammenbrudd i Libya synes også å ha bidratt til krisen i Mali. Leiesoldater tok med seg våpen, vendte hjem og ga ny næring til den mangeårige konflikten mellom folkene nord i Mali og regjeringen i Bamako. I mars 2012 kom det nordlige Mali under kontroll av islamistiske opprørere med forbindelser til Al Qaida og organisert kriminalitet. Opprøret utløste i sin tur et militærkupp i Bamako som kastet landet ut i en politisk krise. Dette svekket landets evne til å håndtere sikkerhetsutfordringene i nord ytterligere. Nord-Mali kunne utvikles til et fristed for internasjonale terrornettverk med forgreininger til Al Qaida, Nord-Afrika, og andre grupperinger i Afrika som truer regionale og vestlige interesser – altså en utvikling mot alvorlige grenseoverskridende sikkerhetstrusler som verdenssamfunnet vanskelig kan leve med. En internasjonal afrikansk styrke, AFISMA, fikk 20. desember 2012 mandat fra FNs sikkerhetsråd, til å sette i verk en militær intervensjon for å bistå maliske myndigheter i å gjenvinne kontroll over hele sitt territorium. Den 11. januar intervenerte Frankrike mot en umiddelbar trussel fra de islamistiske opprørerne i Nord-Mali. Aksjonen skjedde på anmodning fra Malis president og fikk støtte i FNs sikkerhetsråd og fra mange afrikanske land. Algerie ga tillatelse til bruk av sitt luftrom. Den franske innsatsen skal etter planen trappes ned så snart afrikanske styrker er på plass og kan overta ledelsen. Og nettopp dette er viktig. Jeg tror at de store, vestlige intervensjoners tid er forbi etter Irak og Afghanistan. I et land som Mali vil et langvarig og høyprofilert vestlig militært nærvær kunne virke mot sin hensikt. Man risikerer rett og slett å forsterke de fiendebildene som Al Qaida prøver å bygge opp. Derfor må løsningene ligge i regionen. Det mener FNs sikkerhetsråd, det mener Den afrikanske union og det mener ECOWAS, De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap. Jeg diskuterte mulige svar på krisen i Mali under mine møter med Den afrikanske union i Addis Abeba rett før jul. Det vil imidlertid kunne ta tid før en afrikansk styrke er kampdyktig. Malis sikkerhetsstyrker må settes i operativ stand. Et fransk forslag om å gjøre AFISMA om til en fredsbevarende FN-operasjon så snart forholdene tillater det, diskuteres akkurat nå i FNs En slik FN-styrke vil i tilfelle fortsatt bestå hovedsakelig av afrikanske komponenter, samtidig som det vil åpnes opp for ikke-afrikanske bidrag. Om en slik FN-styrke blir aktuell, vil regjeringen ta stilling til eventuell norsk deltakelse, og Stortinget vil i så fall bli konsultert i tråd med vanlig praksis. EU arbeider med å få på plass en trenings- og opplæringsstyrke i Mali – EUTM. Norge vil i denne omgang prioritere en eventuell FN-ledet operasjon og derved ikke bidra til denne EU-styrken. Stilt overfor utfordringene i Mali og Sahel for øvrig trenger vi en bred strategi med et helt sett av virkemidler – politiske og økonomiske. Norge støtter FN og de regionale organisasjonenes arbeid med å bistå lokale myndigheter i Mali og regionen med å bekjempe fattigdom, styrke styresett og ta vare på egen sikkerhet. Regjeringen har nettopp besluttet å gi til sammen 30 mill. kr til FNs fond for Mali, noe som kommer i tillegg til den årlige norske bistanden på om lag 80 mill. kr til landet. Vi vurderer ytterligere bidrag fortløpende i nær dialog med myndighetene, FN og andre givere. Lenger sør på kontinentet fortsetter tragedien i det østlige Kongo og rundt de store sjøer. Et menneskelig drama har utspilt seg i årevis, stort sett unna det daglige søkelyset fra verdens medier og den internasjonale politiske agenda. Dette er en av de mange såkalt glemte konfliktene som vi som internasjonalt samfunn må ha sterkere framme i vår kollektive bevissthet. Åtte stater i regionen er nylig kommet til enighet om en plan for stabilitet i Den demokratiske republikken Kongo som FN har fått på plass. Norge støtter dette arbeidet.

Økt mangfold i økonomisk samarbeid og handel med flere deler av verden, ikke minst med asiatiske land, har gjort flere afrikanske land mer robuste overfor svingninger i verdensøkonomien. Det er faktisk grunnlag for betydelig optimisme. Flere land har opplevd markante løft på viktige indikatorer som f.eks. folkehelse. En rekke afrikanske regjeringer viser en forsterket vilje og evne til å ta tak i egne utfordringer. Flere og flere gjennomfører demokratiske valg. Abeba i Etiopia, hvor Den afrikanske union har sitt hovedkontor, framstår mer og mer som Afrikas politiske hovedstad. Dette bidrar også til mer effektive regionale beslutninger og tilgang til kontinentets beslutningstakere. For at veksten skal bli bærekraftig, er det viktig at det investeres i og handles med afrikanske land. For i det lange løp er det liten tvil om at handel er enda viktigere enn bistand. Jeg konstaterer med glede at norsk næringsliv har oppdaget de store mulighetene Afrika rommer, og at en rekke bedrifter vurderer økt engasjement. Økt makroøkonomisk stabilitet og en mer næringsvennlig politikk i mange afrikanske land, i tillegg til bedre utdannelse og mye arbeidskraft, tegner godt for videre vekst. Norge har en klar interesse av å støtte de positive kreftene som arbeider for å bekjempe fattigdommen og de dype konfliktene som fortsatt preger noen afrikanske land.

og utvikling av en bankunion for euroområdet og andre interesserte EU-land. Europeiske ledere har demonstrert vilje til å forsvare euroen. Lånekostnadene for land som Spania og Italia er vesentlig redusert. Reformprogrammer med langsiktig virkning gjennomføres i alle kriseland. EUs råd har godkjent at elleve land arbeider med en felles skatt på finansielle transaksjoner etter prosedyren om utvidet samarbeid. Den kan få betydning også for Norge. Men selv om mye går i riktig retning, har krisen satt svært dype spor. Oppbygging av gjeld over lang tid i mange land, makroøkonomiske ubalanser i euroområdet og stivhet i økonomiens tilpasningsevne gjør at det vil ta tid før vi ser resultater. I tillegg kommer betydelige utfordringer som følge av demografiske endringer i Europa. Det er nødvendig å ha et langsiktig perspektiv, for på kort sikt er de realøkonomiske utsiktene magre. Flere land har nullvekst eller nedgang i produksjonen. Det som begynte som en finanskrise, har blitt en arbeidsledighetskrise. Ledigheten i euroområdet øker, ikke minst blant ungdom. Svak vekst, stor arbeidsledighet og høy gjeld vil fortsatt mange land oppleve, både i og utenfor euroområdet. Mange steder øker også forskjellene. Generalsekretæren i OECD, José Ángel Gurría, er én av mange som advarer mot dette. Økende ulikhet bidrar både til politisk ustabilitet og til dårlig makroøkonomi. For Norge er utviklingen i Europa av meget stor betydning. Svikter etterspørselen etter våre varer, får dette konsekvenser for økonomi og sysselsetting. Derfor er en økonomisk politikk som gir mulighet for rask handling og inngripen i en slik situasjon, avgjørende, og det er noe regjeringen legger til grunn. I april er Norge vertskap for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs europeiske regionalmøte i Oslo. Det er et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv. Norge skal styrke innsatsen for arbeidstakerrettigheter, og samarbeidet med ILO skal gis et løft. Møtet vil samle 500 deltakere under temaet «arbeidsplasser, vekst og sosial rettferdighet». Norge er også utpekt til å lede ministerrådsmøtet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, i Paris i slutten av mai. Vi vil dermed få innflytelse også på denne agendaen, og vi vil vektlegge de emnene jeg nevnte, for ILOs samling: vekst, arbeidsplasser og sosial rettferdighet. I krisetider settes demokratiet under press. De mørkeste kapitlene i europeisk historie viser sammenhengen mellom økonomisk krise og politisk ustabilitet. Samtidig står demokratiet, menneskerettighetene og rettsstatsprinsippene sterkt i dagens Europa. Vi ser likevel at utfordringene på vårt eget kontinent tiltar. Minoriteter settes også her under press. Antisemittisme, islamofobi og ulike former for rasisme er kommet tydeligere til overflaten. Det har vi også selv smertelig erfart her hjemme gjennom angrepet 22. juli 2011. Bildet i Europa er sammensatt, men vi ser høyreekstreme strømninger styrke seg flere steder, gjerne med et bakteppe av hatefulle ytringer kanalisert gjennom nettsamfunn og sosiale medier. I denne formen for ekstremisme er ekskluderende nasjonalisme og angrep på minoriteter viktige drivkrefter. Høyreekstremismen springer ut av Europas majoritetssamfunn og har dype og lange røtter til politisk voldsbruk på vårt eget kontinent. Vi ser også andre former for politisk ekstremisme – som jihadisme – som har ødeleggende kraft. Norge er del av det europeiske bildet. Vi trenger mer kunnskap og bredere analyser. Vi skal følge utviklingen nøye. Vi skal ta ansvar ved å bidra til å løfte temaet på den politiske dagsordenen i Europa. Vi har derfor etablert et konkret prosjekt for å samordne og styrke Norges bidrag i vernet av demokrati, minoriteters rettigheter og kampen mot høyreekstremisme i Europa. Europas fremste forsvarsverk mot ekstremisme er det bindende europeiske samarbeidet som er utviklet etter den annen verdenskrig – i EU, i Europarådet, i OSSE og i NATO. Kjernen i dette er troen på folkestyre, rettsstat, fundamentale menneskerettigheter samt åpne og tolerante samfunn. I de tider vi nå gjennomlever, anser regjeringen det som særlig viktig å styrke forsvaret av disse prinsippene – her hjemme, i Europa og globalt – og mot alle som ønsker å undergrave dem. Norge skal føre an i kampen mot økt intoleranse, hatefulle ytringer og høyreekstremisme i Europa. Jeg vil nevne to tiltak i den sammenheng: Gjennom EØS-midlene har Norge fått på plass en omfattende rammeavtale med Europarådet. I samarbeidet ser vi på utfordringer knyttet til grunnleggende rettigheter, rettsvesenet, vern av minoriteter og bekjempelse av intoleranse og hatefulle ytringer. Gjennom EØS-midlene er vi også blant de aller største bidragsyterne til det sivile samfunn i de sentraleuropeiske EU-landene. Mer enn 1,1 mrd. kr er satt av til programmer for frivillige organisasjoner til prosjekter som kan styrke demokratiske verdier og menneskerettigheter, tiltak for å bekjempe hatefulle ytringer, rasisme, antisemittisme og homofobi. I Romania og Bulgaria skal 10 pst. av EØS-midlene knyttes til tiltak for romfolket. Målet er å bedre levekårene, styrke integreringen og bekjempe diskriminering. Vi styrker også Norges samarbeid med Europarådet og arbeidet for som er fora hvor også norske parlamentarikere deltar. Noen land er i fokus. I Ukraina vekker flere utviklingstrekk bekymring. Fengslingen av tidligere statsminister Timosjenko og andre tidligere regjeringsmedlemmer gir inntrykk av en selektiv rettsforfølgelse. Et parti med en sterk nasjonalistisk agenda har vind i seilene. Parlamentsvalget synes å være et tilbakeskritt i Det er fremmet forslag om en lovgivning som kan gjøre seksuelle minoriteters situasjon enda vanskeligere. Norge har klart gitt uttrykk for sin bekymring over alle slike utviklingstrekk – senest under besøket av landets statsminister til Norge i november i fjor. Utviklingen i Hviterussland – Europas siste diktatur – er nedslående og bekymringsfull. Sammen med det internasjonale samfunn fortsetter Norge å øve påtrykk. Vi står tilsluttet EUs sanksjonsregime, og vi viderefører konkret økonomisk støtte til arbeidet for å fremme demokrati og menneskerettigheter. I økonomisk utvikling har Aserbajdsjan gjort viktige framskritt, men fortsatt er framgangen ujevnt fordelt, og det gjenstår mye før landet fullt ut lever opp til sine forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter og demokrati. Fra norsk side vil vi fortsette å formidle vårt syn på utviklingen i landet, og vi støtter tiltak for å bidra til at grunnleggende rettigheter respekteres. Jeg skal ta et langt sprang – mot nord! Da regjeringspartiene i 2005 la fram Soria Moria I, slo vi fast at nordområdene skulle være Norges viktigste strategiske satsingsområde – ikke ett blant flere, men det viktigste. Svært mye har skjedd i så vel norsk som internasjonal nordområdepolitikk siden dette. Nordområdene er satt på det internasjonale politiske kartet. I første omgang gikk jobben mest ut på å vekke internasjonal interesse og oppmerksomhet omkring utviklingen i Arktis. I neste omgang hadde vi nok oppnådd dette, men nå ble det viktig å motvirke et inntrykk av Arktis som et område for rivalisering og strid. For ikke lenge siden kunne man få dette inntrykket gjennom internasjonale medier. Sannheten er at vi arbeidet systematisk for å få på plass en omforent forståelse for de fundamentale spillereglene og institusjonene som må ligge til grunn for et fredelig, konstruktivt samarbeid i nord. Det har vi også lyktes med, og der er vi i dag. Et godt rammeverk er på plass. Samtlige stater i regionen slutter seg både til at havretten skal legges til grunn, og til at Arktisk råd styrkes – for å nevne to av de viktigste faktorene. Derfor står vi nå ved begynnelsen av et nytt kapittel i nord, et kapittel som mer enn noe annet dreier seg om å bruke de mange mulighetene vi har – i vårt land så vel som i de andre statene i Arktis. Svært mye har skjedd gjennom disse årene: Vi har økt beredskapen i nordlige havområder gjennom egne tiltak og internasjonalt samarbeid. Havovervåkingssystemet BarentsWatch og søk- og redningsavtalen som ble framforhandlet etter et initiativ i Arktisk råd, er eksempler på dette. Vi har styrket vårt nærvær i nord, bl.a. gjennom flytting av Forsvarets operative hovedkvarter til Bodø, etablering av Kystvaktens hovedkvarter på Sortland og anskaffelse av fem nye fregatter og seks nye kystkorvetter som bedrer Norges kapasitet i havområdene i nord. Norge besitter i dag et av Europas mest moderne og best omstilte forsvar, noe vi høster stor anerkjennelse for fra våre allierte. Dette er viktig både for utenrikspolitikken generelt og for nordområdepolitikken spesielt. Vi har også med hell arbeidet for å øke forståelsen av utviklingen i Arktis innad i NATO. Forutsetningen for at nordområdepolitikken skulle bli mulig, ligger i stor grad i at gjennom vår sikkerhetspolitikk lyktes vi med å skape forutsigbarhet og klarhet i våre egne nærområder. Vi har dessuten styrket og konkretisert det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet på viktige områder – som materiellsamarbeid, øvelser, luftovervåkning og digital sikkerhet. Det har kommet en helt ny dynamikk inn i det nordiske samarbeidet. Videre har vi bidratt til et markert løft for miljø- og klimakunnskapen – opprettet Framsenteret i Tromsø og økt midlene til polar- og klimaforskning. Vi har lagt vekt på næringsutviklingen på land,

nord. Vi har en kontinuerlig dialog med Russland om visumlettelser, en mer effektiv grensepassering, toll og lignende spørsmål. Ordningen med grenseboerbevis trådte i kraft 29. mai i fjor. Vi vil på norsk side harmonisere våre visumprosedyrer med Finland, noe som vil gjøre det lettere for russere å få flerreisevisum til Norge. Vi har styrket næringslivssamarbeidet med Russland. Vår ambassade i Moskva er forsterket med kompetanse innen utdanning, forskning og innovasjon. Mye av dette har bidratt til en helt ny økonomisk dynamikk i Nord-Norge. Hovedutfordringen i dag er tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft. Vi ser at det vokser fram et dynamisk næringsliv i nord som viser evne og vilje til å hevde seg internasjonalt. Men vårt utsiktspunkt i nord gir oss også orkesterplass til å observere de globale klimaendringene. I fjor høst kom det nye alarmerende fakta. Utbredelsen av havisen i Polhavet er på det laveste nivå siden moderne målinger startet i 1979. Flerårsisen smelter, tundraen tiner, drivhuseffekten forsterkes. Klimaendringene må møtes med global innsats. Vi må også bruke samarbeidsstrukturene i nord til å finne løsninger, både for å bekjempe klimaendringene og for å tilpasse oss til de endringene som uansett vil måtte komme. Regjeringen vil i løpet av vår fram til oktober i år, lage en klimahandlingsplan for Barentsregionen. I tillegg er næringsutvikling, miljø og folk-til-folk-samarbeidet hovedsatsingene for dette formannskapet samt arbeidet med en transportplan for regionen. Høydepunktet blir markeringen av de første 20 år av Barentssamarbeidet i Kirkenes i juni. Der tar vi sikte på å undertegne en ny kirkeneserklæring for å supplere erklæringene fra 1993 og 2003 og legge rammer for det videre samarbeidet. Jeg er stolt og glad for det vi har oppnådd i Barentssamarbeidet i disse 20 årene. Det har blitt lagt merke til internasjonalt. Jeg vil gi honnør til den aktive rollen som fylkene og mange kommuner i nord og stortingsrepresentanter spiller. Arktisk råd har fått økt betydning de senere årene, og dette drøftet vi i en interpellasjon i forrige måned. Rett etterpå hadde jeg gleden av å undertegne vertslandsavtalen for Arktisk råd under en seremoni i Tromsø. Dette bekrefter byens status som Arktis’ hovedstad. Avtalen inngått mellom Arktisk Avtalen inngått mellom Arktisk råds medlemsstater om søk og redning vil bli fulgt opp av en avtale om oljevernberedskap, som skal undertegnes på ministermøtet i Kiruna i mai. Videre håper vi å oppnå enighet om å ta opp nye permanente observatører. Norge støtter opptak av nye observatørland som oppfyller kriteriene som ble vedtatt på ministermøtet i Nuuk i 2011. Vår holdning til opptak av nye permanente observatører er kjent internasjonalt. Det samme er vår invitasjon til søkerlandene om dialog med Norge om arktiske spørsmål – selvsagt også Kina. Observatørspørsmålet illustrerer den økende interessen for nordområdene fra land utenfor regionen – ikke minst fra asiatiske land. I takt med klimaendringene framstår Polhavet mer og mer som et hav som binder Nord-Amerika, Europa og Øst-Asia sammen. Samarbeidet i Arktis skjer innenfor fast definerte folkerettslige rammer. Det er full enighet om at havretten angir rammeverket for aktivitet i Polhavet – innen miljøvern, forskning, petroleumsvirksomhet, fastsettelse av kontinentalsokkelens yttergrense og skipsfart. I tiden framover vil regjeringen i nordområdepolitikken spesielt legge vekt på kunnskapsoppbygging, verdiskaping, teknologiutvikling og annet som møter regionens utfordringer. Vi skal utvikle Barentshavet til en ny olje- og gassregion i Europa – i balanse med viktige fiskeri-, klima- og miljøhensyn. Vi skal bygge opp en robust og miljømessig forsvarlig mineralindustri – noe den kommende mineralstrategien vil legge til rette for. Vi skal fortsette arbeidet med å utvikle de høyeste standarder for petroleumsutvinning, ferdsel og transport – i krevende klimatiske områder. Vi har i dag et bredt samarbeid med Russland innenfor mange av de samfunnsområder jeg nettopp har nevnt. Et godt naboforhold har alltid vært viktig for Norge. Vi vil se etter nye muligheter for ytterligere å styrke dette. Utviklingen i Russland berører oss på mange måter, og landet står i dag overfor en rekke utfordringer. Modernisering og reform trengs for å unngå økonomisk og samfunnsmessig stagnasjon, noe som igjen kan føre til økt misnøye i befolkningen. For å modernisere økonomi og samfunn er internasjonalt samarbeid, åpen kontakt og gode rammebetingelser avgjørende. Det vil derfor fortsatt være viktig å engasjere Russland, både bilateralt og i internasjonal sammenheng. Vi følger nøye med på menneskerettighetssituasjonen i Russland. Utviklingen her gir grunn til bekymring. Menneskerettighetene er under økt press, og dette tas opp i våre kontakter med russiske myndigheter. Etter presidentvalget er det innført flere lovendringer som begrenser spillerommet for sivilsamfunn og politisk opposisjon. Dette er helt klart uheldig for utviklingen av demokratiet. Vi er også bekymret for at dette kan gå ut over samarbeidet mellom norsk og russisk sivilsamfunn – nettopp fordi dette folk-til-folk-samarbeidet utgjør en så viktig plattform for forholdet mellom Norge og Russland. For oss er det derfor viktig at samarbeidet på grasrotnivå ikke rammes. Suspenderingen av urfolksorganisasjonen RAIPONs aktiviteter ga et urovekkende signal. Vi har tatt opp dette med russiske myndigheter. Ved flere anledninger har vi uttrykt uro og bekymring over den negative utviklingen, bilateralt og i multilaterale fora, som OSSE og Europarådet. Den tette kontakten og det brede samarbeidet vi har, gir oss et godt utgangspunkt for å ta opp også vanskelige spørsmål. Vi viderefører samtidig vår støtte til prosjektsamarbeidet mellom norsk og russisk sivilsamfunn og til arbeidet for menneskerettigheter og frivillige organisasjoner. Verdens energilandskap gjennomgår betydelige endringer, forandringer som vil ha stor betydning også for vår utenrikspolitikk. I Asia vokser etterspørselen etter energi og bidrar til en kraftig økning i verdens energiforbruk. USA opplever en teknologisk revolusjon innen boring etter skiferolje og skifergass, noe som vil få konsekvenser også for Norge. Det internasjonale energibyrået, IEA, spår at USA vil være verdens største oljeprodusent om få år, og at Nord-Amerika vil være netto energieksportør allerede i 2030. Utsiktene til at USA kan bli tilnærmet uavhengig av energiimport, må også antas å ha omfattende geopolitiske konsekvenser, f.eks. i forholdet mellom USA og de arabiske oljeproduserende land. OPEC blir kraftig påvirket av dette. Over 90 pst. av oljeeksporten fra Midtøsten forventes derfor å gå til asiatiske land i 2030. Det er all grunn til å tro at dette vil bidra til at framvoksende makter i Asia vil bli mer interessert i den politiske utviklingen i oljeproduserende regioner. Norge er en energistormakt og oppfattes også som dette ute i verden. Vi er verdens tredje største gasseksportør. Vi står for en tredjedel av EUs import av gass. Vi er Europas største produsent av fornybar energi, og vår produksjon skal økes til 67,5 pst. av totalt energiforbruk innen 2020. Vår vannkraftproduksjon er verdens sjette største, foran land som India og Frankrike. Europa etterspør vår rene energi og nye utvekslingsmuligheter med vår vannkraft. Overføringskapasiteten i nettet til Europa har økt og vil økes ytterligere fram mot 2020 innenfor rammen av forsyningssikkerhet i Norge. Et enda tettere energisamarbeid vil utvikle seg i Europa i årene som kommer, og Norge vil være en viktig del av dette bildet. Dessuten er det gjennom Olje for utvikling stor interesse internasjonalt for den norske modellen for forvaltning og organisering av olje- og gassressursene. Alt i alt stiller våre olje- og gassinteresser – sammen med det økende internasjonale engasjementet til norske selskaper – også utenrikstjenesten overfor nye utfordringer. Det blir en stadig viktigere oppgave å kunne forstå de geopolitiske utviklingstrekkene som følger av et globalt energilandskap i rask endring, og å forstå hva dette betyr for oss. Parallelt med at Norge er blitt en energistormakt, har også internasjonaliseringen av øvrig norsk næringsliv blitt forsterket. På 1990-tallet hadde de 30 største norske bedriftene en tredjedel av sine ansatte i utlandet. Allerede i dag er andelen to tredjedeler. Norske maritime bedrifter er til stede i de viktigste vekstmarkedene i verden. Det Norske Veritas – for bare å ta ett eksempel – har 300 kontorer i 100 land. Havbruksnæringen produserer 1 mill. tonn laks hvert år som eksporteres til hele verden. Telenor er verdens åttende største mobiloperatørforetak. Vi har bygget opp verdens største statlige investeringsfond, Statens pensjonsfond utland, med investeringer i vel 7 000 selskaper verden over. Vi nyter godt av globaliseringen og spesialiseringen det har medført. Vår økonomi, vår velferd og vår sysselsetting er imidlertid svært avhengig av den globale økonomiske utviklingen. Vår avhengighet av petroleumssektoren betyr at vi er sårbare. Vi er avhengig av at vi har et næringsliv som skaper verdier, og som er og forblir konkurransedyktig i et internasjonalt marked. For å sikre framtidig velferd og verdiskaping må vi fortsette å utnytte og fremme våre fortrinn på ulike områder også internasjonalt. Vi skal støtte utviklingen av de sektorer som står sterkest internasjonalt. Vi skal også fremme et bredere spekter av bedrifter, produkter og tjenester. Store investeringer og viktige norske interesser i land og regioner som ikke tidligere har hatt mye tilstedeværelse fra norsk næringsliv, krever også nytenking om hvordan sikkerhet, beredskap og krisehåndtering må møtes. Alt dette jeg har pekt på om selve internasjonaliseringen av norsk næringsliv, er noe av bakgrunnen for at regjeringen nå forsterker satsingen på fremme av norsk næringsliv. Økonomisk diplomati skal gis høyere prioritet. Vi ser konkret på hvordan vi kan tilpasse utenrikstjenesten for bedre å betjene norske næringslivsinteresser i utlandet. Dette omfatter organiseringen av arbeidet, de verktøy og virkemidler vi benytter, de samarbeidspartnere og samtalepartnere vi velger i utlandet, og hvordan vi best kan bistå i land hvor det er liten grad av politisk og økonomisk forutsigbarhet og svak rettssikkerhet. Min holdning er at det aldri er galt at norsk næringsliv etablerer seg i noe land, naturligvis med unntak av steder der dette ville være i strid med internasjonale sanksjonsregimer. Min opplevelse er at norsk næringslivs tilstedeværelse heller bidrar positivt enn negativt – i hvert fall så lenge de er med og tar samfunnsansvar, fremmer et anstendig arbeidsliv og bekjemper korrupsjon. Regjeringen ønsker dessuten å få til større synergi mellom utviklingsbistand og norsk næringsliv, og vi ser nærmere på hvordan internasjonalt forskningssamarbeid kan brukes mer strategisk for å fremme norske næringsinteresser i utlandet. Om kort tid legger vi fram en melding om Norges plass i det globale kultursamarbeidet. Sammen med næringslivet vil vi videreføre satsingen på omdømmearbeidet og fremme av samfunnsansvar. Nærings- og handelsministeren og jeg ser også nærmere på hvordan vi kan forsterke samarbeidet med øvrige departementer og deres virkemiddelapparater. Vi har satt i gang en bred og inkluderende prosess som involverer næringslivet. Vi skal opptre samlet og koordinert ute. I nært samarbeid med Nærings- og handelsministeren ønsker jeg derfor økt fokus på vår «Team Norway»-modell. Vi kan her la oss inspirere av vår nordiske nabo, som har valgt å samle alle aktører som arbeider med internasjonal markedsføring av Finland og finske bedrifter i sitt «Team Finland», og vi kan lære av organiseringen av dette. Store deler av de nye markedene finner vi i Asia. Norsk verdiskaping påvirkes direkte av utviklingen i denne verdensdelen. Vi ser et asiatisk motstykke til den vekst og markedsutvikling som i sin tid gjorde Europa og USA til Norges viktigste handelspartnere. At Norge har kommet bedre ut enn mange andre europeiske land i dagens økonomiske situasjon, henger i stor grad sammen med at asiatiske land i økende grad etterspør mange av de varer og tjenester Norge eksporterer, mens etterspørselen etter de samme varer og tjenester har gått ned i mer tradisjonelle markeder. Asia rommer i dag godt over halvparten av verdens befolkning og en økende del av verdens bruttonasjonalprodukt. Men Asia er langt fra bare en voksende næringslivsarena for norske eller andre lands interesser. Asias framvekst handler om politikk, teknologi, forskning, kultur og mye annet. I vår del av verden ser flere og flere mot øst. Også i USA ser man mer og mer mot Asia, i så vel politisk som økonomisk forstand. USA vil i det 21. århundre vel så mye en stillehavsmakt som en atlanterhavsmakt. Forholdet mellom USA og Kina blir dermed et av de viktigste bilaterale forhold i vår tid. Den økende spenning vi ser i Sør-Kinahavet, utgjør en ny utfordring. Dette er viktig for oss å forstå, også som nære allierte av USA. Vi fordømmer nattens prøvesprengning i Nord-Korea på det sterkeste. Det er et eklatant brudd på normene i Prøvestansavtalen og representerer en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Verdenssamfunnet må stå samlet i responsen mot Nord-Koreas atomvåpenprogram. En sterk økonomisk vekst i Asia har gitt økt optimisme og politisk selvtillit i mange land i regionen. Økt samhandel og investeringer knytter norsk teknologi, kompetanse og kapital direkte til asiatiske markeder og industri- og kunnskapsmiljøer. Vi må samtidig være oss bevisst de mange utfordringene vi møter i flere av landene: høyt veksttempo, til dels svake økonomiske strukturer, kulturelle og politiske ulikheter landene imellom, mangelfulle handelspolitiske rammeverk, risiko for korrupsjon og økende forskjeller i levekår og inntekter i flere land. Regionen sett under ett preges fremdeles av varierende grad av demokrati og godt styresett samt tiltagende miljøproblemer. Sammen med behovene for ressurser og råvaretilgang for vekstøkonomiene gir dette grobunn for interne spenninger og regionale konflikter. Fra norsk side prioriterer vi høyt arbeidet med å forstå utviklingstrekkene og konsekvensene for norske interesser. Dette arbeidet vil lede fram til en handlingsplan for vår satsing i Asia som vil legge vekt på hvordan vi må søke å utnytte de mange nye mulighetene. For å ivareta norske interesser er det viktig å tenke strategisk og langsiktig overfor Asia. Vi skal knytte oss nærmere til de bredere prosessene som foregår i regionen. Vi ser at etablerte regionale strukturer får nye og tyngre roller, og at andre vokser fram. Vi skal synliggjøre og fremme våre felles interesser i våre møter med asiatiske partnere. Vi skal både i regionale fora og bilateralt fortsette å ha normative spørsmål høyt på dagsordenen i vår dialog med asiatiske land. En av de viktigste verdidebattene i vår tid er den som finner sted innad i det framvoksende Asia. Som i andre deler av verden handler også denne debatten om forholdet mellom styrende og de styrte, om demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet og menneskeverd. Vi skal framholde betydningen av folkeretten for forholdet mellom land og for sikkerhet og fri ferdsel i alle havområder. I likhet med mange av våre samarbeidspartnere i Asia har Norge sterke maritime tradisjoner. Maritim sektor er et ankerfeste i vår samhandel med mange asiatiske land. Vi skal møte den økende internasjonale interessen for Arktis fra sentrale asiatiske land med engasjement og dialog, både for å forstå bedre deres interesser og motiver og for å få fram norske synspunkter i nord. Besøksutvekslingen er illustrerende for hvordan vi ser – og reiser – mot øst. I fjor gjennomførte kongehuset, statsministeren, jeg selv og flere andre regjeringsmedlemmer en rekke omfattende besøk til Asia. Kronprinsparet besøkte Indonesia i november med en stor næringslivsdelegasjon innen energi, maritim handel og infrastruktur. Statsministeren besøkte Sør-Korea og senere Japan med en stor næringslivsdelegasjon samt Myanmar. Statsministeren og jeg deltok begge på ASEM, Asia–Europa-forumet, i Laos, hvor Norge ble tatt opp som nytt medlem. Dette forumet gir oss unike anledninger til meningsutveksling på høyt politisk nivå og mer uformelle kontakter med asiatiske partnere. Selv besøkte jeg Laos, Myanmar og Singapore og i november Bali Democracy Forum der en rekke asiatiske ledere deltok. Dette er et viktig indonesisk initiativ for å fremme demokratiske prosesser og menneskerettigheter i regionen. I april tar jeg sikte på å delta på Community of Democracies’ ministermøte i Mongolia – nok et land som etter omfattende og positive politiske reformer hever fanen for demokratifremme i regionen og globalt. Norge har også innledet en dialog om et bredere partnerskap med ASEAN, den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen. Dette er det viktigste institusjonelle rammeverket for multilateralt samarbeid i Asia. Norge er i gang med å etablere et formalisert partnerskap og har besluttet å tiltre ASEAN-traktaten om vennskapelige relasjoner og samarbeid i Sørøst-Asia i løpet av året. Gjennom vårt ferske medlemskap i ASEM og vår kommende tilknytning til ASEAN kan vi være med og påvirke den regionale dagsordenen. Det gir oss også en anledning til å diskutere globale spørsmål som sikkerhetspolitikk, miljø, klima og helse – områder der asiatiske land er viktige aktører og har særegne utfordringer.

Også nærværet er styrket. Vi har fått på plass en ny skatteavtale, og vi forhandler nå innen rammen av EFTA om en handelsavtale for å sikre at norsk næringsliv får så forutsigbare rammebetingelser som mulig. Norsk næringsliv viser økende interesse for India. I tiden framover vil regjeringen dessuten videreføre forskningssamarbeidet med India. Indonesia har gjennomgått en imponerende demokratiseringsprosess, sterk økonomisk vekst og er nå den største økonomien i Sørøst-Asia. Som verdens mest folkerike muslimske land er Indonesia en viktig brobygger i regionen, en stemme for mangfold og toleranse og en pådriver for regional integrasjon og et tydeligere ASEAN. Norge har etablert et strategisk partnerskap med Indonesia. Vi samarbeider innen økonomi og næringsliv, klima, skog og energi, fremme av menneskerettigheter og demokrati. Det er gledelig at Innovasjon Norge i fjor åpnet kontor i Jakarta for å bistå norsk næringsliv. Også Sør-Korea blir en stadig viktigere partner for Norge. Under besøket av president Lee til Oslo i september 2012 inngikk vi to viktige samarbeidsavtaler i maritim sektor med Sør-Korea. Fjoråret var et begivenhetsrikt år i kinesisk politikk. På Kommunistpartiets kongress kom en ny generasjon ledere inn i de øverste posisjoner. En ny president og en ny regjering vil utnevnes under Folkekongressen i mars. Kinas nye ledelse står overfor store oppgaver knyttet til økonomisk og sosial omstilling. Vi ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med Kinas nye ledere. Norge har historisk sett et godt forhold til Kina. Vi var blant de første land som anerkjente Folkerepublikken. Vennskap og nære forbindelser mellom våre to land har utviklet seg over en årrekke og mange besøk har funnet sted. Det er betydelige samarbeidsmuligheter innenfor en rekke områder, som f.eks. den maritime sektor, miljø, energi og Arktis. Tildelingen av Nobels fredspris i 2010 har skadet det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina. På kinesisk hold hevdes det at tildelingen var en innblanding i kinesiske indre anliggender. Regjeringen erkjenner de negative konsekvenser av den situasjon som har oppstått. Dette er bakgrunnen for regjeringens aktive arbeid for å bringe det bilaterale forholdet tilbake på rett spor. Sammen med Kina har vi en felles interesse av å styrke de tosidige forbindelsene, basert på gjensidig respekt. Som ledd i dette arbeidet hadde statsminister Stoltenberg et kort møte med statsminister Wen Jiabao under ASEM i Laos. Regjeringen holder også tett kontakt med norske næringslivsaktører i Kina. Vi setter pris på Kinas forståelse og samarbeid for å normalisere våre forbindelser i den dialog som finner sted. Dagens Kina er en global aktør både økonomisk og politisk. Kinas veivalg på områder som økonomi, fordeling, utvikling av rettsstat, migrasjon og miljø vil ha betydning for en hel verden. Vi respekterer Kinas rett til fritt å velge sin utviklingsvei. Vi ser fram til god dialog med Kina om spørsmål av felles interesse i framtiden. Et stabilt Kina er i Norges interesse. president, Thein Sein, Norge. Sist november åpnet statsministeren et felles norsk-dansk ambassadekontor i Myanmar. Norge har over flere tiår støttet demokratibevegelsen i landet. Gitt vårt langvarige engasjement var det også viktig for oss å handle da vi så at en ny tid var i emning. Selv besøkte jeg Myanmar første gang i april 2011 som statssekretær. Det var det første politiske besøket fra noen vestlig regjering etter at de nye styresmaktene hadde tatt over etter diktatoren Than Shwe. Jeg oppfattet at det var en betydelig, nesten overraskende, vilje til endring hos de nye myndighetene. Da jeg var der senere samme år, så jeg at mange endringer allerede hadde skjedd. Og siden 2011 har regjeringen i Myanmar inngått våpenhvileavtaler med ti av de elleve ikke-statlige væpnede gruppene. Det store flertallet av politiske fanger er løslatt.

Selv om det akkurat nå pågår fredssamtaler, er det ikke lenge siden det var trefninger i provinsen. Volden som blusset opp mellom folkegruppene i Rakhine-provinsen, har også ført til humanitære lidelser. Vi har i tydelige ordelag minnet myndighetene om at de har en plikt til å beskytte alle som bor i riket. Landet trenger politiske prosesser som leder til varige fredsløsninger, kapasitetsbygging og en inkluderende økonomisk vekst. Etter opphevelse av sanksjonene har Norge arbeidet med å konkretisere den framtidige norske innsatsen og engasjementet både i landet og i regionen. På fredsområdet innledet vi i 2012 støtte til konkrete prosjekter i våpenhvileområdene. Vi tok på oss ledelsen av givergruppen for koordinering av støtte til disse områdene. Aktørene selv sitter i førersetet i fredsprosessen, noe som er avgjørende. For å konkludere: I vår omskiftelige verden, i en brytningstid, skal vi verne om våre interesser og våre grunnleggende verdier. Vi skal være oss bevisst den forskyvning av makt og innflytelse økonomisk, politisk og kulturell – som skjer mot øst, og vi skal fremme våre interesser, ikke minst i nordområdene, og våre godt forankrede forbindelser i nærområdene, Europa, og de transatlantiske bånd. Vi skal også være så beredt som mulig til å møte globale sikkerhetstrusler. Alt dette krever en tilpasset utenrikstjeneste og et tydelig strategisk sikte for norsk utenrikspolitikk.

sak nr. 3. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte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

at anleggsarbeidene på strekningen i Lygna sør kan starte våren 2013 med trafikkåpning sommeren 2014. Strekningen Lunner grense–Jaren er smal og svingete. Det er ikke gjennomgående lokalvei. Ved Lygna sør er rv. 4 smal og svingete. Det er også manglende forbikjøringsfelt i stigningene, noe som gir redusert framkommelighet, spesielt om vinteren. Det er

Som jeg har redegjort for, er det behov for en bedre standard på veien. Jeg har selv kjørt strekningen flere ganger, senest nå i januar. Det er stor trafikk av tunge kjøretøy – andelen er om lag 10 pst. – og når dagens vei er smal og svingete, sier det seg selv at det krevende for dem som skal bruke veien til servicefunksjoner, skole og fritidsaktiviteter og mellom de ulike grendene i området. Trafikkmengden fører til tidvis betydelige problemer med å komme inn på og krysse dagens rv. 4. Det er behov for bedre tilbud til gående og syklende. Hele strekningen har en fartsgrense på 70 km/t eller lavere, og det er

Vi gleder oss med Hadeland, vi gleder oss med Oppland, som nå får den nødvendige opprustningen som de trenger på disse strekningene, og vi mener at dette vil være positivt med tanke på å styrke verdiskaping, trafikksikkerhet og bosetting. Vi er Vi er svært mange som i dag gleder oss stort over at vi nå vil vedta utbygging av rv. 4 fra Lunner grense til Jaren, samt Lygna sør i Gran kommune i Oppland. Utbyggingene omfatter til sammen 12,4 km veg, hovedsakelig i ny trasé, og er svært etterlengtet – og nødvendig. Endelig skjer det. Og som det står i proposisjonen og innstillingen: Dette er første etappe av den planlagte utbyggingen av rv. 4 mellom Roa og Jaren, så neste etappe planlegges altså mens strekningen vi i dag vedtar, påbegynnes. Slikt blir det enda mer – og raskere – ny vei av. Om snaut halvannet år, sommeren 2014, kan Lygna sør på 3,4 km åpnes for trafikk, og sommeren 2016 vil ny strekning, på om lag 9 km, mellom Lunner grense og Jaren kunne tas i bruk. Det blir mye veiarbeid i hjemfylket mitt de nærmeste årene, og en del er allerede påbegynt. Neste sak, som handler om E6 gjennom Gudbrandsdalen, er også en svært viktig sak for oss. Det vil neppe være mange av oss som kommer til å klage, sjøl om vi en gang iblant sikkert må vente litt på grunn av anleggsarbeid. For mest av alt venter vi på moderne vei. Delfinansiering gjennom bompenger,

Den er smal og svingete, og kombinasjonen lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk er krevende. Det har dessverre skjedd mange trafikkulykker på denne strekningen på rv. 4. Tre er drept og ni alvorlig skadet i perioden 2002–2011. Trafikksikkerhetsargumentet vil alltid være det som har størst betydning for å prioritere fram prosjekter. Utbyggingen betyr svært mye for økt trafikksikkerhet, men også for bedre miljø og framkommelighet, og ikke minst for å øke verdiskapingen og trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye, samt for befolkningsutviklingen og befolkningsstrukturen – ikke bare på Hadeland. Utbyggingen vil bidra til å knytte Oppland og hovedstadsområdet nærmere sammen, og kommunene langs rv. 4 står svært aktivt på for å løfte fram også andre utbyggingsbehov lenger sør for at hele rv. 4 etter hvert skal bli slik en ønsker. De er også sterkt opptatt av at Gjøvikbanen skal få gode utviklingsmuligheter. Det trengs både moderne vei og bane. Gjøvik-regionen, med fem kommuner, nærmere 70 000 innbyggere og bl.a. landets største konsentrasjon av bilrelatert industri, er helt avhengig av bedre vei for å løfte seg videre. I Vestre Toten kommune er nesten 45 pst. av den samlede sysselsettingen innenfor mekanisk industri, og fra Gjøvik-regionen går det hver dag ut anslagsvis 120 trailere sørover. Denne regionen, som Hadeland, har stort potensial, men er helt avhengig av gode kommunikasjoner. Det er min påstand at veiprosjektene vi i dag vedtar, vil ha positiv virkning og skape ny og forsterket optimisme allerede lenge før prosjektene står ferdig. Utbyggingen gir helt nye muligheter for sentrumsutvikling i Gran. Store arealer vil bli tilgjengelig i sentrum når nåværende rv. 4-trasé nedgraderes og byggegrenser mot veien reduseres. Det blir en helt annen mulighet til å utvikle Gran sentrum som et regionsenter på Hadeland. 50 mill. kr av veiprosjektmidlene er også satt av for å tilpasse veien til sin nye rolle som lokalvei, deriblant tiltak i Gran sentrum. Det blir ikke minst langt bedre å være myk trafikant. Det er jo de fleste av oss – rett som det er. Støy og forurensning vil bli vesentlig redusert i Gran sentrum. Det gir bedre bo- og utemiljø. Utslipp fra alle bilene som i rushtiden står stille gjennom Gran sentrum, blir borte. Det er i dag stor gjennomgangstrafikk av tungtransport som går over Hadeland. Videre vil kortere reisetid og reduserte transportkostnader Oslo–Gran gjøre næringsarealene mer attraktive. Eksisterende bedrifter blir mer inn til Oslo med bil eller buss. Når jeg besøker bedrifter i mitt hjemfylke, er det to budskap som går igjen fra ledelse og tillitsvalgte, særlig i eksportrettet industri. Det er at vi som politikere må holde orden på økonomien og kronekursen, og behovet for snarest mulig å få bedre veiforbindelse til markedene. Nå mener jeg vi er i ferd med å sørge for

Det gir store utfordringer både for gjennomgangstrafikk og for lokaltrafikk. Fremskrittspartiet har merket seg det bekymringsfulle antall ulykker i perioden 2002–2011 på utbyggingsstrekningene. Også Fremskrittspartiet ser på disse prosjektene som en del av den nødvendige opprustningen av veinettet i Norge, og som viktig for å styrke verdiskapning, trafikksikkerhet og bosetting. Så langt for enigheten. Saken illustrerer en måte å bygge vei på som Fremskrittspartiet mener er grunnleggende feil. Saken omhandler to prosjekt – på litt ulike steder på samme rv. 4. Det bygges med ulik standard. Det ene prosjektet bygges som firefelts vei med midtrekkverk, det andre prosjektet som tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på hele strekningen i nordgående kjøreretning og vel 1 km av strekningen på totalt 3,4 km i sørgående kjøreretning. Det tas altså sikte på å bygge delvis firefelts vei – klassifisert og omtalt som forbikjøringsfelt – på vel 1 av 3,4 km, altså 30 pst. av strekningen. Fremskrittspartiet har stilt spørsmål om hvorfor en ikke bygger full firefelts vei og hva tilleggskostnadene er.

strekningene. Da velger altså regjeringen å bygge ny vei med lavere standard for ikke å få standardsprang i forhold til gammel vei, i stedet for å bygge ny vei med fire felt og moderne standard. Det er uforståelig og for Fremskrittspartiet uakseptabelt å bygge vei på denne måten. Vi får i tillegg opplyst at tilleggskostnadene for å øke til fire felt er anslått til 30–35 mill. kr, og at en endring i standard kan føre til at en endring i standard kan føre til anbudskonkurransen må utlyses på nytt. Litt ekstra kostnad og en ny runde med anbudskonkurranse mener vi er fornuftig for å få god vei når vi bygger ny vei. Derfor foreslår vi fire felt på begge prosjektene. Fremskrittspartiet foreslår full statlig finansiering. Vi mener det er statens ansvar å sørge for full finansiering av bygging, vedlikehold og drift av et moderne, sikkert og miljøvennlig Bruk av bompengefinansiering, slik regjeringspartiene foreslår og slik også Stortingets øvrige partier – Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre – i denne saken entusiastisk går inn for, mener FrP er en ekstra transportskatt. I denne saken blir bilistene pålagt å betale mer enn 2 330 mill. kr. Av dette beløpet er avbetalingskostnadene

bilistene. Tallene er 127 mrd. kr i bompenger, 24 mrd. kr i renter, 8,5 mrd. kr i innkreving og 94,5 mrd. kr i bompengebidrag til ulike prosjekter. Med regjeringen Stoltenberg er bompengefinansiering betalt av bilistene blitt en av to hovedfinansieringskilder for bygging av vei, bygging av nye kollektivtiltak og for drift av kollektivtiltak. Gjennom bompengefinansiering behandlet i Stortinget har alle de øvrige partiene, også Høyre, i snart åtte år sendt en kjempestor ekstra skatteregning til bilistene, til næringslivet og til enkeltreisende. Bare Fremskrittspartiet står opp for statlig finansiering av statens veier, slik vi også gjør i denne saken. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i
da tatt opp det forslag han refererte til. Da jeg var ungdomspolitiker for Senterungdommen i Gran, sto i vi på stand og kjempet for å bygge rv. 4 på åsen fra Grua til Lygna, slik at veien ikke skulle gå nedenom bygda, tettstedene og over Dette var på 1980-tallet og før det ble fattet vedtak om å bygge Gruatunnelen og Røstetunnelen. Vi tapte den kampen, og tunnelene på Grua kom på plass. Da lå kulturlandskapet åpent for å bygge ny rv. 4 i Det har seg slik at tilfeldighetene ville at jeg i 1991 ble bosatt så tett på rv. 4 som nesten mulig – akkurat litt til høyre for fotoboksen! Det gjorde at jeg som politiker har ment minst mulig om veien til trasévalget var gjort. Jeg har altså bodd langs denne veien, som mellom 2002 og 2011 hadde 96 ulykker med skader. De ti årene før 2002 kan jeg også skrive under på at det var ulykker langs den veien hvert år. Jeg har flere ganger opplevd ulykker tett på og hatt sjukestue på kjøkkenet. Farten ble satt ned, det ble veilys, og da ble det bedre. Så jeg kan personlig understreke behovet for at det blir en ny vei gjennom bygda vår.

Tunnelløsninger ble diskutert, men ble forkastet. Likevel har Lunner kommunes kamp for jordvernet ført til at traseen er lagt om og mer matjord er spart enn i de opprinnelige planene. Jeg tror bevisstheten om verdien av matjord vil bli sterkere framover, sjøl om noen fortsatt ser ut til å mene at det ikke er så om å gjøre. Men det er også slik at innbyggere velger folk til kommunestyret for å Demokratiet fungerer nå en gang slik at det blir flertall og mindretall. Det må vi også akseptere. Det har vært viktig for Senterpartiet å bidra til at rv. 4 skulle bli en mer trafikksikker vei både for dem som har veien som skolevei, for pendlere og for dem som har veien som arbeidsplass. Derfor har det vært viktig for meg som stortingsrepresentant for Oppland og medlem av Senterpartiet å forsøke å bidra til å realisere

stor dag for samferdsel i Oppland i dag. Stortinget vil etter alt å dømme i dag vedta to store vegutbygginger, på Hadeland og i Gudbrandsdalen. Først ute er da rv. 4 på strekningene Lunner grense–Jaren og Lygna sør. En samlet komité slår fast at dette er en viktig og nødvendig utbygging. Vegen, slik den er i dag, er smal, svingete og ulykkesbelastet. Utbyggingen vil gi lokalbefolkningen og

Vegen vil dermed også gjøre livet bedre og sikrere for de myke trafikantene. Lokalbefolkningen, som tidvis har problemer med å krysse og komme ut på vegen på grunn av høy trafikk, vil også få en enklere hverdag. Tilbudet til gående og syklende mangler i dag langs eksisterende veg, men ny vegutbygging vil også gi 2 km med ny gang- og sykkelveg. Rv. 4 er også en viktig vegstrekning mellom Vest-Oppland og Oslo, som flere av talerne har vært inne på. er også en viktig avlastnings- og omkjøringsveg for E6 langs Mjøsas østside. Dessuten er vegen spesielt viktig for næringslivet i Gjøvik- og Raufoss-regionen. På strekningen fra grensen mellom Lunner og Gran kommune og til Jaren skal vegen bygges som firefelts veg med midtrekkverk og i 20 meters bredde. Denne vegstrekningen bygges hovedsakelig i ny trasé. Strekningen Lygna sør er smal og svingete. Manglende forbikjøringsfelt i stigningene medfører redusert framkommelighet, spesielt om vinteren. Nå bygges mye av denne strekningen i en ny trasé, og her blir det også forbikjøringsfelt på hele stigningen nordover mot Lygna. Også her vil det bli bygd midtrekkverk. Forslaget fra regjeringen blir støttet av alle partiene i Stortinget bortsett fra Fremskrittspartiet, som støtter utbyggingen, men som har egne forslag knyttet til gjennomføring. I denne saken ønsker de at Lygna sør skal bygges ut som firefelts veg, og de går også på vanlig måte mot delfinansiering med bompenger. La meg bare få lov til å nevne at trafikktallene på strekningen Lygna sør ikke tilsier firefelts veg. Skulle vi valgt en dyrere løsning her, ville det nødvendigvis gått ut over prosjekter andre steder. Jeg vil gjerne få lov til å takke Stortinget for en rask behandling av denne saken, og jeg gleder meg sammen med både opplendingene og alle trafikantene som nå vil få nytte

Poenget er at dette er ett av flere prosjekter som kommer på rv. 4. Det er nødvendig å ruste opp mye av rv. 4. Da er mitt spørsmål: Hva er den helhetlige planen fra statsråden for en mer samlet opprustning av rv. 4? Er planen fra regjeringen at det skal skje på samme måte som vi nå ser, at man bygger ny trasé, noe ny trasé med fire felt og midtrekkverk, noe ny trasé med to felt uten forbikjøring, noe ny vei med to felt og forbikjøring, og så beholder man noe gammel, dårlig vei. Hva er det helhetlige perspektivet her? Det er også et paradoks at man bruker ÅDT-tallene så slavisk som man fremviser i denne saken.

grunn, og at det ikke er slik at du har mulighet, verken økonomisk eller praktisk, mener jeg, til å bygge ut firefelts veg over alt i landet. Du må faktisk også legge trafikktallene til grunn for om du gjør valg av firefelts, tofelts eller trefelts veg. Statsråden sier at hun skal komme tilbake til helheten senere. Det er jo litt spesielt at man ikke har tenkt på det

og hvilke kostnader vil komme på i tillegg til de 30–35 mill. kr som statsråden har vist til i svarbrevet sitt? Jeg må si jeg er litt overrasket over Fremskrittspartiets vinkling her i dag. Er det slik at Fremskrittspartiet mener at vi skulle ha ventet med den utbyggingen Stortinget i dag skal vedta, fordi vi skal se hele strekningen under ett? Det er klart at jeg synes det er viktig at vi kommer i gang med disse strekningene og sørger for å begynne å bygge de strekningene vi nå snakker om, sjøl om jeg også erkjenner at det også er andre strekninger langs rv. 4 som fortsatt er under vurdering. Så er det jo slik at vi kommer tilbake i Nasjonal transportplan der vi også vil skissere hva som er de viktigste transportpolitiske prioriteringene for de neste ti årene. Det vil også omfatte ikke bare rv. 4, men hele

Så jeg vil gjerne ha svar på det. Som vi også har svart i brevet, mener vi fra Samferdselsdepartementets side at det ikke er trafikkgrunnlag for å kunne bygge firefelts veg på Lygna sør. Da må du i tilfelle ut med mer penger, og du må også gjennomføre en videre planlegging som vil føre til at det også vil bli utsettelse i forhold til dagens behandling av saken. Når årsdøgntrafikken på Lygna sør er halvparten av det som er på Lunner grense–Jaren, synes jeg faktisk det er forsvarlig at man velger en

nå. Og det skulle faktisk ikke så veldig mye til, for å være helt ærlig. Når vi skal bygge ut vei, prøver vi å se framover. Vi prøver å bygge dagens veier for framtidig bruk, men i dette tilfellet kan jeg ikke se at det blir gjort. Det blir merkelig å kjøre på en vei som først har to felt, så fire felt, så to felt med forbikjøring og så standard, dårlig to felt igjen. Så var det prat om at det det var så stor forskjell. Hvis man skal bygge ut til fire felt, var forskjellen så stor fra fire felt og ned til to felt. Men jeg mener at det å kjøre på så mye forskjellige veier over de små avstandene som er, må være enda mer frustrerende. Og jeg tror det vil skape en del køer. Nå er det sånn at fra bånn og oppover mot Lygna skal det nå bygges to felt med forbikjøringsfelt. For å bygge fire felt blir det da mye dyrere, som statsråden sier. Ja, det blir nok noe dyrere, men jeg kan jo opplyse om at grunneiere oppover der faktisk har gitt bort grunn for at det skal være mulighet til å bygge fire felt. Da er det jo interessant å merke seg at staten overhodet ikke er interessert i å ta imot den gaven som grunneierne gir. Det er også slik at når tungtransport kjører oppover bakker, vil de nødvendigvis bruke noe lengre tid, og det går litt saktere. Men så har også tungtransporten en tommelfingerregel: Vi skal kjøre like fort ned som det vi klarer å kjøre fort opp. Og det er klart at når det nedover veien blir ett felt, vil det skape køer og irritasjonsmomenter for andre bilister. Så er det sånn at bilistene i dag betaler store ekstra skatter for i det hele tatt å få ha bil og få kjøre bil. Nå skal denne veien bygges ut med bompengefinansiering slik at bilistene må betale enda mer for å få lov til å kjøre på en som har gårsdagens standard. Det er forunderlig at vi pålegger bilistene å betale ekstra for å kjøre på gårsdagens standard, og jeg tror at man må være sosialist fra Arbeiderpartiet eller Høyre for å skjønne logikken i det. Takk for det. Jeg måtte ta ordet når statsråden ikke vil fortelle hvor mye ekstrakostnadene er utover de 30–35 mill. kr og

næringslivet, er fire ting. Det ene er stabile, gode rammebetingelser. Ikke tull med rammebetingelsene våre! Så er det tre ting til, og det er vei, vei og vei. Noen steder er også jernbane viktige for noen, men vei er altså det som kommer fra hele landet – et unisont krav: mer penger til vei! vei! Så ser jeg på denne saken. Alle er kjempeglade for at vi i dag har fattet vedtak om å bygge veien. Selvfølgelig, det er kjempebra. Det handler om både trafikksikkerhet, fremkommelighet og rammebetingelser som er viktige for næringslivet. Hvis man liksom skal være snill, kan man se hvordan det ser ut på tabellen i stortingsmeldingen på side 7. Hvis man vil dra ordet spleiselag langt, kan det se ut som et spleiselag. Men det er å dra det veldig langt, hvordan det ser ut på tabellen i stortingsmeldingen på side 7. Hvis man vil dra ordet spleiselag langt, kan det se ut som et spleiselag. Men det er å dra det veldig langt, for det er jo 830 mill. kr i statlige bevilgninger og 1,33 mrd. kr i bompenger. Men da har man ikke tatt med den milliarden som vi puttet på toppen av det. Det betyr altså at bare renteutgiftene her er høyere enn alt det staten bidrar med tilbake til dette veiprosjektet. I tillegg Og når bilistene betaler inn 55 mrd. kr i avgifter i 2013, og de får ca. 20 mrd. kr tilbake til veiformål, mener jeg at det er på grensen til ran det staten og den rød-grønne regjeringen her holder på med. Presidenten vil bemerke at ordet «ran» ikke er det mest parlamentariske vi har. Det er sagt ein god del om Presidenten vil bemerke at ordet «ran» ikke er det mest parlamentariske vi har. Det er sagt ein god del om nødvendigheita av gode kommunikasjonar og transport. Og det er jo slik at god kommunikasjon ikkje nødvendigvis er eit mål i seg sjølv, men eit nødvendig verkemiddel for å nå nær sagt alle andre politiske mål vi har her i samfunnet. Derfor er for å nå nær sagt alle andre politiske mål vi har her i samfunnet. Derfor er vegutbygginga på rv. 4 no så enormt viktig, ikkje minst for det som er peikt på her tidlegare, for næringslivet i Gjøvik–Raufoss-regionen. Det er veldig mykje langtransport på den vegstrekninga. Der skal det altså no byggjast ein ny firefelts veg frå Lunner grense til til Jaren. Så blir det prata om at ein skal køyre på gårsdagens løysingar. Det blir ein formidabel ny vegstandard, vegen skal gå i tunnel utanom Gran sentrum, og det opnar for store nye moglegheiter. Lygna sør er òg eit problem, for det er såpass bratt oppover der, som det har vore peikt på. Der er det allereie no eit forbikøyringsfelt på store deler av strekninga. Det skal no fullførast heilt opp på toppen på Lygna. Det vil òg gi ei formidabel endring i forhold til dagens situasjon, der bilane blir liggjande i kø bak trailerar som rek sakte oppover. Dermed har ein ein heilt annan standard, ein heilt annan moglegheit på rv. 4 enn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

E6 gjennom Gudbrandsdalen er en del av transportkorridoren mellom Oslo og Trondheim. Veien er en viktig rute for trafikken på Østlandet, Nord-Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge og selvfølgelig i det området hvor veien går. Med andre ord: en vei av stor nasjonal betydning. Veien har i dag dårlig standard i forhold til trafikkmengde. Den har nedsatt hastighet, den mangler gang- og sykkelvei og er en stor I tillegg er veien ulykkesbelastet. I perioden 2000–2011 var det 122 ulykker med personskade, 33 personer ble hardt skadd og 18 personer ble drept på denne strekningen. Årsdøgntrafikken varierer fra ca. 4 900 til ca. 6 300 kjøretøy, og tungtrafikken er på ca. 18 pst. Det er verdt å merke seg at veien har en Veien vil bli en tofeltsvei med veibredde på 13,5 m og midtrekkverk, og det skal bygges forbikjøringsfelt. Prosjektet omfatter to tunneler, Hundorptunnelen på 4,4 km og Teigkampen på 3,7 km. Tunnelene er planlagt med to løp. Det vil først bli bygd ett løp med forsterket midtoppmerking, det andre løpet er forutsatt å stå ferdig når årsdøgntrafikken når 8 000 kjøretøy. Veistrekningen mellom Ringebu og Otta er på 34 km. Veien skal legges utenom Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam, og dagens E6 vil bli omgjort til lokalvei. Dermed kan beboerne i disse tettstedene se fram mot mindre støy og høyere trafikksikkerhet. Komiteen er opptatt av verdiskaping, og at det for Norge som eksportnasjon er viktig med gode veiforbindelser mellom landsdelene og videre til kontinentet. Dette prosjektet er nødvendig i så måte. Videre understreker komiteen at utbyggingen har positiv betydning for miljøet. Det vil bli økt framkommelighet, tryggere trafikk og kjøretiden blir kortere. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet viser til at kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel og Oppland fylkeskommune har sluttet seg til delvis bompengefinansiering av prosjektet, og disse medlemmene tilrår Stortinget å samtykke til at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger for finansiering av denne utbyggingen, og videre at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet for å fastsette nærmere regler for finansieringsordningen. Fremskrittspartiet støtter ikke I denne saken er det også forslag og merknader som omhandler saker av mer generell karakter på veibygging, veinormaler og ansvar for fylkesveier, for å nevne noe, men jeg regner med at de vil redegjøre for hvorfor alt dette kommer i denne saken senere i debatten. Høyre har også lagt inn en merknad som delvis er av litt mer generell karakter, og jeg regner med at de også vil komme nærmere tilbake til det. Men jeg understreker at de støtter forslaget til vedtak.

Representanten Hagebakken sa i forrige sak at det blir mye veiarbeid i Oppland nå, og det er helt riktig. Jeg legger med dette fram flertallets innstilling i saken. Dette er Stortinget. Jeg vil gjerne starte med å gjenta noe av det siste jeg sa i forrige sak: I de snart åtte årene som denne regjeringen har styrt, er det blitt mange bompengesaker, og ikke minst en styggstor bompengeregning Med denne saken blir det totalt 127 mrd. kr i nye bompenger, 24 mrd. kr i renter – det snakkes det lite om – 8,5 mrd. kr i innkreving – det snakkes det lite om – og 94,5 mrd. kr i bompengebidrag til ulike prosjekter. Dette er ekstra transportskatt. Det er verdt å merke seg at det ikke bare er rød-grønne regjeringspartier som skriver ut ekstraskatter. Også partiene Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre skriver ut omfattende ekstraskatt til landets bilister, men de snakker ikke så mye og så ofte om det. Fremskrittspartiet står alene i kampen mot bompengebruken. Det er her i Stortinget den kampen avgjøres. Også i denne saken skrives det ut ekstra transportskatt. Bilistene skal bidra med Av dette er 1 680 mill. kr rentekostnader og 250 mill. kr innkrevingskostnader. Det sendes i dag en regning til bilistene der nesten 2 mrd. kr brukes til å dekke kostnader for å kjøpe vei på avbetaling. Europavei bygges i Norge ved avbetalingskjøp – avbetalingskjøp i et av verdens rikeste land – ufattelig, men også helt unødvendig. Etter Fremskrittspartiets mening går ikke norsk økonomi over styr om staten finansierer veiutbygging i Norge. Moderne, sikre og miljøvennlige veier styrker økonomien gjennom økt konkurransekraft. Fremskrittspartiet vil heller ha nye europaveier i Norge enn flere aksjer og obligasjoner i utlandet. Også denne Det er ingen tvil om behovet. Dagens vei har dårlig standard, er underdimensjonert i forhold til trafikkmengde, har nedsatt hastighet og skaper støy for omliggende boligbebyggelse. Veien er ulykkesutsatt – i perioden 2000–2011 var det 122 ulykker med personskade. Prosjektet, som er på 34 km, vil gå i ny trasé på nesten hele Fremskrittspartiet mener utbyggingen av E6 har positiv betydning for miljøet, det betyr tryggere trafikk, økt fremkommelighet, mindre støy for beboere og bedre forhold for myke trafikanter. Også Fremskrittspartiet mener at det for Norge som eksportnasjon er viktig med gode veiforbindelser mellom landsdelene og videre til kontinentet. Det har hele komiteen understreket også i denne saken, som i forrige. Også for Fremskrittspartiet er prosjektet en del av den nødvendige opprustningen av veinettet i Norge. Men hvorfor i all verden bygger vi ny E6 uten å bygge ny E6 som firefeltsvei med midtrekkverk? Dette er en utbygging for fortiden – ikke for fremtiden. Igjen viser statsråden, Samferdselsdepartementet og regjeringen til veinormalene. Fremskrittspartiet mener de må endres særlig når vi får resultater som dette. Europaveiene er selve hovednervene i det nasjonale veinettet. Vi må slutte å bygge smått. Vi må bygge for å ta unna den trafikkveksten vi vet kommer. Fremskrittspartiet skjønner at da må vi revidere gjeldende reguleringsplaner. Vi har merket oss et anslag på merkostnader på 1 440 mill. kr, men også også at det kan bli på 1 150 mill. kr. Fremskrittspartiet mener det uansett er en god investering å få firefeltsvei når vi først bygger ny europavei. Fremskrittspartiet minner om at med mer moderne regnemetoder, gir 1 kr investert i vei 3,5 kr tilbake. Det er rett og slett ingenting å stusse på. God samfunnsøkonomisk avkastning, altså langt over det oljefondet kan håpe på. Investering i vei i Norge med norske oljepenger er god og klok bruk av oljeformuen som gir Norge god avkastning. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag fra innstillingen og ber om alternativ votering for forslag nr. 1. Representanten Sortevik har tatt opp de forslagene han refererte til. Fremskrittspartiet har kommet med til dels frodige karakteristikker av Høyre i dag. Det

sosialistparti i denne salen. Jeg vil minne om at bompenger i denne saken og i andre saker alltid er ønsket fra et lokalt miljø. Så kan man si, som Fremskrittspartiet hevder, at man blir presset til å velge det. Vel, jeg tror også at man velger det fordi man ser at man får bedre fremkommelighet, man får en får en bedre vei for næringslivet sitt og for de næringer som også skal passere strekningen. Men man får også en trafikksikker vei, og det er ikke minst viktig for veldig mange mennesker. E6 er en av Norges viktigste veier. Den er lang, og den går ikke minst gjennom Gudbrandsdalen i befolkede – til dels tett befolkede – områder med stor trafikk. Det som preger E6, spesielt i Gudbrandsdalen, er at det er veldig varierende trafikk over året, over døgnet og over helgen. Det går fram av proposisjonen hva som er gjennomsnittlig ÅDT, årsdøgntrafikk, men alle vet at i perioder av året, perioder av døgnet og perioder i løpet av uken med stor utfart,

eller i alle fall en gang tidligere, vi vedtok en viktig parsell på E6, var vi hårsbredden fra å greie å få til et prinsippvedtak om å bygge smal firefeltsvei for å dimensjonere for framtiden som ligger litt lenger fram enn akkurat den vi får beskrevet i de nytte-kost-analysene som legges til grunn. Vi mener at det er en mangel ved dagens planlegging og dagens veibygging, at man ikke har organisert seg på en måte som gjør at man kan se lengre strekninger under ett, og dermed få de synergiene som er viktig for veien. Slik vi bygger i dag, vil veien etter kort tid bli underdimensjonert med tanke på den trafikken trafikken vi ser vil komme. For det er slik at en ny vei og nye forutsetninger for trafikken også skaper trafikk – ja, det er faktisk hensikten med veien at man skal føle seg tryggere og bruke veien. Når vi i Høyre har en mindretallsmerknad i denne saken, er det først og fremst fordi vi henviser til at vi mener grensen for når det skal bygges smal firefeltsvei, som er en kjent kategori, bør ligge på 8 000 kjøretøy i døgnet, og ikke 12 000 som i dag. Da ville vi bygget denne strekningen med smal firefeltsvei. Vi støtter dermed innstillingen, som saksordføreren redegjorde og det går på finansieringen og opplegget rundt det. Den løsningen som er valgt, er jo ikke voteringstema i dag. Den støtter vi altså ikke, og vi mener at denne organiseringen som vi nok en gang foretar, er en del av en litt klattvis måte å bygge vei på. Jeg vil anbefale at regjeringen tenker seg om på nytt og kommer til Stortinget med andre måter å gjøre dette på, på både E6 og andre

Begge sakene som vi har til behandling i dag, gjelder Oppland fylke. Begge sakene er gode eksempler på at det skjer mye på samferdselsområdet, når store, tunge prosjekter settes i gang i Oppland. Det vises sågar til andre prosjekter som også er bygd. Jeg har tidligere sagt at jeg er glad for alle grønne trafikklys vi står og venter på i fylket vårt, for at vi av og til kommer for seint til møter fordi vi har glemt at det er omkjøringer eller ventetid. Det betyr at det skjer noe. Det var en stormobilisering i Gudbrandsdalen før forrige Nasjonal transportplan skulle legges fram. Den gangen var jeg så heldig å jobbe for samferdselsministeren, så vi merket trykket, for å si det sånn, også fra et tverrpolitisk miljø i Gudbrandsdalen.

og han opplevde også å få kommunikasjonsbransjens Oscar fra Norske Informasjonsrådgivere for arbeidet for veien. Dessverre får han ikke gledet seg sammen med oss i dag over å se veien ferdig, siden han gikk bort så altfor tidlig. Men han fortjener en takk for jobben som han gjorde, og jeg hadde lyst til å nevne han spesielt i dag. Jeg har også lyst til å takke stortingsrepresentant Torstein Rudihagen for det arbeidet som han har lagt ned for E6 gjennom mange, mange år. år. I tillegg er det mange, mange andre som skulle vært nevnt. Men det iherdige arbeidet fra folk i Gudbrandsdalen hadde ikke blitt noe av hvis ikke regjeringa med daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete i spissen hadde vist vilje til å satse stort i Nasjonal transportplan og sette E6-utbygginga på kartet. Dette har seinere blitt fulgt opp av påfølgende samferdselsministere fra Senterpartiet. E6 i Gudbrandsdalen har vært en gjenganger i avisspaltene lokalt og nasjonalt. I løpet av de ti siste åra mellom 2000 og 2011 kan vi lese at det var 122 ulykker med personskade, 18 personer ble drept og 33 personer ble hardt skadd. Tungtrafikken, som noen allerede har vært inne på, utgjorde ca. 18 pst. av årsdøgntrafikken i 2010. 2010. Om sommeren øker trafikken betydelig, og som representanten Halleraker var inne på, øker den i helgene. Det er fortsatt ulykker på denne strekningen, så det haster med å få gjort noe. Sjøl om noen mener at veien burde hatt fire felt helt fra Oslo til Trondheim, mener jeg vi nå vil få en vei som vil føre til en stor forbedring og bli en stor endring fra slik vi kjenner den i dag.

Vel, noen prater, og noen gjør. Jeg ønsker at denne veien skal bygges ut kontinuerlig, og jeg mener at den beste måten å få gjennomført det på, er å satse på nåværende regjering også i neste periode. Denne regjeringa har vist at den ikke bare prater, men den gjør. Men uansett hva som skjer framover, vil vi i alle fall med vedtaket i dag ha sørget for at i alle fall første del av veien blir bygd ut. Det skal vi glede oss over, sammen med alle andre som bruker som pendlervei eller som transportvei til Vestlandet og til Trøndelag eller enda lenger nordover. Og har dere ikke spist kake før i dag, er det tid for det nå. Det er med glede jeg i dag ser at Stortinget gir sin tilslutning til forslaget om delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen. I innstillingen går det fram at en samlet komité er fornøyd med at denne strekningen bygges ut. Komiteen viser også til alle de positive virkningene som utbyggingen av både når det gjelder trafikksikkerhet, når det gjelder nærmiljøet og også når det gjelder transporten landsdelene imellom. I det hele tatt er det mange vinnere i denne saken. Gudbrandsdølene som bor og ferdes lokalt langs strekningen, kan glede seg over at gamle E6 blir lokalveg, slik at ferdselen nå blir tryggere og mer effektiv. De kan også glede seg over mindre støy og bedre forhold for de myke trafikantene. Fire tettsteder blir nå skjermet for støyende og farlig gjennomgangstrafikk. gjennomgangstrafikk. Mange som har arbeidet sitt knyttet til denne vegstrekningen, kommer til å få en bedre transporthverdag. Det er bl.a. stor trafikk med landbruksmaskiner, og man må bruke E6 for å få utført oppgavene sine. Med en tungbilandel på hele 18 pst. sier det seg sjøl at ny veg i ny trasé er en betydelig forbedring for både tungbilsjåfører og andre trafikanter. Det er også bra for alle som bruker E6 som når vi skal mellom nord og sør i Norge. Det jeg har lyst til å nevne, særlig med tanke på yrkestrafikantene, er at det i tilknytning til vegen også skal bygges et stort vegserviceanlegg utenfor Vinstra, der det kommer til å være døgnhvileplass for mellom 50 og 80 tunge kjøretøyer. Dagens veg har lange strekninger med nedsatt fartsgrense. Sjøl om det er nedsatt fartsgrense, har dette vært en svært ulykkesbelastet veg. Mellom 2000 og

Jeg mener tvert imot at vi legger opp til en effektiv, sikker og framtidsrettet veg i Gudbrandsdalen. Verken i Statens vegvesen eller i den rapporten som Oslo Economics laget for NHO i juni 2012, har man funnet grunnlag for en annen dimensjonering enn den som nå har vært planlagt, og som diskuteres i Stortinget i dag. Som jeg påpekte under forrige sak, ville en dyrere løsning ha medført at man hadde vært nødt til å nedprioritere prosjekter andre steder. Vegen vi nå bygger, er og vi legger opp til at den kan bli utvidet til firefelts veg dersom behovet for det melder seg i framtiden. Jeg vil få lov til å takke Stortinget for en rask behandling av denne saken, og vil ønske alle brukerne av strekningen E6 i Gudbrandsdalen, Frya–Sjoa, til lykke med at de nå skal få en ny og bedre veg. Det blir replikkordskifte. Jeg gjentar for sikkerhets skyld: Fremskrittspartiet er

i prognosene. ÅDT-målingene tar heller ikke hensyn til andelen tungtrafikk, som er høy på denne veien, og heller ikke til at det er varierende trafikk og ofte langt større trafikk på ukedager og i sesonger. Fremskrittspartiet vil bygge en europavei for fremtiden, og vi mener fire felt med midtrekkverk er den gode måten å bygge vei for fremtiden på, i særdeleshet fordi vi nå bygger ny trasé. Hvorfor bygger regjeringen ny europavei basert på fortiden, en vei som åpenbart er underdimensjonert? Det er jo slik at regjeringen følger vegnormaler i sin planlegging av vegutbygging over hele landet. Det tilsier at det er ikke over alt en kan bygge Jeg mener at den vegen som vi i dag gir tilslutning til bygging av, er en god og framtidsrettet veg for den strekningen som det her gjelder. Jeg har lagt merke til at Fremskrittspartiet nå reiser rundt i hele landet og lover firefelts veg overalt til en voldsom sum av penger. Enkelte steder oppgir de ikke engang hva det kommer til å koste. Men jeg håper at deres potensielt framtidige regjeringspartner Høyre merker seg hva summen av en slik type satsing vil være. Det er klart et overbud i forhold til hva som er mulig og riktig å gjennomføre når det gjelder norsk vegbygging. Det er

så høy at det skulle vært firefelts motorvei der og ikke en tofelts bro, som den som ble bygd den gangen. Nå må det bygges en ny bro. Det blir mye dyrere. Ser ikke statsråden at dette er en del av hovedferdselsåren mellom Oslo og Trondheim? Burde man ikke da ta høyde for å bygge fremtidsrettet, med full firefelts vei på hele strekningen, og ikke bygge klattvis og delt, med små og smale veier enkelte steder, når det er en del av transportåren mellom noen av de største byene i landet vårt? Det prosjektet vi i dag vedtar, vil gi en god og framtidsrettet veg i den delen av Gudbrandsdalen som vi her snakker om. Regjeringen legger sjølsagt vegnormalene til grunn når vi planlegger utbygging av vei, og det tilsier at det en god del steder bør bygges firefelts vei, og at en enkelte steder bør bygge to- og trefelts

hva dette kan komme til å koste, for det er klart at det vil ingen ansvarlig regjering kunne klare å gjennomføre, særlig ikke hvis en heller ikke skal tillate bompengefinansiering av den typen veger. Ja, Fremskrittspartiet er opptatt av å få fram den politikken vi har, og det trodde jeg også statsråden var. Vi ser jo at det er vanskelig å møte statsråden til debatt med mindre man har saker i denne salen. Men jeg har ganske dyre løfter, så jeg gleder meg til å se om alle de løftene nå kommer til å bli fulgt opp av statsråden når Nasjonal transportplan en gang kommer. Den skulle ha kommet før påske, men jeg ser at den nå er skjøvet ut i tid. Ser ikke statsråden at det er viktig å sørge for at hovedferdselsårene mellom de største byene har en lik standard? I den forrige saken var grunnen til at man ikke ville bygge firefelts vei at man ikke måtte ha for god standard i forhold til den veien som er der allerede i dag. Men burde man ikke heller være framtidsrettet og bygge god standard, sørge for at det blir lik standard hele veien, når man nå skal bygge E6 med bedre standard? Vi i Fremskrittspartiet vil i hvert fall ha full firefelts standard på hele strekningen. For meg virker det som om Fremskrittspartiet ikke er i stand til å glede seg over den utbyggingen vi nå faktisk foreslår, som vil bli gjennomført, og som er en god

Det er nettopp noe av det NTP handler om. Vi kommer til å legge dette fram for Stortinget, slik at en får god tid til å behandle denne saken før sommerferien. Det å love firefelts vei over hele landet, slik Fremskrittspartiet nå reiser rundt og gjør – noe som en ikke finner igjen på Fremskrittspartiets sentrale sider, men bare i de ulike fylkesoppslagene – er et rent overbud og ingenting annet.

Det er i høgste grad ein merkedag når utbygging av fyrste etappe på strekninga mellom Ringebu og Otta blir vedteke. Eg har sjølv vore engasjert i denne utbygginga dei siste 20 åra, både som ordførar og stortingspolitikar, men planane og arbeidet med denne nye vegen på denne strekninga er over dobbelt så Det er eit stort lokalt og regionalt engasjement for ny veg – naturleg nok – da vegen har altfor dårleg kurvatur, har for smal vegbreidd, og det er manglande tilbod til gåande og syklande. Det er manglande lokalveg, og E6 må brukast av traktorar og andre landbruksmaskiner. Ein stor del av trafikken er Dessverre har òg denne vegen fått mange medieoppslag på ein vond måte, på grunn av altfor mange tragiske ulykker. Det er derfor ein gledens dag no når utbyggingsvedtaket blir gjort. Den nye vegen vil ha stor betydning for busetjing og næringsutvikling i Gudbrandsdalen. Men E6 er – som det har vore nemnt tidlegare – ei hovudferdselsåre mellom nord og sør og som forbindelse mellom sør, nord og Vestlandet. Ein ny E6 gjennom Gudbrandsdalen har stor betydning for så mange fleire enn dei som bur i dalen. I denne

og andre utbyggingsetappe må framleis vere med i neste NTP, utan at bompengeinnkrevjinga aukar utover det som det no blir lagt opp til. Det blir ein god og funksjonell veg – rett nok ein tofelts veg på 13,5 m med midtrekkverk – og på høvesvis 32 og 39 pst. av vegstrekninga vil det vere forbikøyringsfelt. Det er viktig med lange nok forbikøyringsfelt. Eg ser at Framstegspartiet meiner at det skal byggjast ein firefelts veg på 20 m med midtrabatt gjennom Gudbrandsdalen. Det vil i så fall vere ei utfordring å få det tilpassa ved sidan av jernbanen, som no har behov for ei utbetring. Så korleis Framstegspartiet da ville klare å halde framdrifta sjølv med ein statleg reguleringsplan, verkar på meg noko underleg. Det verker i det heile like realistisk det som det Framstegspartiet fremjer i denne saka. Jeg kunne kanskje hatt med meg flagget opp her

bilistene. Man later som om det er regjeringen som satser og bygger. Bilistene skal bidra med 6 590 mill. kr for å bygge disse to strekningene som vi har diskutert i dag. Det statlige bidraget er 3,1 mrd. kr, altså under halvparten av det bilistene skal bidra med. Jeg tror kanskje man ikke burde fortsette å skryte så altfor mye av at det er regjeringen som gjør det. det. Det statlige bidraget er jo de 55 milliardene som bilistene allerede betaler inn i år i skatter og avgifter – i tillegg blir de pålagt bompenger. Så til Høyre: Jeg hørte at representanten Halleraker syntes at vi hadde frodige uttalelser. Det må han få lov til å mene. Han sier at for Høyre er det slik at det er ønsket fra et lokalt miljø. Jeg er litt usikker på om det er et gledelig ønske hvis man står med en pistol mot tinningen og får beskjed om at enten gjør dere som vi sier, eller så får dere ingenting. For alternativet til det politiske flertallet i denne salen er: Betaler dere ikke bompenger, får dere ikke vei. Det er trusselen som kommer. For Fremskrittspartiet er det slik at E6 er hovedferdselsåren fra Oslo til Trondheim eller fra Trondheim til Oslo, litt avhengig av hvilken by man kommer fra, og når det er viktig hva som kommer først.

Så til statsråden: I motsetning til regjeringen følger Fremskrittspartiet opp den nasjonale transportplanen som vi har vedtatt, og derfor ønsker vi å bygge firefelts vei fra Oslo til Trondheim eller Trondheim til Oslo. Jeg er

og jeg er glad for at de landbruksmaskinene som tidligere har gått på disse strekningene, nå kommer bort fra E6. Jeg tror også at de som bor i Gudbrandsdalen og bruker veien, er like glad som meg for akkurat det. Om de er like glad for at de må være med og betale enda mer på veien, er jeg litt i tvil om. Som det har blitt nevnt tidligere her, er årsdøgntrafikken ikke stor nok på visse strekninger til men det er slik at årsdøgntrafikk er et gjennomsnitt. Oppland er et av Norges største – om ikke det største – turist- og hyttefylket i Norge. E6 er en av de veiene og Oppland er et av de fylkene som har størst gjennomgangstrafikk i Norge. Til tider at hvis en hadde tatt hensyn til dette, ville også en utbygging av fire felt over hele strekningen vært mye mer realistisk og aktuell enn det den er i dag. Regjeringen satser på samferdsel, sa bl.a. representanten Tingelstad Wøien. Ja, det er ikke noe tvil om det. Men det er ikke noe problem å satse når man satser med andres penger. Når man satser stort og det er andre som skal betale

så det er kanskje på tide at vi får den. Så helt til slutt: Rudihagen var opptatt av framdriften hvis man skulle bygge firefelts vei, og lurte på hvordan Fremskrittspartiet ville ha klart det. Ja, det er kanskje sånn at man i Fremskrittspartiet er noe mer effektive enn det man er i Arbeiderpartiet.

så hver ordfører fikk sin boks. Så jeg har bare et spørsmål: Kan Fremskrittspartiet garantere at det ikke vil bli noen bompenger hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering til høsten? Så bare en liten kommentar til slutt. Vi skryter av at vi bygger veier. Ja, det gjør vi faktisk. Vi bygger i hvert fall veier, vi, og så

mellom Fremskrittspartiet og Høyre er en viss forskjell i synet på bompenger når det gjelder å finansiere vei. Men at vi skulle få sånne utslag som vi har fått nå, har ikke vært Høyres politikk – det å si til enhver rundt omkring i kongeriket at betaler man ikke bompenger, får man aldri noen vei. Det har aldri vært hensikten og aldri vært sagt, kanskje med unntak av noen få steder der en spesiell vei ikke har greid å få prioritet på statsbudsjettet. Vi skulle naturligvis sett at det var firefelts vei oppover Gudbrandsdalen, eller E6-en, så mye som overhodet mulig, men nå er det jo engang sånn at utbygging av vei er en del av prioriteringen i bruken av midlene. Vi har riktignok foreslått at man må finne en annen finansieringsform for å få mer igjen for pengene. Det har jo for så vidt statsråden også gitt uttrykk for at hun har sympati for. Men når det gjelder nettopp bakgrunnen for utbygging av firefelts vei, har statsråden i dag påpekt at det er ÅDT-en som er grunnlaget også for de malene som brukes når man bygger vei. Det er nå engang sånn at hvis det er veldig lenge til man kommer opp på det nivået der man ifølge standarden forlanger en firefelts vei, kan det jo være samfunnsøkonomi i å vente Jeg skal ikke gå noe særlig lenger inn på dette enn å si at vi i utgangspunktet har stor forståelse for at man bruker ÅDT som grunnlag for å bygge ut vei. Når Hoksrud nå ber om at Høyre besinner seg i dag og stemmer for deres forslag, må jeg nok si at jeg ikke er sikker på at det er så lurt. Skal man beslutte i dag at det skal bli en firefelts vei på hele denne strekningen, betyr det jo at det må utsettes, og man må begynne ny planlegging. Det mener vi ikke. Det mener vi ikke. Vi mener det er fornuftig å godta det som ligger på bordet i dag. Vi har registrert bekymring fra partiet Høyre omkring bruken av ÅDT, og at Høyre gjerne vil at man skal se nærmere på dette. Jeg forstår at Høyre ikke ønsker å støtte Fremskrittspartiets forslag 2, som er en sak om å endre veinormalene. Men jeg registrerer heller ikke at Høyre har eget forslag knyttet til bruk av ÅDT og bygging av ny Det er også slik at Høyre har stemt for alle de bompengeprosjektene som Stortinget i de siste åtte årene har behandlet. Det begynner å nærme seg 60 prosjekter – 60 prosjekter på nesten åtte år – og regningen som er sendt videre, den ekstra transportskatten, også fra partiet Høyre, er på

nye, moderne, sikre, effektive og miljøvennlige veier. Det er faktisk nettopp slik at bygger vi mer vei – investere rikdommen vår i å bygge en moderne infrastruktur i Norge – er det økonomifremmende. Det skaper konkurransekraft, og det skaper vekst i økonomien. Det er ingen grunn til at bilistene skal tvinges til å kjøpe vei basert på tvungen avbetaling. Men det er også slik – det må jo være til representanten Rudihagen og andre, ja, faktisk også statsråden – at Fremskrittspartiet følger egen plan. Vi er fremdeles i en gjeldende planperiode, 2010–2019. For snart fire år siden la Fremskrittspartiet frem egen alternativ NTP. vil anbefale dokumentet til statsråden. Der fremgår finansieringen, bl.a. av firefelts E6 fra Oslo til Trondheim, eller fra Trondheim til Oslo, så vi mener jo at vi har dekning for å foreslå det vi nå foreslår. Vi ønsker å bygge moderne veier som kan ta den trafikketterspørselen som vi vet kommer. Folk reiser stort sett ikke for moro skyld. De reiser fordi de har et transportbehov. Det vi kan være ganske sikre på, på, er at transportbehovet vil være langt høyere enn den dimensjoneringen regjeringen legger til grunn, også for utbygging av veiprosjektet i denne saken, på samme måte som vi har en trafikkprognose for prosjektet i forrige sak. Trafikken vil langt overgå de prognosene. Egentlig lurer jeg på om representanten

transportplan. Vi har ikke foreslått å bygge firefelts vei over hele landet. Det er bare å gå inn og se på forslaget til Nasjonal transportplan og det vi faktisk foreslår. Til representanten Myraune: Han sa at jeg ba Høyre om å besinne seg. Det sa jeg aldeles ikke. Jeg sa: Tør å være litt freske og bli med på et forslag dere egentlig er enig i! Det var det jeg utfordret representanten Myraune og Høyre

av de pengene som flertallet putter inn i aksjer, obligasjoner og – ikke minst – i handlegater rundt omkring i verden, til å bygge infrastruktur i Norge. Vi har fått dokumentert fra NHO, Cambridge Systematics International og andre at det å investere i infrastruktur i Norge er noe av det beste vi kan bruke pengene på. Oljefondet har altså gitt 2,5 pst. avkastning i året de siste ti årene. Cambridge Systematics International sier at hvis man hadde investert pengene i de rette samferdselsprosjektene på vei, ville vi fått tilbake 3,49 kr for hver krone vi investerer. Det kan ikke oljefondet eller aksjer i utlandet eller handlegater i London, Paris, eller snart New York, hamle opp med. Det er lønnsomt å investere i vei. Derfor mener Fremskrittspartiet at i stedet for bare å skyve regningen over på bilistene – i tillegg til alle de andre avgiftene og skattene som bilistene allerede betaler – bruker man noe mer penger på det og litt mindre penger på å bli verdens største eiendomsselskap. Det vil ta litt lenger tid, men jeg er overbevist om at vi kommer til å bli verdens største eiendomsselskap likevel, fordi vi tar inn så enormt store summer

kanskje vente litt med å bli størst i verden på eiendom, og heller bruke pengene på innbyggerne våre i Norge. Det er ganske interessant å høre på representanten Hoksruds siste innlegg – og som i tillegg tar mål av seg til å sitte i regjering sammen med Høyre. Man kan bare undre seg på hva slags økonomisk politikk vi vil få med i tillegg tar mål av seg til å sitte i regjering sammen med Høyre. Man kan bare undre seg på hva slags økonomisk politikk vi vil få med Fremskrittspartiet og Høyre i regjering – hvis så skulle bli tilfellet. Dessuten må debatter om bompenger og veisaker være lite utfordrende for Fremskrittspartiet å delta i. Det er akkurat den samme ordlyden hver eneste gang, i hvert eneste innlegg, i hver eneste replikk. Det eneste som endres, er stort sett tall og stedsnavn. Man kan si at det er tre måter å betale vei på: Den ene er at bilistene er med Det har tidligere vært nevnt her at Nord-Trøndelag ikke har peiling på hvor mye det vil koste med fire felt over hele fylket, det samme gjelder Hedmark. Det skal bygges fire felt over hele fylket uansett hvor stor trafikkmengden måtte være. Tallet har de altså ikke, men det er bare å hente fra oljefondet, Pensjonsfondet, det er ikke noe problem i det hele tatt. Vår viktigste sak er en ansvarlig økonomisk politikk. Den er viktig for rente- og kronekurs, som igjen er viktig for eksportnæringen, som er viktig for arbeidsplasser og for å bevare en sterk velferdsstat. Fremskrittspartiets viktigste sak er bompenger, og det er det som skiller oss og Fremskrittspartiet. Representanten Anne Tingelstad Wøien har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

men de fortsetter å stemme imot. Da blir det – med all respekt å melde – bare prat. Kan Fremskrittspartiet garantere at det ikke blir bompenger med Fremskrittspartiet, hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering til høsten? Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen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

med god tilkomst for alle. I tillegg skal transportsystemet dekkja samfunnet sitt behov for transport og fremja nasjonal og regional utvikling. I det store og samansette samferdselsbiletet har me her til lands langt på veg lukkast i organiseringa og drifta av luftfarten, nettopp når det gjeld å nå målet om eit effektivt og sikkert transportsystem. Likevel er det slik at nye tider også inneber nye krav og nye løysingar. Ikkje minst gjeld dette luftfarten, som altså har ei svært viktig nasjonal oppgåve i vårt langstrekte land, men som også meir enn andre transportformer er ein del av det internasjonale. Representantforslaget me i dag er inviterte til å debattera, har som tittel Modernisering av norsk luftfart, og fleire av dei delforslaga som her vert fremja, høyrer naturleg heime i ein slik diskusjon. Likevel må eg seia at det for meg vert litt feil å gå heilt i djupna og fatta einskildvedtak i dag når det seinare i vår kjem sak til Stortinget om Nasjonal transportplan for åra 2014–2023 – og som eiga sak kjem meldinga om verksemda i Avinor. Begge desse store sakene vil handla om den framtidige luftfartspolitikken, og eg trur det er rettast at vedtak om framtidig luftfart vert fatta i den samanhengen. Dette gjeld m.a. forslaget om å skilja flysikringsdivisjonen ut frå Avinor. Spørsmålet er til vurdering i Samferdselsdepartementet, og det vert for oss å handsama i den komande stortingsmeldinga om verksemda i Avinor. Når det gjeld forslaget om sterkare nordisk samarbeid for flysikringsverksemda, har ein samla komité merka seg at Noreg har teke på seg å delta i eit internasjonalt samarbeid gjennom å slutta seg til NEFAB, der m.a. også Finland er med. I Innst. 25 S for 2012–2013 om saka er det uttrykt sterkt ønske om å integrera NEFAB og den dansk-svenske luftblokka. Regjeringa jobbar altså aktivt for å få til ei slik integrering, og me parlamentarikarar kan i den prosessen også gjera vårt for å oppnå ei slik felles nordisk For to veker sidan var eg med på Nordisk Råd si samling i Reykjavik. Der vart spørsmålet reist frå norsk side, og Næringsutskottet – som det heitte der – slutta seg til at dette skulle vera eit prioritert område. Eg fekk då på vegner av «utskottet» i oppdrag å utforma spørsmål til dei nordiske regjeringane gjennom Sverige sin Björling. Dette vert teke opp i Nordisk Råd si samling i Stockholm no i april. Spørsmål om felles nordisk luftblokk på flysikring vil kunna omfatta viktige område som kompetanse, teknologiutvikling og organisering, og eg har i grunnen tru på at nordisk parlamentarikarsamling om dette verkeleg kan gjera susen i høve til å oppnå ønskt resultat. Når det gjeld spørsmålet om utarbeiding av eit system for enklare tollhandsaming av flyreisande i transfer på norske flyplassar, er transport- og kommunikasjonskomiteen samla i si understreking av at ei forenkling på dette feltet vil vera svært positivt for dei reisande, og komiteen er av den oppfatninga at det vil gjera norske flyplassar meir attraktive. Det er ei arbeidsgruppe som no har som siktemål å finna tidssparande og effektiviserande endringar i det systemet me i dag har for tollhandsaming for flyreisande i transfer på norske flyplassar. Dette er sikkert eit komplekst spørsmål, der spesielt dei tryggleiksmessige sidene må varetakast på ein god måte. Sjølv om det no vil vera rett å venta på den breitt samansette arbeidsgruppa sine tilrådingar, vil eg understreka at ein samla komité ønskjer ei løysing som gjer dette enklare for dei reisande. Eg vil med dette fremja mindretalet sitt forslag om at representantforslaget vert å leggja ved protokollen. Representanten Magne Rommetveit har tatt opp det forslaget han refererte til. Dette er et godt initiativ og gode forslag fra Kristelig Folkeparti. Det er vil med dette fremja mindretalet sitt forslag om at representantforslaget vert å leggja ved protokollen. Representanten Magne Rommetveit har tatt opp det forslaget han refererte til. Dette er et godt initiativ og gode forslag fra Kristelig Folkeparti. Det er bra at Kristelig Folkeparti nå er mer på linje med Fremskrittspartiet på viktige felt innenfor luftfartspolitikken. Jeg sier dette på bakgrunn av at Fremskrittspartiet i 2008 ba om – og senere også har bedt om – en egen stortingsmelding om luftfart transportplan. Den gang og senere ganger er Fremskrittspartiet blitt avvist av Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre og selvfølgelig også av regjeringspartiene. Men verden går altså fremover, også innenfor luftfartspolitikken. Innstillingen vi behandler i dag, viser at det er et flertall i transportkomiteen som består av Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet. Luftfart er spesielt viktig i Norge. Flytransport er moderne kollektivtransport – effektivt, sikkert og miljøvennlig.

også innenfor vei- og jernbanesektoren. Men Avinor-modellen kan og bør forbedres. Ulike virksomheter bør skilles ut i egne selskap, og det er etter Fremskrittspartiets syn ikke gitt at alle selskaper helt eller delvis skal eies av verken Avinor eller staten. Å skille ut flysikringstjenesten og styrke det nordiske samarbeidet vil bidra til at flysikringsvirksomheten at vi kan unngå bemanningskriser, som har plaget Avinor innenfor dette feltet, faktisk helt fra 2005. For øvrig regner jeg med at det blir grundig redegjort for i stortingsmeldingen om Avinors virksomhet, som regjeringen har varslet senere i år – den bør forresten snart komme. Fremskrittspartiets mål er helt klart: Ingen forsinkelser grunnet mangel på flygeledere. Vi i Vi gleder oss i dag over meldingen som Avinor har lagt ut på nettet om at de leier inn utenlandske flygeledere til Oslo kontrollsentral – helt i tråd med det Fremskrittspartiet har tatt til orde for lenge. Vi gleder oss over det. Tollbehandling er et eget kapittel. Det er et viktig kapittel ikke minst på bakgrunn av økende utenlandstrafikk. Det er et viktig kapittel fordi vi har særnorske, strenge regler. Fremskrittspartiet vil ha på plass en ordning som praktiseres i utlandet, dvs. at reisende fra utlandet som skal videre med innenlandsfly, kan få enklere bagasjehåndtering. Når egen bagasje er identifisert og klarert, må den kunne gå direkte på bånd. Reisende må kunne gå direkte til avgangshall uten ny sikkerhetsklarering. Dagens ordning forsinker de reisende, og – ikke minst – dagens ordning øker reisendevolum i sikkerhetskontrollen, spesielt på Gardermoen. Vi vet alle at kostnadene knyttet til dagens sikkerhetsopplegg er langt over en milliard kroner. Det er derfor grunnlag for å se på endringer som både kan spare tid, og som kan spare kostnader. Fremskrittspartiet er kjent med at en tverrdepartemental gruppe har men vi har inntrykk av at arbeidet har stoppet opp. Derfor ber jeg statsråden svare konkret på om det finnes en gruppe som ser på forenkling, om den er ferdig med sitt arbeid, når den eventuelt blir ferdig, og hva som er statsrådens plan for å forenkle og forbedre tollklarering for flypassasjerer som kommer fra utlandet til Norge, og som skal videre utenlands.

som har gjort at vi har hatt både streiker og mangel på personell, og som har ført til at fly har måttet stå på bakken eller har blitt forsinket på sine ruter. Mange har vært sterkt berørt av dette. På enkelte flyplasser er det veldig hektisk aktivitet, og på enkelte andre er det nesten ikke aktivitet i det hele tatt, kanskje bare et par bevegelser i døgnet. Nå er det slik at man må ha bemanning hele døgnet uansett. Jeg jobbet ganske nært med den delen av tjenesten i min tid i Forsvaret, og det var ikke fritt for at det var mange som måtte være på vakt, men jeg visste mange ganger at det de neste åtte timene ikke ville komme noen fly. Det er arbeidstid som egentlig ikke blir så veldig produktiv, og derfor er det så viktig at vi får til en fleksibilitet på dette området. Det Det er positivt at det nå settes i gang forsøk med fjerndrift av kontrollen på en av flyplassene i Vesterålen, så vidt jeg vet. Det kan bli en ordning som kan innføres også andre plasser. Det er allerede innført i Sverige. Men det er også mulig for underveistjenesten å ha en sånn type

Det har ikke vært gjennomført hittil. Det hadde vært en stor fordel. Vi så i går at Avinor har gjort en avtale med det svenske luftfartsverket, dvs. med LVF Aviation Consulting, om bemanning i Norge til sommeren. Det er veldig bra. Det er en flott utvikling som vi setter stor pris på. Forslaget tar også for seg at vi bør få et sterkere nordisk samarbeid, og det Forslaget tar også for seg at vi bør få et sterkere nordisk samarbeid, og det er veldig viktig. Vi er klar over at både Avinor og Samferdselsdepartementet ønsket det i forhandlingene forut for NEFAB-etableringen, men at vi ikke fikk med Danmark og Sverige på dette samarbeidet. Vi håper at disse landene kan bli med etter hvert. Vi vet at det første møtet i NEFAB var i Oslo i forrige uke. håper at Norge vil være aktiv når det gjelder å få i gang et slikt samarbeid framover. Så til tollbehandling, som vi også synes er en svært viktig sak. Jeg har selv flere ganger kommet hjem fra utlandet og blitt stående og vente på min bagasje. Riktignok har det vært lett å komme gjennom tollkontrollen, men når du kommer på den andre siden, har det gjerne vært opptil én time ventetid før du får lov til å sjekke inn på neste fly, og i mange tilfeller har du da mistet det flyet.

mente. Debatten illustrerer pengebruken til Framstegspartiet der: inga prioritering, hundrevis av milliardar kroner. Det andre er at no er òg Framstegspartiet for å bruka veldig mykje pengar på toget. Det er positivt i seg sjølv. Det tredje er altså Avinor og bygging av flyplassar, der skal ein òg få dei pengane ein vil ha. Det eg tenkte på då, var at dette er jo dette er jo Spania, dette er spanskesjuka, ikkje den gamle, men den som har vore i Spania no, der du bruker pengar på alt mogleg utan å tenkja på at du må prioritera. Du byggjer altså flyplassar til milliardar av kroner som viser seg å ha sju daglege passasjerar. Det seier seg sjølv at det kan ikkje gå. Så byggjer du altså ut og du byggjer ut masse lyntog, som òg skal konkurrera med kvarandre. Då ser ein kva som har skjedd med framstegspartipolitikk i praksis i Spania. Det går i dass. Det går sånn som det gjer når du trur at marknadskreftene skal ordna opp i alt, og ikkje har nokon ideologisk profil, berre rå populisme og må seia ja til alt som folk krev. Syting ja, men òg syta for å svara at me har svaret på alle ting, utan at me må prioritera noko som helst. Eg har òg lefla med bruk av oljepengar, det veit Framstegspartiet veldig godt, men då har eg gjort det med ei prioritering og ein mogleg finansieringsmodell à la den som i Sveits på tog. Så kan ein seia at Spania har vore styrt av Ja, det er delvis rett, men som de veit, når det gjeld det norske sosialdemokratiet, er det stor forskjell på det sosialdemokratiet me hadde i 2000–2001, som privatiserte Statoil og kom med helsereformer osv., og det sosialdemokratiet me har i dag, som er påverka av to andre parti. Men hovudutfordringa meiner eg ikkje berre seia ja til alt som er dyrt – vegar, jernbane, flyplassar – og ikkje stå til ansvar for at ein faktisk òg må prioritera ei eller anna transportform. Ein må gjerne velja kva ein vil prioritera, men dei bør synleggjera for veljarane at dei prioriteter ein eller annan transportplan. Då trur eg det blir firefelts motorvegar – til Kirkenes var iallfall kravet før, men eg har ikkje høyrt Hoksrud seia det i dag. Det kan han jo seia dersom han held innlegg seinare. Så vil eg problematisera litt omkring dette med norsk, som eg ser at Kristeleg Folkeparti, Høgre og andre er ute med, altså at flygeleiarane ikkje skal måtta kunna norsk. På sikt kan det henda at ein kan avvikla det heilt, men etter å ha hatt samtalar med flygeleiarar på Sola, som er knytt opp til verksemd på sokkelen og òg andre flyruter, vil eg seia at det er eit visst element av sikkerheit i dette, som gjer at vi iallfall ikkje må gjera dette raskt, fordi ein bruker norsk som ein del av språket i tårnverksemda. Så nordisk samarbeid: Sjølvsagt er me for det, og samferdselsministeren jobbar med det. Tollbehandling, som òg saksordføraren var inne på, er me einige om, men me har sannsynlegvis slite litt med det faste departementet me slit litt med når det er snakk om avgifter osv. Men det er no ei gruppe som jobbar for at me skal få til ei meir fleksibel ordning òg i Noreg. Konkurranseutsetjing: Ja, det har vore prøvd før for å gjera ting billegare, men eg minner om at Riksrevisjonen påpeikte at då vegvedlikeholdet blei konkurranseutsett, blei det faktisk 100 pst. dyrare å driva med

Det har gitt Avinor føreseielegheit og fridom til å møte ein marknad i endring. Suksessen har vore så stor at sjølv dei raud-grøne, som stemte imot fornyinga, ikkje reverserte dette da dei overtok makta i 2005. No er det derimot på tide med nye forbetringar. Då Avinor blei etablert av Bondevik skreiv regjeringa til Stortinget at «Luftfartsverkets framtidige struktur og organisering må vurderes løpende og bl.a. ses i sammenheng med strukturell og markedsmessig utvikling innenfor luftfarten». Da dei raud-grøne overtok, stoppa fornyinga av luftfarten. Mangel på flygeleiarar, med store forseinkingar som resultat, er dersom ein ikkje tilpassar seg endra marknadsforhold. Eg helser derfor velkommen konkurranseutsetjing av tårntenestene. Eg meiner tida er overmoden for å skilje flysikringsverksemda ut frå Avinors lufthamndrift. Det vil betre føreseielegheita, det vil opne for eit tettare nordisk samarbeid, og det vil auke tilgangen på kompetanse, bl.a. flygeleiarar. Målet er færre forseinkingar og eit betre tilbod til alle. I dag er det allereie eit godt samarbeid mellom Sverige og Danmark i utveksling av arbeidskraft og kompetanse innan luftfarten. Noreg må bli ein meir integrert del av denne kompetansemarknaden. Eg ser det òg som ein liten siger at Avinor no er med på å leie inn flygeleiarar frå eit svensk selskap, bl.a. for å forbetre situasjonen til neste sommar. Dessutan må me òg få bort kravet om at alle flygeleiarar må snakke norsk. Til det som representanten Langeland tar opp her: I dag er det altså eit krav om at alle må snakke norsk, og det er eit merkeleg krav frå Avinor når me har mangel på og kommunikasjonen er på engelsk. Sommarens flygeleiarkaos har avslørt at Avinor ikkje har ein god nok organisatorisk kontroll. Avinor må rydde opp for å få forsvarlege feriar og beredskapsrutinar. Me må unngå at den same situasjonen oppstår igjen. Då fortener Avinor ein betre verktøykasse enn dei har i dag. Dessverre ser det ut til at dei raud-grøne sin motstand mot konkurranseutsetjing er med på å hindre fornyinga. Samtidig har eg lyst til å seie at eg opplever saksordføraren sine ord om at dette er noko ein ønskjer å sjå på i NTP, og at ein i eigarskapsmeldinga vil kome tilbake til ulike spørsmål, som positive signal. Eg synest òg det er bra at ein ser på det som går på organiseringa av reisande frå utlandet som landar på Gardermoen og skal vidare til andre flyplassar i Noreg, at me kan få ein struktur som minner om den me har i Sverige. Der blir både sikkerheita vareteken og Tollvesenet sine oppgåver blir varetekne. Me har hatt ei arbeidsgruppe som har jobba vel og lenge med dette. Eg ser fram til at den arbeidsgruppa kjem med eit resultat som gjer at me får til ei reell forenkling og forbetring. Det skapar stor irritasjon at det er slik at me må sjekke ut bagasjen, gå gjennom sikkerheitskontrollen på nytt og sjekke inn på nytt. Det er med på å skape byråkrati og kontroll som viser seg å vere unødvendig, og andre naboland løyser dette på ein betre måte. Derfor ser me fram til at arbeidsgruppa kjem med eit forslag til forenkling, og eg håpar at statsråden kjem hurtig med endringar til Stortinget. Mye er eg håpar at statsråden kjem hurtig med endringar til Stortinget. Mye er sagt i denne saken allerede, så jeg skal nøye meg med en stemmeforklaring. Venstre støtter helhjertet opp om de tre forslagene fra Kristelig Folkeparti og de øvrige opposisjonspartiene. Som komiteens leder nettopp sa, skjedde det en betydelig modernisering under Bondevik II-regjeringen, noe som har gitt Avinor stor frihet til å utvikle seg i det moderne markedet. markedet. Så har lite skjedd etter Bondevik II, og tiden er absolutt moden for å foreta de endringene som opposisjonspartiene foreslår her i dag. Forslagene får altså Venstres støtte. Avinor har i dag ansvaret både for lufthavnene og for flysikringstjenestene. Flysikringstjenestene er Avinor har i dag ansvaret både for lufthavnene og for flysikringstjenestene. Flysikringstjenestene er i dag organisert i en egen divisjon. Gjennom sin § 10-plan, levert til eierdepartementet, har Avinor foreslått at flysikringsdivisjonen skilles ut som et eget heleid datterselskap. Avinor har videre en ambisjon om å ha en ledende posisjon i den nordeuropeiske luftromsblokken, NEFAB, og eventuelle utvidelser av den. den. Dersom tårntjenester skulle konkurranseutsettes i framtiden, har selskapet også som mål å være dominerende på sitt hjemmemarked. Samferdselsdepartementet som eier er nå i ferd med å vurdere de forslagene som er lagt fram fra Avinors styre. I den forbindelse har departementet fått utarbeidet en rapport i regi av det danske konsulentselskapet Integra. Integra-rapporten viser at spørsmålet om konkurranseutsetting og engasjement i utlandet for flysikringsvirksomheten reiser en rekke spørsmål som vil trenge en nærmere utredning. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til disse spørsmålene samt spørsmålet om utskilling av flysikringsdivisjonen i et eget datterselskap i forbindelse med eiermeldingen om Avinor. Departementet vil imidlertid vise til at Norge på området for undervegstjenester allerede har tatt på seg forpliktelser om et internasjonalt samarbeid gjennom tilslutningen til den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokken NEFAB. Departementet viser videre til at vi har et sterkt ønske om et tettere nordisk samarbeid for undervegstjenestene i framtiden, f.eks. gjennom en integrasjon av NEFAB og den dansk-svenske luftromsblokken. Når det gjelder situasjonen i flysikringstjenesten ellers, er det styret og den daglige ledelsen i Avinor som har ansvaret for å iverksette tiltak som er nødvendige for å sikre en tilfredsstillende robusthet i flysikringstjenestene, altså i Samferdselsdepartementet følger dette arbeidet tett som myndighet for luftfarten og som forvalter av det statlige eierskapet i Avinor. Som myndighet har Samferdselsdepartementet utpekt Avinor som nasjonal yter av flysikringstjenester. I forbindelse med at Samferdselsdepartementet forlenget vedtaket i fjor høst, altså høsten 2012, ble det også bestemt at Luftfartstilsynet fra nå av kan be Avinor om å legge fram planer for å forsikre seg om hvordan robustheten i tjenesteytingen kan ivaretas og også forbedres. I tillegg kan også Luftfartstilsynet nå be om detaljerte planer og redegjørelser for hvordan Avinor vil sikre bemanning av flygeledere. Videre innførte Samferdselsdepartementet i 2012 et nytt system for ytelsesstyring. I ytelsesstyringssystemet måles Avinors flysikringstjenester på områdene avgiftsnivå og forsinkelser i tillegg til sikkerhet og miljø. Samferdselsdepartementet vil ellers vise til at Luftfartstilsynet nylig har gjennomført en høring av et forslag om at det ikke lenger skal stilles krav om norskkunnskaper for å kunne arbeide som flygeleder i en kontrollsentral. Den saken er nå til behandling i

Forenklet tollbehandling for passasjerer som kommer fra utlandet, og som skal videre med innenriksflyvninger i Norge, vil være et positivt tiltak også for norske reisende. For Norge reiser saken noen vanskelige problemstillinger som må løses, ikke minst tolletatens mulighet til å opprettholde grensekontroll på dagens nivå så vel som de økonomiske konsekvensene av ulike alternativer for forenklet transfer. Samferdselsdepartementet har derfor i samråd med Finansdepartementet nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å utrede dette. Gruppen har representanter fra luftfartsnæringen, politi og tollmyndigheter og er bedt om å vurdere ulike alternativer for endringer i dagens system. Den endelige rapporten fra arbeidsgruppen foreligger ennå ikke, men regjeringen vil ta stilling til arbeidsgruppens anbefaling så snart rapporten foreligger.

Hvor lenge har gruppen som jobber med saken, vært i arbeid? Det er det ene jeg lurer på. Det andre er: Vil konklusjonen komme i samme eiermelding som jeg etterlyste i første delen av replikken? Hvilket syn har regjeringen på behovet for å forenkle tollbehandlingen for passasjerer som kommer til Norge?

fordi det også er viktig for Avinor, og fordi det er kommet til uttrykk gjennom en § 10-plan, der Avinors styre har tatt til orde for en rekke tiltak. Men det er vanskelig å være nøyaktig og eksakt på dato, sjølsagt. Så er det også enkelte spørsmål knyttet til luftfart og Avinor som også må omtales i Nasjonal transportplan.

Den blei sett ned før sommaren 2011, dvs. at den no har jobba i snart to år. Dei ser altså på korleis me kan skape forenklingar for flyreisande som bl.a. landar på Gardermoen og skal vidare til ein annan flyplass. Når det gjeld eigarmeldinga, har me da eit svar frå denne arbeidsgruppa når me får meldinga i vår? Eller er det sånn at me må vente til eit nytt storting, og at det vil ta over tre år frå arbeidsgruppa blei nedsett, til ein kan få ei behandling av denne saka i Stortinget? Jeg er glad for at presidenten kan hjelpe meg med datoen når det gjelder den endelige fristen, men jeg kan fortsatt ikke forskottere akkurat når men jeg kan fortsatt ikke forskottere akkurat når meldingen kommer. Jeg er klar over at dersom Stortinget skal få mulighet til å behandle den, gjelder det en frist for det. Når det så gjelder forenklet transfer, har arbeidsgruppen vært i arbeid en god stund. Jeg tror heller ikke det er noen hemmelighet at det nok er litt delte meninger mellom de ulike etatene omkring dette spørsmålet, og at det er sider ved det som synes komplisert når du ser på de ulike delene av næringens og myndighetenes – særlig tollmyndighetenes – utfordringer. Det er et mål for regjeringen at vi skal få behandlet også det i løpet av våren. En mulighet er også å orientere Stortinget og gi Stortinget mulighet til å drøfte det i forbindelse med eiermeldingen om Avinor. Men det er det ikke tatt endelig stilling til. Siste replikk går til Arne Sortevik. Da blir det mer mer tollbehandling. Én ting er å ha som mål å få behandlet et eventuelt resultat fra denne arbeidsgruppen som har brukt ufattelig lang tid, noe helt annet er å ha som mål å få på plass en forenkling. Jeg merket meg fra statsrådens innlegg at de to EU-statene Sverige og Finland har fått unntak fra EUs eget regelverk. Da gjentar jeg: Hva er ambisjonen for denne i tollbehandlingen for flypassasjerer som kommer til Norge – på linje med det man har fått til i Sverige og Finland? Det vil jeg gjerne ha et avklarende svar på. Det er riktig at arbeidsgruppen også vurderer akkurat den ordningen som har blitt innført på Arlanda, og ser på om det er mulig å innføre den på Gardermoen. Det er et av løsningsalternativene vi håper å få oversikt over når arbeidsgruppens rapport foreligger. Den typen løsning som Sverige gikk inn for, kunne være én mulighet for en positiv løsning også for reisende i Distrikts-Norge, men før regjeringen tar stilling til det, må den gå igjennom de ulike alternativene fra

og alternativer, men som en reaksjon på en ytterst kjedelig situasjon i forbindelse med fjorårets ferieavvikling. Det er – med respekt å melde – et nokså spinkelt grunnlag for så vidt grunnleggende endringer i norsk luftfartspolitikk, og det forundrer meg at Kristelig Folkeparti og komitélederen kan fremme et så vidtgående forslag, uten tanke for de sikkerhetsmessige og beredskapsmessige konsekvensene av en slik endring. Høyre og Fremskrittspartiet har for lengst opphøyet konkurranseutsetting av offentlig virksomhet til et ideologisk prinsipp. Nå følger Kristelig Folkeparti etter. For meg står det klart at Avinor-systemet ikke vil overleve et regjeringsskifte. Kryssubsidieringsprinsippet, som gir liv til de aller fleste av landets flyplasser, ofres nå på konkurransens alter. Til gjengjeld får enten skattebetalerne gleden av å dekke flyplassunderskuddene over statsbudsjettet, eller så må flyplassavgiftene på kortbanenettet heves kraftig. Smått om senn kan vi kanskje også regne med at det legges ned en og annen flyplass her og der – fortrinnsvis i Distrikts-Norge. Da er det ganske naturlig at Fremskrittspartiet – med støtte fra Høyre – også vil slippe inn underbetalte asiatiske flymannskap i norsk og skandinavisk luftfart. Fremskrittspartiet har til og med den frekkhet å mene at etter en høringsrunde med 900 høringssvar har truffet en lite gjennomtenkt konklusjon – som om Fremskrittspartiet er et parti som utmerker seg med gjennomtenkte løsninger på dette og hint. Det gjør selvfølgelig ikke inntrykk på høyrepartiene at samtlige arbeidstakerorganisasjoner i norsk luftfart advarer mot en ytterligere Regjeringen har valgt å holde fast på et norsk og europeisk regelverk, hvis hensikt nettopp er å skjerme viktige arbeidsplasser i norsk og skandinavisk luftfart fra undergravende konkurranse fra billige flymannskap fra lavkostland i Østen. Det var interessant å høre hva foregående taler

har kjøpt opp utenlandske selskaper, og bruker disse selskapene i Norge med lokal lønn i helt andre land. Det Fremskrittspartiet har sagt når det gjelder Norwegian, er at Norwegian, på samme måte som SAS – som flyr med delvis asiatisk ansatte inn til Skandinavia – også burde ha den samme muligheten på sine flyvninger. Det som på sine flyvninger. Det som egentlig gjorde at jeg tok ordet, var at jeg hørte på representanten Langeland. Jeg skjønner at han egentlig ikke var så interessert i å diskutere hva dette handler om, men han var veldig interessert i spansk politikk. Jeg får ofte kritikk for at jeg diskuterer og forteller hvordan andre land løser i hvert fall noen av utfordringene sine, men da må det være greit for representanten Langeland å ha med seg at det var vel sosialistene som har gjort alt det han ikke liker. liker. I 2011 var det – så vidt jeg har kunnet bringe på det rene – de borgerlig som overtok for å rydde opp i skakkjøringen etter sosialistiske partier som ikke bestemte seg for hva de faktisk ville gjøre på samferdselsområdet. Til representanten Langeland: Jeg kan berolige ham med at Fremskrittspartiet er opptatt av hvordan vi bruker pengene, og at de blir brukt på en fornuftig og god måte. Men når Langeland har 900 mrd. kr til høyhastighetstog eller lyntog mellom de fem største byene i Norge, ønsker Fremskrittspartiet heller å bruke deler av de pengene på å modernisere den jernbanen vi har i dag, og sørge for at intercitytrianglet, Ringeriksbanen og Bergensbanen får en fart på over 200 km/t, i stedet for å drømme om 300–400 km/t, som Langeland sikkert gjør.

fikk en avklaring før sommeren på hvordan vi kan få til en bedre tollklarering, slik at også folk som bor andre steder i landet, og som skal videre, slipper å måtte gå ut og så inn igjen på nytt for å komme seg videre til dit reisen slutter. Presidenten vil minne om at det er sak nr. 5 vi har til behandling, og den gjelder luftfarten, etter det jeg har forstått.

me har følgt opp den utviklinga som har vore, og det er brei semje om kva for viktige ting me må satsa på framover. Difor synest eg at debatten òg har vist at påstanden om at alt har stansa opp etter at denne regjeringa overtok, fell på si eiga urimelegheit. Det har aldri vore så stor aktivitet i luftfarten som det har vore dei siste åra. åra. Luftfarten er vel – utan å snakka ned andre transportformer – noko av det me i transportsamanheng er mest stolte over, både me som er her i Stortinget, og andre som balar med transport. Eitt eksempel eg høyrde om no, var at CNN, eller kven det var, var på Gardermoen for å laga ein og visa verdas beste vintervedlikehald på flyplass. Det er òg ein del av dette. Eg synest at me oppe i dette skal senda ein takk, ikkje berre til oss sjølve for alt det gode me har gjort, og alt det gode me kjem til å gjera i eigarmeldinga og i NTP, men òg til alle dei som jobbar i luftfarten, som verkeleg er dedikerte og står på nettopp fordi me skal ha eit godt tilbod. Det viser òg at me er moderne, at me er moderne, at me er i utvikling, og endå fleire steg i den utviklinga vil koma i eigarmeldinga og forhåpentlegvis òg i Nasjonal

flymannskap fra fortrinnsvis Østen får operere i norsk luftrom, for det forteller ganske klart hvilke prinsipper de selv ville legge vekt på ved utformingen av ny luftfartspolitikk om så galt skulle skje at de kom i posisjon. Tilgangen til billig utenlandsk flymannskap er ikke bare overordnet norske regler, retningslinjer og arbeidsplasser, det er sosial dumping satt i system. Det er slik høyrepartiene tegner framtiden til internasjonal luftfart. Og de som ikke følger med på ferden til Ryan Air og Norwegian, har altså ikke livets rett, Når Norwegian nå truer med å flagge ut i protest mot norske rammebetingelser, ønsker jeg dem faktisk lykke til på reisen. Enda bra at EU nå synes å ta initiativ til å knesette visse prinsipper for de ansattes arbeidsbetingelser, tilhørighet og skatteforhold i luftfartsindustrien. Alle som jobber i norsk luftfartsindustri, bør merke seg dette.

fortelle hvordan regjeringens rød-grønne jernbanepolitikk nå ser ut hvis man får sitte i tolv år. Det innebærer at hastigheten skal reduseres, at stasjoner skal legges ned, at en skal bygge mindre gode løsninger for stasjonene, at nye prosjekter skal ta lang tid å planlegge, at det skal ta lang tid å bygge og helst på en ekstra dyr måte, og vedlikeholdet er det ikke alltid så veldig Statsråden har også uttrykt at lyntog eller høyhastighetstog må vente fordi intercity kommer først. Hva er dette for slags dobbeltkommunikasjon? Definisjonen på hurtigtog er nettopp 250 km/t, så det er all grunn til å spørre om statsråden har fått dette med seg. Har Stortinget noen gang bedt om egne skinner og spor hvor det skal kjøres såkalt «ille hurtige» tog? Svaret er nei. Stortinget har tvert imot bedt om at når nye jernbanelinjer bygges for fremtiden, skal de bygges med en hastighet på 250 km/t som standard. Nå har også Nasjonal transportplan blitt utsatt. Før påske er nå blitt til etter påske, og med knappest mulig tid før For oss som er på utsiden, virker det som at vi nå får se resultatet av kampen mellom vei og jernbane i regjeringen – eller er det sånn at det som kommer til syne, er Senterpartiets ønske om ikke å bygge tog og jernbane, men heller vei? Regjeringen skryter av pengebruken. Samtidig ser vi at resultatene uteblir. Regjeringen har lovet en ny Follotunell siden 2007, men fremdeles er det slik at spaden ikke er satt i jorden. Det holder ikke. ikke. Vel er farten på toget viktig, men enda viktigere er tempoet på utbyggingen av dobbeltsporet jernbane i intercitytriangelet. Sett fra Høyres side er det viktig at vi nå setter klampen i bånn. De samfunnsøkonomiske beregningene av dobbeltspor i intercityområdet har hatt sprikende konklusjoner. Noen har vist lønnsomhet knyttet mot rushtidsavgift, andre har vist liten lønnsomhet. Med så stort sprik blir ikke tallene i seg selv så veldig interessante. Det er umulig å regne seg vekk fra virkeligheten. Vi vet også at utbygging av moderne jernbanestandard på Østlandet vil gagne hele Norge, ikke bare Østlandet, fordi Lillehammer er en viktig del av jernbanelinjen til Trondheim. Vestfold og Telemark vil knyttes nærmere til Oslo, og sånn sett vil dette gagne hele landet og være en del av et nasjonalt prosjekt. Jernbanen til vestre del av Østfold er en viktig forbindelse til Europa, som binder Norge til kontinentet, og vice versa, i tillegg til at dette også er avgjørende for viktige interesser som regionforstørrelse og godstrafikk.

Dessverre har vi innenfor dette området sett at mangel på mot eller visjoner har stått i veien. I snart åtte år har regjeringen kjørt vei- og jernbaneutbygging med bremsene på. Det er på tide å få fart på sektoren. Vi trenger flere og tryggere veier, men vi trenger også en raskere jernbane. Regjeringen har så langt i gjennomsnitt ferdigstilt 4 km jernbane per år. For å få en raskere utbygging av jernbanen spesielt trenger vi helhetlige og effektive metoder for planlegging. Vi trenger organisering av prosjektene som gir fleksibilitet både i planleggingen og i utbyggingen, og som gir langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen. Dagens årlige budsjetteringer, langtekkelige planlegging og klattvise utbygging fordyrer og forsinker prosjektene. prosjektene. Jeg har lyst til å sitere direktøren for marked- og leverandørutvikling i Jernbaneverket, som i forrige uke fortalte på Høyres jernbaneseminar at «vi har bygget for sakte og for dyrt». Det er en ærlig og modig innrømmelse. Men det tilsier også at vi trenger både en nødvendig modernisering og en annen type tenkning innenfor transportsektoren. Høyre vil vi ha kortere og bedre planlegging, vi vil modernisere jernbaneverket og Statens vegvesen, og vi vil bruke flere penger. Det siste forutsetter også at vi er i stand til å bruke midlene smartere og bl.a. slutte med den klattvise og dyre utbyggingen som vi ser på både jernbane og vei i dag. Hver dag er reisende avhengig av jernbanen for å komme til og fra arbeid, studier, behandling m.m. Dette er hverdagen. Hver dag er næringslivet avhengig av en jernbane de kan stole på, sånn at varer og annet gods kommer til og fra markedene. Høyre ønsker å sette en frist. Høyre mener alvor med klimamålsettingene og forliket. Regjeringen ville ikke fastsette et årstall. Høyre sier at hele intercity skal bygges ut innen 2030 og gjerne før. Vi må også få på plass en ny Oslo-tunnel. Det er godt underbygget, det er godt dokumentert: Der står togene i kø allerede i dag. Det er nødvendig å forplikte seg til en ferdigstillelsesdato for utbyggingen av dobbeltspor på Østlandet, både i partiprogrammer og også i behandlingen av Nasjonal transportplan. Transportetatene sier at de kan bygge det på ti år. pst. av togreisene i Norge foregår på Østlandet. Kapasiteten er sterkt presset. Befolkningsveksten har blitt en reell utfordring for hele østlandsområdet, og de neste tiårene vil reisende med tog og bil måtte belage seg på kø, kork og kaos hvis ikke utbyggingen av dobbeltspor i intercityområdet på Østlandet realiseres raskt nok. Næringslivet – med varer og gods til og fra markedene – trenger dette, ikke bare i østlandsområdet, men i hele landet. Det er nytt, det er positivt, og det er viktig at alle partiene nå omtaler intercity og sier at dette må prioriteres. Løftene er imidlertid mer verdt dersom de følges av en forpliktelse til en ferdigstillelsesdato og en forpliktelse til å prioritere intercity foran andre samferdselsprosjekter. Det har blitt bevilget 68 pst. mer penger til jernbane fra 2005 til 2011, men fortsatt er det slik at togene står, kjøreledningene faller ned, og signalanleggene svikter. Begrepet «sild i tønne» blekner, og «silda» besvimer. Statistisk sentralbyrå varsler at Oslo, Akershus og Rogaland vil ha landets sterkeste befolkningsvekst fremover. Vi snakker om over 30 pst. vekst mot 2040. 2040. Konsekvensutredningen for intercitytriangelet viser at det er mulig å gjennomføre en rask utbygging av dobbeltspor, men for å klare dette må de økonomiske rammene for jernbane økes drastisk. Det krever økte økonomiske rammer for Jernbaneverket og forpliktende vedtak om finansiering over mange år. I tillegg til endring i finansieringsregimet krever en slik progresjon også raskere utbygging av jernbanen med mer effektive planprosesser. Dagens planarbeid kan ta ni–ti år. Da er det helt umulig at et så omfattende prosjekt som intercity kan ferdigstilles innen 2025. For å få fart på utbyggingen må også planprosessen effektiviseres. Det er helt nødvendig at fylkeskommunene og staten sammen gjennomgår hvordan planleggingstiden kan bli kortest mulig, og at disse tiltakene settes i verk umiddelbart. For å få fart på intercity er det også helt avgjørende å få en endring av dagens finansieringsregime. Dersom intercity med dobbeltspor skal bli en realitet, må vi ta den vanskelige debatten om finansiering av store utbyggingsprosjekter. I dag lider utbygging av jernbane under en finansiering basert på årlige budsjetter. Dette har ført til store forsinkelser i utbygging og tidvis byggestans i enkeltprosjekter, i tillegg til stor usikkerhet for kontraktørene med de betydelige merkostnadene dette innebærer. Det er ikke mulig å få en effektiv utbygging uten en endring av finansieringsregimet som kan sikre langsiktige avtaler mellom stat og utbygger. Regjeringen sender doble signaler om dagen. På den ene siden blir det sagt at investeringsnivået skal økes i neste Nasjonal transportplan. På den andre siden sies det at mange vil bli skuffet. Regjeringen har satt i gang planlegging av flere prosjekter, men har kommet til kort når det gjelder progresjonen i selve byggingen. Samferdselsministeren skapte med sine uttalelser sommeren 2012 mye usikkerhet om intercityutbyggingen. La meg først få lov til å slå fast at jernbanen er La meg først få lov til å slå fast at jernbanen er en viktig del av løsningen på de transportbehovene den forventede befolkningsveksten i Norge vil gi. Jernbanen kommer til å være en viktig del av løsningen på et mer moderne transportsystem og en helt nødvendig del av løsningen på Det er det ingen tvil om. Det har denne regjeringen erkjent, og derfor har også bevilgningene til Jernbaneverket og til kjøp av persontransport med tog økt kraftig i løpet av de årene som er gått siden denne regjeringen overtok i 2005. Regjeringen er i full gang med å modernisere jernbanen. For dem som benytter jernbanen, vil det bety at det vil bli tatt i bruk nye tog med god komfort, som kommer og går i henhold til ruteplanen,

enn tidligere, og punktligheten har i 2012 vært langt bedre enn på mange, mange år. Så gjenstår det mye arbeid med å ruste opp en gammel og nedslitt jernbaneinfrastruktur og ikke minst å gjennomføre nye, store investeringsprosjekt for å få økt kapasiteten på jernbanen, slik at vi kan få flere og raskere tog. Regjeringens forslag til statsbudsjett i fjor høst innebar at en økte investeringsbudsjettet for jernbanen med 1,4 mrd. kr, til statsbudsjett i fjor høst innebar at en økte investeringsbudsjettet for jernbanen med 1,4 mrd. kr, til til sammen 6,1 mrd. kr. Til sammenligning var bevilgningen i 2005, da representanten Schous parti satt i regjering, på under 2 mrd. kr. Det vil si at økningen i jernbanebudsjettet fra 2012 til 2013 var nesten like stor som hele investeringsbudsjettet for jernbane den gangen Høyre sist satt i regjering. Den store økningen en har lagt opp til i 2013, har vært helt nødvendig for å kunne videreføre de arbeidene på mange store og små jernbaneprosjekt som nå er satt i gang. Det gjelder bl.a. utbyggingen av dobbeltsporparseller på Vestfoldbanen og på Dovrebanen, som jo vil inngå som en del av intercityutbyggingen på de strekningene.

raskt kan iverksettes. Det synes jeg som samferdselsminister er svært positivt. Jeg synes også det er viktig at det fortsetter, og jeg kan ikke se at jeg noen gang har uttalt meg tvilende til realiseringen av intercity. Regjeringen er også opptatt av å ruste opp og økte kapasiteten på jernbanestrekninger utenfor Oslo-området. I 2013 blir det derfor lagt opp til å starte arbeidene med ny tunnel gjennom Ulriken på Bergensbanen og også til å bygge et dobbeltspor med ny bro over Stjørdalselva mellom Hell og Værnes på Trønderbanen. Samferdselsinfrastrukturen er også sårbar for noe av det vi kan se i årene foran oss når det gjelder ekstremvær, ras, brudd i telenett og også kanskje terror. I bevilgningen til samferdselsforskning for inneværende år har vi derfor prioritert også samfunnssikkerheten knyttet til infrastrukturen på jernbanen. Da den rød-grønne regjeringen overtok i 2005, er det ingen tvil om at vi overtok en ganske nedslitt jernbane. De prosjektene og de investeringene regjeringen har satt i gang, har vært veldig viktige. Det gjelder også det prosjektet som kalles Osloprosjektet, som ble iverksatt i 2010, og som har bidratt til å fornye en god del av det som er knyttet til området rundt Oslo S og innfarten til Oslotunnelen. Det har dessverre medført at en de to siste somrene har vært nødt til å stenge Oslo S i noen uker for å få gjennomført svært omfattende fornyelsesarbeider. Det er klart at når du jobber med samferdsel, og du som politiker er opptatt av samferdsel, kan det noen ganger være frustrerende at det tar tid fra du gir klarsignal til å starte opp et prosjekt, og til du ser resultatene av

kan få resultater av utbyggingen. Jeg har litt vanskelig å forstå det når man sier at det ikke er rasjonell utbygging av de prosjektene som nå er i gang. De er fullt ut finansiert for å få en rasjonell utbygging. Dette gjelder både Farriseidet og strekningen nedover Vestfoldbanen og Langset–Kleverud. Så må jeg også få legge til at til tross for at det

I tillegg betyr det at kapasiteten på NSBs materiell må økes i årene framover. Regjeringen har gitt NSB mulighet til å kjøpe inn 66 nye tog. Det vil være et viktig bidrag for å gi de tilreisende et bedre tilbud i tiden framover. Fra april i år vil NSB få levert ett nytt tog hver 3. uke i flere

sammenliknet med 200 km/t på intercitystrekningene for henholdsvis intercitytog som skal stoppe i de fleste byene, og for høyhastighetstog som kanskje bare skal stoppe i noen få byer. I utgangspunktet skal man jo bygge så rette traséer som mulig, men jeg tror ikke det nødvendigvis er så klokt å la et prinsipp om 250 km/t føre til at stasjonene i byer som f.eks. Tønsberg eller Fredrikstad liggende flere kilometer utenfor sentrum, fordi traseen må være rettest mulig. Dette er ett av de eksemplene vi har bedt Jernbaneverket om å få nærmere gjennomgang av. Hvordan vi har tenkt å møte de videre transportbehovene som befolkningsveksten gir, hvordan vi har tenkt å sørge for at veksten i persontransport i de store byene i framtiden skjer med hvordan vi har tenkt å sørge for at veksten i persontransport i de store byene i framtiden skjer med miljøvennlige transportmidler, hva slags strategi regjeringen har for å overføre gods fra veg til sjø og bane, og hvordan og når regjeringen skal fortsette utbyggingen av intercitystrekningene, vil regjeringen komme til i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, som vil bli lagt fram for Stortinget i løpet av våren.

Jeg tror også jeg må få opplyse statsråden om at Bondevik II-regjeringen overtok en meget nedslitt jernbane – etter mange tiår, og derfor økte bevilgningene med 60 pst. Til tross for at dagens regjering skryter av at den har bevilget 68 pst. mer, uteblir resultatene. Togene står, signalanleggene er fortsatt ute av drift, og reisetiden er på veldig mange strekninger lengre enn den var i 1975 – mer enn fem minutter på strekningen fra Askim til Oslo. Til tross for at stasjoner legges ned, og man skulle kunne kjørt fortere fordi man kjører forbi stasjoner, er reisetiden mye lengre for veldig mange. Valuta for pengene er det vel neppe noen som kan si at man får i østlandsområdet i morgen- og

Det sier noe om at regjeringen etter snart åtte år har hatt mange gode anledninger til å gjøre noe med planleggingssystemet, finansieringssystemet og det å tenke helhetlig og gjerne begynne med kreative, moderne idéer og løsninger som utbyggingsselskap. Vi har erfaringer fra Avinor, som vi nettopp har diskutert, som kunne være et utgangspunkt for en modell. Det er veldig bra med nye tog 66. Det er bare det at NSB varsler at behovet er 100. Oslotunnelen er trang. Man står i kø. Enhver henvisning til denne typen problemer blir fra regjeringens side besvart med: neste Nasjonal transportplan, ikke nåværende, ikke moderne, nye saker, ikke nye løsninger. Hele tiden skyver man på det til neste Nasjonal transportplan, som skal komme en eller annen gang før sommeren og etter påske. Hovedbanestasjonen i Oslo har vært stengt to somre, uten at vi ser at det så langt har hatt effekt. Er det så stor langtidsplanlegging som skal til når man skal se resultatene først om ti–tjue år, men ikke nå? Ingen kan forklare det.

Så pekte jeg i mitt svar til interpellanten på at siden den rød-grønne regjeringen tok over, har bevilgningene til jernbanen blitt doblet. Bevilgningene til investeringer er blitt tredoblet. Brorparten av alle dobbeltspor som er bygd i norsk jernbane, fra den dagen man begynte å ha jernbane i Norge, og fram til i dag, er bygd under den sittende regjering. Så det er et helt annet Jernbane-Norge vi ser nå,

bare kort tid før regjeringen skal legge fram Nasjonal transportplan. Vi skal sjølsagt komme tilbake til det spørsmålet i sin fulle bredde når Stortinget får seg framlagt Nasjonal transportplan. Så har jeg lyst til å peke på at utbygging av jernbanen er viktig også andre steder i landet. Det er svært viktig at man i Bergens-området får på plass en ny tunnel, Ulriken tunnel, som kan bidra til et bedre jernbanetilbud rundt Bergen.

med nye forslag, er jeg overrasket over at Høyre i sitt alternative budsjett i fjor høst ikke la inn ekstra forslag vedrørende jernbanen og jernbanesatsing utenom en heis i Holmestrand til 15 mill. kr. Jeg vil starte med å takke interpellanten for å reise denne debatten og

såkalte byråkraten i Jernbaneverket – på dette seminaret – nærmest trollbandt forsamlingen med sitt budskap om hva som nå gjøres for å bygge en effektiv jernbane fortere og billigere enn det vi hittil har gjort i Norge. Artikkelen viser også til hvordan nye politiske vinder, økte bevilgninger og økt politisk oppmerksomhet er årsakene til at vi nå ser en ny vår for jernbanen, til stor begeistring for de Jeg er glad høyrefolket på seminar lot seg begeistre av jernbanen og hvordan den har utviklet seg mens Arbeiderpartiet har sittet i regjering, hvor man ikke har vært redd for å ta i bruk nye og moderne løsninger for å bygge mer jernbane raskere. Det får vi gjort når økningen i årets jernbanebudsjett er like stor som det samlede investeringsbudsjettet sist Høyre satt i regjering. I år er det i gang, som statsråden var inne på, fire større dobbeltsporprosjekter i intercitytriangelet. Til sammenligning var det ett prosjekt, nytt dobbeltspor Lysaker–Asker, sist Høyre satt i regjering – som de så vidt klarte å holde gående. Det er en forskjell. Det er ikke bare mer penger, det bygges også mer jernbane. Det Som et eksempel på nytenkningen: Nei, Follobanen er ikke satt i gang, det handler mye om plantekniske utfordringer, men Follobanen er i sum det største samferdselsprosjektet norgeshistorien har sett – 20 mrd. kr snakker man om. Det er ett prosjekt. Da forrige regjering satte i gang Asker–Lysaker, var det stykket opp i tre delprosjekter. Det er Arbeiderpartiet og regjeringen som fornyer Norge. Interpellanten er i likhet med meg opptatt av å få bygd ut intercity så raskt som mulig. Representanten Schou spør om når. Det er logisk, og det er gjentatt til det kjedsommelige: Vi kommer til å presentere vår intercitystrategi når vi legger fram den nye nasjonale transportplanen, slik vi også har sagt tidligere. Når vi skal lage en plan for alle statlige samferdselsprosjekter de neste ti årene, sier det seg selv slik vi også har sagt tidligere. Når vi skal lage en plan for alle statlige samferdselsprosjekter de neste ti årene, sier det seg selv at det er der vi presenterer vår politikk for de neste ti årene. At intercity vil få en helt sentral plass i den planen, er helt sikkert – tidfesting kommer vi tilbake til. Vi kommer også til å bygge ut strekninger med 250 km/t pluss, som vi i dag gjør på Vestfoldbanen. Samtidig viser beregninger at tidsbesparelsen er minimal, men forskjellene i kostnader på noen strekninger kan være store. Derfor mener jeg at det om to ganger når det gjelder noen strekninger. Så er Arbeiderpartiet opptatt av hvordan intercity kan være første utbygging på høyhastighetstog mellom de store byene, og da er hastighet relevant. Men det må være lov å bruke hodet og se om effektene faktisk er slik man antar, eventuelt til hvilken pris. Det er det vi har gjort. Også dette spørsmålet vil vi komme tilbake til transportplan, men vi bygger i dag strekninger som er dimensjonert for 250 km/t, og vi kommer til å gjøre det også i tiden som kommer. Vi var flere som reagerte – og ikke bare positivt – da kvalitetssikringen av intercity kom for et par uker siden. Noen av konklusjonene mener jeg at det er god grunn til å sette spørsmålstegn ved, men helt irrelevant er den jo ikke. Representanten Schou var raskt ut og kalte dette et bestillingsverk fra Jeg mener at hun bør beklage til seriøse, uavhengige institutter, som TØI og Dovre, for å ha trukket deres integritet i tvil, dernest for å insinuere noe sånt overfor regjeringen. Men det jeg likevel syntes var mest oppsiktsvekkende med Høyres reaksjoner på kvalitetssikringen, var at det virket som om de var villige til å se helt bort fra den. Her snakker vi om investeringer på 135 mrd. kr av skattebetalernes penger – og de avfeier den helt. Jeg hadde forventet noe annet fra Høyre. Det kan jo være at kvalitetssikrerne har noen poenger og bemerkninger som det er grunn til å se nærmere på – bl.a. innspill om Oslotunnelens betydning for togavviklingen. Vi er i gang med intercityutbyggingen i et mye større tempo enn tidligere. Den nye nasjonale transportplanen kommer til å ha stor betydning for de reisende Jeg vil nok en gang takke interpellanten for at vi fikk ha denne debatten. Jeg synes også det er en interessant debatt. Det er interessant å registrere representanten Schous tilnærming, men jeg har først lyst til å starte med statsråden. Statsråden sa i sted at Farriseidet, Dovrebanen og andre strekninger var finansiert fullt ut. Det stemmer ikke, så vidt jeg har lest av statsbudsjettet. For bl.a. på Eidangerparsellen er det satt av 400 mill. kr, og i NTP var det satt av ca. 3,6 eller i underkant av 4 mrd. kr. Nå er regningen for dobbeltspor 6,8 kr. Dovrebanen er vel heller ikke fullfinansiert. Men nå får vi jo se når ny Nasjonal transportplan kommer – en eller annen gang – fra regjeringen. Jeg er veldig enig med statsråden: Det viktigste er kanskje ikke hvor fort man kan klare å få toget til å kjøre, men hvor fort folk blir transportert fra A til B. Det er altså noen begrensninger. Spesielt på Vestfoldbanen vet vi at det å tro at toget skal kjøre 250 km/t,

i. Så gikk det noen uker, og så bestemte man seg for at man ikke kan bygge ut hele intercitytriangelet i neste nasjonale transportplanperiode, vi må også bygge ut Ringeriksbanen og Bergensbanen. Ja, det er viktig det også, men jeg trodde man var enig om å bygge ut intercitytriangelet så fort man kunne. Og for kort tid siden registrerte jeg – igjen – at Høyres leder var ute og sa at nå måtte regjeringen legge trykk på full intercityutbygging – uten å tidfeste. tidfeste. Representanten Ingjerd Schou sa her i sted at Jernbaneverket har sagt at man kan bygge ut full intercity på ti år. Men Høyre sier altså at man trenger tiden fram til 2030 – det er 16 år. Hvis det er sånn at det er viktig å bygge intercitytriangelet nå og bli ferdig med det så raskt som mulig, må vi sørge for å finne pengene for å få det til. Fremskrittspartiet og Venstre er enige om, og vi har som mål – vi har forslag her i denne salen – at innen så raskt som mulig, må vi sørge for å finne pengene for å få det til. Fremskrittspartiet og Venstre er enige om, og vi har som mål – vi har forslag her i denne salen – at innen 2025 skal full intercityutbygging være på plass. Det er ambisiøst, men det er en ambisjon vi deler, og vi er glad for at Venstre er enig med Fremskrittspartiet. Så får vi se hva regjeringen faktisk kommer til, når vi kommer så langt. Det er viktig å sørge for at vi kommer i gang med intercityutbyggingen fullt ut. Ja, det skjer en susende i høyt tempo de neste årene. Da er vi nødt til å møte det. Skal vi fortsette å gjøre som vi har gjort i mange år – løpe etter? Eller skal vi begynne å møte det og ligge i forkant? Hvis man mener at man skal ligge i forkant, må man begynne å bygge ut, og man må begynne å bygge ut raskt. Det er i hvert fall Fremskrittspartiet villig til å gjøre. Noen var innom planleggingstid. Vi må redusere planleggingstiden – det er jeg helt enig

egne utvalg som har vært nedsatt, og som er ferdig med arbeidet sitt for lenge siden. Man klarer altså ikke å få ut fingeren og sørge for å sette det ut i livet, og det vil jeg utfordre statsråden på: Hvorfor er det så himla vanskelig å få til det man har gode og konkrete løsninger på – hvordan man skal kutte planleggingstiden. Det er veldig enkelt: Det er bare å gjøre planleggingen i større omfang av gangen,

agendaen. Jeg husker at da vi i SV i Vestfold gjorde dobbeltspor til en hovedsak i 1989, var vi det eneste partiet som snakket om jernbane. Det ble bygd en parsell med dobbeltspor som var ferdig i 1998, så var det bom stopp. Det var først da SV kom i regjering at det ble ny fart på jernbaneutbyggingen. Som det er sagt her, bevilgningene til vedlikehold kraftig styrket. Investeringene er tredoblet til 6,2 mrd. kr, mens det var 1,3 mrd. kr under den forrige regjeringa. Bare økningen i investeringsbudsjettene fra 2012 til 2013 er altså større enn den totale investeringsrammen til den regjeringa som representanten Schou var medlem i. Men vi skal ta igjen for mange tapte år. år. Det er fortsatt lett å tegne et dystert bilde av forholdene for jernbanen, og det er lett å være enig i at styrkingen av jernbanen ikke er tilstrekkelig. Jeg vil si at SVs store seier ikke bare er at bevilgningene har gått opp, men at jernbanen er kommet på den politiske agendaen. Nå snakker til og med Høyre om jernbane. jernbane. Det skyldes selvfølgelig et massivt press fra pendlere, organisasjonsliv, samfunnsliv, miljøbevegelse, LO, NHO osv. – et massivt utenomparlamentarisk press for å styrke jernbaneutbyggingen, og det er bra. Vi bygger i dag lyntog i mitt fylke, Vestfold. Strekningen Holm–Nykirke bygges for 250 km/t. er første ledd i en framtidig sørvestbane fra Oslo til Stavanger som skal nå Stavanger på tre timer, en jernbanestrekning som vil nå over halve Norges befolkning. Når resten av intercitytriangelet skal bygges ut, kan det være strekninger der det er vanskelig, som det er sagt av flere, å bygge for 250 km/t, men regelen må selvfølgelig være det som Stortinget har forutsatt: forutsatt: det skal være 250 km/t som er basis. Det ville være fryktelig dumt ikke å bygge for 250 km/t, og senere angre seg. Klimaforliket slår fast at regjeringa i NTP skal legge fram en sluttdato for ferdigstilling av hele intercityutbyggingen, og det forutsetter jeg kommer. Det står til og med en rask ferdigstilling. Etter min mening må det bety at utbyggingen skal skje sammenhengende. Det dreier seg om valget: jernbane eller køkaos? Omstillingen av samferdselen i sentrale strøk er også vesentlig for å oppnå klimaforlikets mål om kutt i utslipp. Det er ikke nok å skape en smidigere samferdsel ved at togene får større hastighet og kapasitet – nei, vi må også vri transport fra vei til jernbane og annen kollektivtrafikk. Lyntogsatsingen har som formål å vri transport fra Det er passasjergrunnlag nok. Daglig går det 30 fly fra Stavanger til Oslo – transport som kan flyttes til jernbane. Det er viktig å framholde dette klimapolitiske målet, fordi jeg opplever at noen nå først og fremst snakker om å utvide pendlerregioner og tilrettelegge for lengre arbeidsreiser, dvs. at de er opptatt av å øke transportarbeidet. Hvis det er det eneste som skjer, har vi mislyktes. Vi har prognoser som viser at over halvparten av den nye trafikken som genereres ved nye dobbeltspor, kan komme fra folk som bruker bilen i dag. Men det betinger at vi fastholder og styrker en restriktiv politikk på bilbruk i sentrale byområder. Representanten Schou spekulerte på om det er i gang en kamp mellom vei og jernbane. Ja, det er klart det er en kamp mellom vei og jernbane. jernbane. Det er viktig at vi sørger for å prioritere jernbane i de sentrale strøk her i landet. Og det er viktig at vi får slutt på den diskrimineringen av jernbanen som eksisterer i dag, der vei- og flytrafikk bygges med løpende inntekter, mens jernbanen ikke får slike løpende inntekter. Det regner jeg med

på havnesiden og på flysiden – det er langt fra riktig. Jeg har lyst til å si innledningsvis at når det gjelder gods, er det mye igjen som vi må gjøre. Vi har noen utfordringer. Paradokset er at gode veier fører til økt trailertrafikk, og at økt konkurranse fra lavkostland gir en konkurransevridning mot mer veitransport, og med vogntog som ikke har tilstrekkelig utrustning for å kunne komme seg fram på det veinettet som etter hvert begynner å bli bra – det er et paradoks. Det er mer som må på plass enn bare økte bevilgninger, vi må nok ta noen flere grep enn som så. Jeg er derfor veldig glad for at man skal ha på plass en bred samfunnsanalyse av godstransport som et grunnlag for NTP, før den videre satsingen for å få

Jernbaneterminalene er viktige for godshåndtering, og de må effektiviseres, noe som også har vært omtalt tidligere i denne sal. Intercity er viktig for effektivt å flytte folk i Stor-Oslo-regionen, og den utbyggingen er vi godt i gang med. Jernbanen har fått en ny tid, noe regjeringspartiene samlet har stått bak for å få til. Man ser at punktligheten begynner å bli bra, og vedlikehold og oppgradering har hatt høyt fokus. fokus. Det er interessant at Høyre kritiserer regjeringen for ikke å ha høye nok ambisjoner for dette. Så vidt jeg husker fra statsbudsjettbehandlingen som var, kom det på plass en heis, riktig nok, men det var med kutt i vedlikeholdet på jernbanen. Det stemmer ikke helt overens med å ha høye ambisjoner for vedlikehold. En sterk og mangeårig innsats for drift og vedlikehold av jernbanenettet gir klare resultater. Etter ti år med forsømmelse – eller tiårige forsømmelser vil jeg tiårige forsømmelser vil jeg rette det til – av vedlikeholdet av norsk jernbane, lå den nærmest med brukket rygg da vi overtok for snart åtte år siden. Det har vi gjort noe med. Siden da er bevilgningene til jernbaneverket doblet og tredoblet, og vi skal utvikle det videre. Utviklingen er snudd: Togene er tilnærmet i rute, flere tar toget, stadig flere kunder er fornøyd med NSB – det er gode nyheter. Kollektivtransport, sykling og gange er åpenbart de beste løsningene i byene, mens vei, fly og ferjer vil være hovedløsningen utover i landet. Vi må tenke flere tanker samtidig. Jernbanen er og vil være viktig i og rundt de store byene for å frakte folk til og fra jobb. Samtidig skal den ivareta en flerbruksfunksjon ved å frakte gods Kortere planleggingstid er noe vi alle er opptatt av, og det er igangsatt et arbeid som jeg har store forventninger til at vi skal få se en ny modell for når vi kommer til Nasjonal transportplan. Som sagt: Mye er gjort, og enda mer skal på plass. Senterpartiet er opptatt av at vi skal klare å få en satsing som skal komme hele landet til gode i form av økte gode, kollektive løsninger i by, men også en satsing som ivaretar den verdiskapingen og veksten som vi ønsker i hele

triangelet som oftest blir omtalt som indrefileten i det norske jernbanenettet fordi 80 pst. av reisene med NSB skjer nettopp i dette området. Nå er oppgradering og nybygging langs disse linjene i gang, men det går sakte. Én årsak til det er selvsagt prisen. Utbygging av jernbane er svært kostbart, og de nye dobbeltsporene i intercitytriangelet må konkurrere med andre gode jernbaneformål – som vi har hørt i debatten her i dag. Interpellanten spør hvordan og når regjeringen vil sikre dobbeltspor i nevnte område. Venstre vil gjerne bidra med tanker og ideer, for i Venstres alternative budsjett foreslår vi å gjøre intercityutbyggingen til et eget selskap – InterCity AS. Dette selskapet skal ta over ansvaret for utbyggingen av intercityprosjektet fra Jernbaneverket og gjennomføre planlegging og utbygging av strekningene. På den måten mener vi at et nytt og sammenhengende dobbeltspor kan InterCity AS skal få 3 mrd. kr i egenkapital og en driftspost på statsbudsjettet på 100 mill. kr. Venstre vil i tillegg la selskapet ha mulighet til å ta opp lån eller utstede statsgaranterte obligasjoner. På den måten mener vi at norske livselskaper, som i dag investerer store summer i utlandet, kan få et norsk alternativ for en langsiktig, trygg plassering av penger. Obligasjonsmodellen betyr at utbygging og oppgradering av jernbanen blir organisert som et eget investeringsprosjekt. I stedet for at staten betaler alt selv, låner man deler av eller hele summen fra enkeltpersoner, bedrifter, livselskap, investorer og pensjonskasser. Obligasjonene er da selvsagt statsgaranterte. Slik utnytter man investeringsviljen hos folk, virksomheter og næringsliv. Ikke minst livselskapene etterspør denne typen langsiktige, trygge plasseringer. Penger som allerede er i markedet, blir slik kanalisert til fellesskapsprosjektet intercitytriangelet uten at presset på økonomien øker for mye. Venstre har foreslått dette mange ganger her i Stortinget – uten det helt store gjennomslaget. Dersom samferdselsministeren rekker det i sin oppsummering, kunne det vært interessant å høre hennes refleksjoner rundt dette forslaget. Så helt til slutt, til representanten Egeland, som svinger seg til de store høyder og skryter av eget parti. da Venstre hadde flertall på Stortinget. Så et stort Venstre vil helt klart være garantisten for mer fokus på jernbane – der har vi historien i ryggen! Det har vært mye snakk om Høyres jernbaneseminar i forrige uke. Jeg synes det er
på Øyvind Halleraker.

Man ville fått høre om en kraftig satsing på jernbane, en prioritering av jernbane, en tredobling av investeringer, man ville hørt om intercityutbyggingen som allerede er startet, viktige jernbaneprosjekter som har vært framkjempet over tiår, som Eidangerparsellen, og som fikk bl.a. Bård Hoksrud til å juble da budsjettet ble lagt fram. Man ville fått høre at punktligheten har gått opp, og man ville fått høre om de store organisatoriske grepene som er gjennomført i Jernbaneverket under denne regjeringen, og som fører til både raskere og mer effektiv planlegging og ikke minst utbygging. Det har vært en ganske sær opplevelse å følge samferdselsdebatten som har pågått i snart fire timer i dag, og det har vært spesielt å bivåne den uenigheten mellom Fremskrittspartiet og Høyre som har utspilt Dette omfatter ikke bare satsing på vei, men også på bane. Det er uenighet mellom de to partiene om hastighet. Mens Ingjerd Schou er kritisk til statsrådens uttalelser om at vi i neste NTP-periode vil prioritere intercity og ikke høyhastighetstog, jubler Fremskrittspartiet og Bård Hoksrud over den samme politikken. Det er uenighet mellom Fremskrittspartiet og Høyre om organisering og graden av privatisering og konkurranseutsetting av jernbane. Det er uenighet om finansiering: Mens Høyre kutter i vedlikeholdsbudsjettet og plusser på en heis, vil Fremskrittspartiet ha et eget investeringsfond for jernbane, noe Høyre mener er helt uansvarlig. Og det er uenighet om veibygging: nå fører et korstog for firefeltsveier – jeg synes det er interessant at man sier over hele landet, jeg har så langt ikke registrert det lengst nord i landet – kritiserer de samtidig Høyre for å være for passive. Hadde Fremskrittspartiet fått gjennomslag for sin politikk, ville det utvilsomt gått kraftig ut over jernbanen. Det er – og det har denne debatten demonstrert en stor avstand mellom Fremskrittspartiet og Høyre, og jeg skjønner godt opposisjonspartienes uvilje mot å avklare grunnlaget for et eventuelt regjeringssamarbeid før valget. Blir det firefeltsvei over hele landet? Er det intercity som er det viktigste nasjonale prosjektet? Det er i hvert fall umulig etter dagens debatt for velgerne å forutsi hvordan en blå-blå samferdselspolitikk vil bli. Jeg syntes det var interessant å se at Fremskrittspartiet var så bekymret for lønnsomheten i intercityprosjektene da de sammen med Høyre gikk ut og kritiserte TØI-prosjektet slik de gjorde. Jeg er for øvrig helt enig med representanten Kjernli i at det er veldig spesielt og egentlig ganske foruroligende å se at to partier som tar mål av seg til å sitte i regjering, ikke er mer interessert i å få et bredest mulig kunnskapsgrunnlag for et så viktig vedtak som

innlegg med å stille et spørsmål til Fremskrittspartiet: Når Fremskrittspartiet nå er så bekymret over TØIs lønnsomhetsanalyser og varmt omfavner Vista og Jernbaneverkets lønnsomhetsanalyser, betyr det at partiet også har snudd i på køprising? Igjen har vi fått høre: Sist Høyre satt i regjering, skjedde det lite og ingenting. Jeg har lyst til å minne både statsråden og andre om at sist Senterpartiet satt i regjering, skjedde det enda mindre. det faktisk mindre enn da Høyre satt i regjering sist. Ikke ett forslag hadde vi i budsjettet, blir det sagt. Da må jeg få lov til å friske litt på hukommelsen. Vi foreslo et av de prosjektene som er helt gryteklare, og som det er helt uforståelig ikke er fremmet allerede, nemlig Ulrikstunnelen i Bergen som et eget OPS-prosjekt, og la inn 50 mill. kr til planlegging av det. I tillegg har vi 50 mrd. kr i et vedlikeholdsfond, med 2,5 pst. til vedlikeholdsformål – vi bare minner om det igjen. Regjeringen satser på jernbane. Jeg har lyst til å gi det anerkjennelse – jeg syns det er bra. Det har vi i dette huset vært enige om. I hele forrige periode dannet det seg nærmest et jernbaneforlik, at vi skulle satse på jernbane i Norge framover. Vi ba sågar om å få en utredning om hvordan vi kan bygge en moderne jernbane i Norge. Det var alle enige om, bortsett fra Fremskrittspartiet. Det er dette som er styringsdokumentet framover. Der ligger også kravet om 250 km dimensjonerende hastighet, ikke fordi det skal kjøres i 250 km/t på alle intercitystrekninger hvor det er tett mellom stasjonene, men fordi det på sikt forhåpentligvis også vil komme langdistansetog som skal bruke det samme nettet. Det er hensiktsmessig at de kan holde en slik hastighet – for å ivareta kravet til et høyhastighetstog. Allerede i dag ser vi store framkommelighetsproblemer når det

opp. En av grunnene er at vi bruker altfor lang tid på å planlegge. Her har jeg lyst til å gi den forrige samferdselsministeren anerkjennelse. Hun tok initiativ til å få ned planleggingstiden, se på hva vi kunne gjøre med den. Vi var fra vår side veldig tydelige på at det er mulig å komme ned på halvparten av det vi har i dag, nemlig gjennomsnittlig fem års planleggingstid. Det bør være et mål vi alle bør streve for å nå. Så snakker vi om Oslo-området – fortetning, infarkt osv. Men det er faktisk ikke bare Oslo-området – det er også Bergens-området, det er Trondheims-området, og det er Stavanger-området. Det er bare ikke kommet så langt at det er blitt så tydelig ennå. Ser vi de demografiske endringsstrukturene som er på gang, vil det også komme der – i stort monn. Derfor gjelder det å handle før vi kommer i et uføre. Vi har sagt at det er et mål for oss å ha hele intercitystrekningen utbygd innen 2030. Det mener vi er et realistisk og godt mål, men vi er nødt til å organisere oss helt annerledes hvis vi skal få det til. Det vil jeg også være veldig tydelig på. Det savner jeg Det savner jeg litt fra denne regjeringen. De har altså en Soria Moria-erklæring hvor de åpner for prosjektfinansiering – veldig bra – men det skjer ingenting. Vi har ikke fått noe som minner om prosjektfinansieringsmetoder eller prosjektorganiseringsmetoder, til tross for at de beste prosjektutviklerne i Norge står på seminar etter seminar – hvor jeg er helt sikker på at også regjeringspartienes medlemmer er til stede og sier at dette er løsningen, vi greier å få det til. Vi tror på dette. Vi kommer til å gå inn for slike modeller. Vi vil ha et eget selskap for å ivareta hele intercityutbyggingen. Vi tror også at for å få dette til, må vi organisere Jernbaneverket som forvaltningsetat annerledes. I dag er det preget av årlige budsjetter, langtekkelig planlegging og klattvis utbygging. utbygging. Dette forsinker. Det er fristende å sitere Jernbaneverkets mann på vårt seminar igjen: Vi har bygget for sakte og for dyrt. Det sier altså Jernbaneverket. Høyre vil ha nye ideer for å få fart på

Også jeg skal referere til sist Høyre var i regjering – jeg skal ikke referere til hva de ikke gjorde, men til hva som ble gjort. Statens vegvesens drifts- og vedlikeholdsavdeling ble skilt ut som et eget AS, og drift- og vedlikehold av vegene ble satt ut på anbud. Resultatet ble at prisene steg kraftig, og kvaliteten ble dårligere. Med andre ord: Moderne løsninger trenger ikke å være Også innafor Jernbaneverket startet man lignende prosesser med konkurranseutsetting. Her ble resultatet at vi mistet kritisk kompetanse. Det problemet sliter vi faktisk med ennå. Heller ikke her har Høyres moderne løsninger blitt billigere – og helt sikkert ikke bedre. Svaret på hva som er moderne med at private skal lånefinansiere statlige investeringer, som Høyre vil i sin bedre. Svaret på hva som er moderne med at private skal lånefinansiere statlige investeringer, som Høyre vil i sin OPS-modell, forstår ikke jeg. Høyre vil selskapsorganisere Statens vegvesen og Jernbaneverket og gi disse større frihet innafor overordnede politiske rammer. De vil i større grad fjerne fra politisk styring disse viktige aktørene innafor samfunnssektoren. Da bør i Det vil ikke bli mange samferdselsprosjekter i distriktene hvis prioriteringene i større grad skal bort fra politikken. Dette gjelder både veg og bane. Når interpellanten i tillegg sier at hun vil prioritere intercityutbygging foran andre samferdselsprosjekter, må jeg bare innrømme at da – for meg som kommer fra Distrikts-Norge – er alle varsellampene på. Men det kan kanskje ha sammenheng med at Høyre vil bompengefinansiere utbygginga av en bompengefinansiere utbygginga av en fergefri E39. Intercityutbygging på Østlandet er et viktig prosjekt, men det er viktig å gjøre oppmerksom på at det finnes viktige prosjekter også andre steder i landet. For oss i Trøndelag er Trønderbanen vår variant av intercitytog og viktig for oss. For folk i området Bergen–Voss er prosjekt. Jeg hørte representanten Schou si at intercityutbygging er et nasjonalt prosjekt. Betyr det at representanten Schou ikke mener at andre samferdselsprosjekter i Nasjonal transportplan er nasjonale prosjekter? Det er et spørsmål som det kan være interessant å få svar på. At representanter fra Jernbaneverket siteres på at man har bygd lite, og man har bygd dyrt, er ikke noe rart. Selvfølgelig har man det, for jernbanebudsjettene har vært for små jernbanen har vært sulteforet. Vi vet alle at det bestandig har vært dyrt å være fattig. At det ble dyrt, og at man fikk bygd lite, har sammenheng med at budsjettene var små. Nå er budsjettene økt, og resultatene vil bli helt annerledes. Man trenger altså ikke Høyres «moderne» metoder for at man skal få fart på samferdselsutbyggingen – jernbane og veg – i Norge. Nei takk, det vil vi ikke ha.

debatten overrasket – eller i hvert fall skuffet – meg lite grann. Jeg trodde vi i denne sal var enige om at vi vil tog. Vi vil satse på jernbaneutbygging. Vi vil få til noe som f.eks. vi her i hovedstadsregionen, Østlandet, kan si er i henhold til målene i den vedtatte felles areal- og transportstrategien for Osloregionen: «en konkurransedyktig og bærekraftig» hovedstadsregion med et miljøvennlig transportsystem som «på en rasjonell måte» knytter «den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet». Det synes jeg vi skulle ha fokusert enda litt mer på. Det må være lov å ta opp ting knyttet til hele denne store debatten når man synes ting går for sakte, eller det ser ut som ting sporer av. Debatten er stor, og det handler mer om hva vi virkelig vil få til for nasjonens samferdselsutfordringer enn den blå-blå regjeringserklæringen, selv om den har vært et viktig tema her i dag. Det handler om klimapolitiske mål og CO2, det handler om støy og folkehelse i regionene, det handler om hovedstadsregionen som en bolig- og arbeidsregion som vokser kraftig, det handler om pendlerreiser, det handler om sterk vekst i antall innbyggere det handler om en godsøkning på over 300 pst. i årene som kommer. Jeg må få lov til også å komme med et lite hjertesukk. Det handler om en historie, en planleggingshistorie, som begynner å bli vanvittig lang. Da jeg tiltrådte som ordfører i Oppegård kommune, hadde jeg mitt første bekjentskap med dette. Vi laget en kommunedelplan for ny dobbeltsporparsell gjennom Oppegård – det vi nå omtaler som Follobanen – som ble godkjent og vedtatt i kommunestyret den 27. november i 1996. Jeg skal snart begynne å lage små markeringer på kontoret mitt, tror jeg, for åremålene. Det er grunn til å minne om, akkurat når jeg står her, president, at den daværende rådmannen i Oppegård kommune var med til et planleggingsmøte i Bane Øst da vi skulle snakke om dette. Vi skulle ta toget fra Oppegård og inn til Oslo for å gå i dette planleggingsmøtet for det nye dobbeltsporet, og toget kom ikke. Toget kom ikke, det var 20 minutter forsinket. For å rekke møtet måtte den daværende rådmannen og ordføreren i Oppegård ta taxi. Da vi kom til jernbaneregionen, ble vi møtt med et hyggelig og hjertelig velkommen, og de håpet vi hadde tatt toget inn til Det var en stor opplevelse. Det har kommet videre utredninger. Det kom rapport om de tre traseene gjennom Kolbotn når det gjelder Follobanen i 2006, Jernbaneverkets vedtak om konseptvalg for Follobanen kom i 2009, Norconsult har vært engasjert til å utarbeide om de tre traseene gjennom Kolbotn når det gjelder Follobanen i 2006, Jernbaneverkets vedtak om konseptvalg for Follobanen kom i 2009, Norconsult har vært engasjert til å utarbeide konseptskisser, som forelå i 2012, og det har vært konsekvensutredninger og andre oppgaver som venter. Befolkningen lurer jo på hvor det nå blir av dette her, hva som skjer og hvorfor det ikke skjer. Det må være legitimt å ta opp debatter av denne hjertet, er den fremtidige bruken av den eksisterende Østfoldbanen i lys av ny Follobane. Slik det ser ut nå, hvis man ikke legger til rette for Bryndiagonalen, vil all veksten i transport- og godstrafikken gå på de eksisterende togskinnene. Mellom Ski og Oslo er det tolv stasjoner. De fleste av disse stasjonene er befolkningens primære kollektivtilbud. Allerede i dag bor det flere tusen mennesker i støysonen, og spesielt i Oppegård er det lagt til rette for fortetting langs jernbanen, som vi har blitt bedt om. Da planlegger man altså for at godstrafikken, kan komme i konflikt med den nye folkehelselovgivningen ved å gå gjennom tettbebygde områder. Det har jeg ikke sett noen aktiv holdning til, og de spørsmålene undrer vi også på hvordan det skal gå med. Presidenten kan i egenskap av tidligere rådmann i Oppegård kommune bekrefte den fremstilling som representanten Sylvi Graham nå ga, i egenskap av tidligere ordfører i samme kommune. Jeg ser at flere av innleggene her går

sier det er urimelig å kreve en tidfesting av ferdigstilt intercity. Jeg kan jo minne om at regjeringen hadde muligheten i klimaforhandlingene, fordi der foreslo opposisjonen 2025, men regjeringen nektet i det hele tatt å ville være med på en datofesting. Jeg trenger ikke å polemisere om at de store investerte pengene som regjeringen skryter av, ikke gir resultater, det holder å henvise til Riksrevisjonens rapport om det samme: storstilt bruk av penger uten at det har gitt resultater. Det taler for seg. Follobanen: 9 mrd. kr, 23 mrd. kr, kanskje 30 mrd. kr – det kalles ute av kontroll. Etter seks år er det fortsatt planlegging og ingen spade i jorden. Statsråden snakker om en ny vår. Ja, ny ruteplan for 2012 var forsinket og kom nå. stengt to somre. Ingen kan riktig forklare hvorfor det ikke skjer bedringer. Representanten Halleraker har også gitt en anvisning til statsråden om hvordan budsjettet kan leses, fordi det finnes flere ting der enn å harselere over en heis. Høyre ønsker moderne og nye løsninger. Vi ønsker nye finansieringsordninger. Regjeringen ønsker det ikke – det vil si man snakker om det, men det blir ikke noe av det. Vi ønsker en helhetlig planlegging og andre grep. Rapporten ligger i regjeringen, men initiativene og tiltakene mangler, og regjeringen vil ikke. Vi ønsker modernisering av etatene. Vi synes de er i god takt, men vi ønsker fortsatt en modernisering og en annen type organisering – det er godt kjent for regjeringen. Regjeringen ønsker det ikke. Vi ønsker å vurdere også utbyggingsselskap for vei og jernbane. Regjeringen glimrer så langt med sitt fravær når det gjelder initiativ i saken. Det går altså an å bruke pengene billigere. På 14 km ny jernbane i Vestfold hadde man sju rigger. Maskinentreprenørene er de første til å si at sånn bruker man altså fellesskapets midler – dyrt. Det går an å gjøre dette annerledes. Det er dyrt når man skal rigge opp én rigg for

Jeg har sagt at det kommer vi tilbake til i den naturlige sammenheng det bør diskuteres, nemlig ved framleggelsen av Nasjonal transportplan. Det synes jeg er en litt sørgelig side av debatten, og dermed er det også en debatt der det er litt vanskelig å få fram noen nyanser som vi jo alle blir nødt til å forholde oss til. Jeg tror nemlig ikke det er veldig stor uenighet i denne salen om at demografien, byutviklingen, klimaforliket og klimapolitikken kommer til å ha stor betydning for det en som samfunn må satse på jernbane, særlig rundt de store byene. Jeg tror ingen av oss egentlig er uenig i det, men det er noen nyanser vi også må ha rom for i debatten. Den ene er at vi må forholde oss ordentlig til de prosessene som regjering og storting sjøl har satt i gang når det gjelder kvalitetssikring, og ikke komme å si at det er bestillingsverk.

eksplosiviteten når det gjelder befolkningsutvikling i byene, kommer til å ha størst betydning for Indre IC. Alle beregninger viser det. Og det interessante momentet som kom fram gjennom kvalitetssikring, er jo f.eks. spørsmålet om Oslo-tunnelen. Det er klart at dette er et spørsmål vi er nødt til å se på framover, se på om dette også har en betydning knyttet til IC som prosjekt. Så synes jeg det er et godt poeng som er tatt fram her fra enkelte representanter, at det at det har vært krevende å få gods over fra vei til bane. Det finnes mange forklaringer på det – noe av det heter finanskrise, og noe av det heter faktisk også at utenlandske vogntog og bedre veier har ført til at konkurransen fra veiene er hardere enn den har vært tidligere. Så her tror jeg også vi har grunnlag for en litt mer nyansert innfallsvinkel til debatten enn det vi har sett i dag. Så er det mange som har snakket om alternative finanseringsmetoder. Jeg har sagt fra denne talerstolen tidligere at det finnes ingen enkle løsninger knyttet til dette, for hvis du låner, så skal det betales tilbake av staten. Har du OPS-prosjekter, skal de være på statlige budsjetter i 30–40 år framover i tid, og bruker du private investorer, må de enten ha eierskap eller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

Men la meg starte med å si at komiteen fortsatt er enig om at Nødnett er viktig for Norges beredskapsevne. Videre at arbeidet med å få på plass et robust, felles Nødnett basert på moderne teknologi er en viktig satsing på samfunnssikkerhet og styrket beredskap i Norge. Komiteen er også enig i at denne saken har vært til behandling i Stortinget ved flere anledninger, men der stopper vel stort sett enigheten i denne saken vi nå behandler. Derfor bruker jeg resten av dette innlegget til å redegjøre for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiets synspunkter, dvs. behovet for en stortingsmelding nå. Opposisjonen skriver at prosjektet har tatt lengre tid enn forventet, og at kostnadene har blitt høyere. Dette er en kjent sak, som det også ble redegjort for i Prop. 100 S for 2010–2011, men jeg gjentar det: Utfordringene skyldes primært to forhold, en leverandør som ikke skapte resultater etter framdrift i god nok grad, samt en evalueringsstopp, som Stortinget hadde bedt om, etter første byggetrinn, som skapte forlenget prosjekttid. Begge disse forholdene er nå bedret gjennom stortingsvedtaket om videre utbygging i juni 2011 og bytte av leverandør i februar 2012. Utbyggingen er i full gang, de første leveransene er allerede tatt i bruk, og det er ikke tilkommet ny informasjon, som f.eks. kostnader eller forsinkelser som tilsier at saken står vesentlig annerledes i dag enn våren 2011. Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti mener at regjeringen i liten grad har informert Stortinget om problemer og svake sider ved systemet. Videre kan vi lese i forslagsdokumentet at opposisjonen påpeker at det Videre kan vi lese i forslagsdokumentet at opposisjonen påpeker at det ikke ble gjennomført høringer ved behandlingen av Prop. 100 S for 2010–2011. Til det første: Vi er uenig i at Stortinget har blitt for lite informert, og jeg viser igjen til alle dokumenter som er ramset opp i forslaget og i innstillingen, og til alle debatter som har vært i denne saken. Til kritikken om høringer i forbindelse med behandlingen av Prop. 100 S: Det var ingen i transport- og kommunikasjonskomiteen som ba om eller foreslo høring da den saken var til behandling, og derfor finner jeg det noe underlig at dette blir kritisert nå. Til debatten om dekning inne i bygninger: Dette er ikke en ny problemstilling – jamfør igjen Prop. 100 S Tilbakemeldinger fra brukerne i første utbyggingsområde bekreftet i all hovedsak at Nødnett er bedre enn de gamle systemene. Det er likevel igangsatt konkrete aktiviteter for å vurdere kvaliteten på Nødnetts første byggetrinn, med spesiell fokus på å måle dekning innendørs og eventuelt iverksette korrigerende tiltak, men dette arbeidet påvirker ikke utbyggingen i resten av landet. Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er bekymret for framdriften i prosjektet. Hedmark er nå det fylket hvor utbyggingen foregår for fullt. Den 4. januar besøkte jeg fylkesmannen i Hedmark, der bl.a. utbyggingen av Nødnett var et tema, og de fortalte at prosjektet og utbyggingen går helt etter planen, også i forhold til tidsskjema. Så slik som saken står i dag, forstår jeg ikke helt bekymringen for utbyggingstakten.

hvor det blir gitt en omtale av bl.a. framdriften i utbyggingen av Nødnett, budsjett og måloppnåelse. Opposisjonen viser til at NOU-en bare omtaler Nødnettprosjektet i svært begrenset grad, og det må de jo gjerne mene. Men hvordan de kan vite hva som kommer i meldingen som statsråden viser til, er for meg en gåte. Kanskje det er greit å vente med kritikken til vi ser hva som kommer der, før Med bakgrunn i dette fremmer jeg forslaget til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Da har representanten Tone Merete Sønsterud tatt opp det forslaget hun refererte til. Da starter jeg med å ta opp det som er

å komme tilbake til Stortinget og opplyse om hvordan nødnettet utvikler seg, slik at dette på en rask og god måte kan sikre grunnmuren i det som er tryggheten for folk, og at dette holder vann. Det er skapt usikkerhet om Nødnett. Det er skapt usikkerhet om kostnadene, om frivillige organisasjoners om gårdeiere som kanskje får regningen for dekningsoppfyllelse, om dekningsgraden generelt, om nødnettet er foreldet allerede når det er ferdig og i full drift – og ikke minst at vi taper tid når man har tre års opphold. Man taper tid og kompetanse ved stopp i videreføring av nettutbygging og det hvileskjæret som kom, på tre år. Jeg er også overrasket over at representanten representanten Sønsterud ikke finner noen grunn til bekymring når hovedstadspressen og andre nesten ukentlig har oppslag om de utfordringer som ligger i nødnettet. Jeg har tidligere sagt fra denne talerstolen at nødnettet er dyrt, vanskelig og nødvendig, og jeg mener fortsatt det, men jeg må si at jeg er mer i tvil om det var nødvendig at det skulle bli så dyrt, å de siste oppslagene er i dag, også sammenlignet med andre nordiske land. Det er flere premisser som ligger til grunn for Stortingets enstemmige om utbygging av nødnettet, men det er også grunn til å påpeke at en del av disse premissene faktisk er endret og har skapt usikkerhet. Det gjelder dataoverføring, EKG-overføring og posisjonering som er vanskelig å oppfylle, og at brukerne flere steder opplever store problemer med manglende dekning innendørs. Regjeringen har i liten grad informert Stortinget om problemene og de svakere sidene ved systemet – dette på tross av at det står i vedtaket om utbygging av trinn 1: «Ved landsdekkende utbygging vil nødnettets radiosendere / mottakere dekke om lag 80 % av landets areal og nær 100 % av befolkningen. Det vil bli spesielt god dekning i byer og tettsteder, også innendørs.»

til Nødnettprosjektet. Prosjektet krever også store investeringer av den enkelte bruker i utskiftning av materiell, og dette kommer egentlig i tillegg til de betydelige beløp som har blitt brukt på dette prosjektet siden 2004, da første vedtak om utbygging og kjøp ble gjort.

Nødnettet er svært viktig for å sikre at vi har en sikker, men også god kommunikasjon, både for den enkelte nødetat og nødetatene imellom. Prosjektet har blitt utsatt, og regjeringen har selv kuttet i bevilgningene, fordi utbyggingen har gått saktere enn det som var planlagt. Vi er som sagt tre år forsinket, og prosjektet er vesentlig dyrere enn det som var opprinnelig Det er grunn til å uttrykke bekymring for fremgangen i prosjektet, og om det er mulig å få det ferdig til 2015. Tidligere har vi også hatt en interpellasjon som har gjort at regjeringen har gitt informasjon, og at vi har fått anledning til å diskutere saken. Det er også gledelig og veldig bra at statsråden bekrefter nær 80 pst. dekningsgrad. Men vi i opposisjonen er altså opposisjonen er altså opptatt av at vi skal sikre fremdriften, at forutsetningene skal være der, men også at det hadde vært mulig å gi en statusoppdatering i en stortingsmelding om muligheten for eventuelt å justere – ikke nødvendigvis skifte, men justere – kurs hvis ny teknologi som vi i utgangspunktet ikke kjente,

forutsetningen. Vi vet at de etatene vi her snakker om, i dag møter stadig strengere krav til effektivitet, presisjon og sikkerhet. Derfor er et nytt nødnett helt nødvendig, og det har det også vært bred politisk enighet om. Så har vi hatt en forsinkelse i utbyggingen. Den er blitt dyrere enn forutsatt, som for så vidt også saksordføreren var inne på, og kanskje viktigst av alt: Det kommer ganske sprikende signaler om hvordan nettet faktisk fungerer – eller ikke fungerer – og det kommer fra dem som faktisk bruker nettet. Det er grunn til å minne om hvilke erfaringer man hadde da man fikk stormen «Dagmar». Det var ikke lystelig lesning for dem som nå hyller erfaringene så langt. Når det gjelder det budsjettmessige: I revidert budsjett for 2012 inndro regjeringen, så vidt jeg husker, over 1 mrd. kr til nødnettet. I salderingen av budsjettet for 2012 inndro man Det viser for meg at den budsjettmessige styringen med dette prosjektet må det være mye som halter ved. Dette er en kostnadskrevende utbygging, og jeg kan tenke meg at for en statsråd som sitter på såpass viktige områder, områder som trenger ressurser, må det være interessant å se den kostnadsutviklingen og alle kronene som nå går med til nødnettet, målt mot viktige samfunnsoppgaver som statsråd og regjering har ansvaret for, og som bokstavelig talt roper etter penger – enten det er å få nye biler til politiet eller å sørge for at man kan fylle opp stillinger i enkelte distrikter. Jeg ser likevel tegn til lys. Nå kommer det altså en Det innebærer vel også at regjeringen ser at det er behov for mer informasjon, mer tydeliggjøring av hva dette til syvende og sist blir, enn det som er fremkommet. Det har etter min mening vært en stor svakhet at den informasjonen som er kommet til Stortinget underveis, har vært meget kortfattet og ikke særlig opplysende, enten man snakker om å kutte 1 mrd. kr i bevilgningene eller sier at alt er såre vel. Vi ønsker en samlet fremstilling av nødnettsaken, status for den, og at vi får dette tidsnok til at denne komiteen, som har saken til behandling, kan ha en ordentlig runde på dette før dette storting går fra hverandre. Vi må ha større klarhet for fremdriftsplanen, budsjettet og måloppnåelsen ut fra de kriteriene som dette stortinget har lagt til grunn. Det er ikke tilfredsstillende når en statsråd står her og sier at utbyggingen vil være klar i 2015. Så går det ti minutter, og så kommer det fra etaten selv i salen utenfor her at det spørs om det holder likevel. Da må det være tillatt for opposisjonen å spørre om hva det egentlig er som foregår på dette planet. Senest i går kunne vi lese i Aftenposten at prisen nå er vokst den suksessivt har økt, og jeg tror ingen tør garantere for at det blir sluttsummen, slik saken nå står. Det er interessant når professor Lægreid ved Universitetet i Bergen i Aftenposten i går er inne på at dette er et eksempel på at når flere departementer skal jobbe med en sak, kan det fort oppstå ansvarspulverisering. Desto viktigere er det med tydelig politisk styring. Jeg håper den politiske, tydelige styringen vil vise seg i den stortingsmeldingen som nå er annonsert. Det var noen greier med registreringen der nede, så jeg fikk ikke registrert meg før litt senere. Nødnettsaken er der nede, så jeg fikk ikke registrert meg før litt senere. Nødnettsaken er en kjempeviktig sak. Så sier saksordføreren at det har vært kjent for Stortinget at det blir forsinkelser. Ja, det har det, men det kommer litt pø om pø, og litt tilfeldig får man nyss om at her skjer det noe. Hvis man sier at det ikke har vært mye saker og mye problemer rundt nødnettsaken, ser man i hvert fall noe av det her. Det er ikke tvil om at vi har og har hatt enorme utfordringer rundt dette. Leveransene har tatt lengre tid. Det vet vi, og vi vet at plutselig ville den ene leverandøren ikke ha det lenger, og derfor ble det en ny som skulle begynne å levere. Jeg vet også at det har vært mye diskusjon rundt det. Jeg synes også det spesielle i hele denne saken er i hele denne saken er at det til å begynne med var en statsråd som ikke hadde noe med dette å gjøre, som måtte møte i Stortinget på vegne av den statsråden som hadde ansvaret, fordi vedkommende var inhabil. Jeg tror at det som kom fram fra professoren i Aftenposten i går, med tanke på hvem som har hatt ansvaret her og fulgt opp, definitivt viser at det ikke har vært bra å ha én statsråd som møter her og en annen som egentlig utfører arbeidet i det daglige. Så sier man at nødnettet er blitt bedre enn det gamle nettet. Ja, noen hevder det, men det kommer jeg litt tilbake til. Kostnadene for de forskjellige etatene er blitt enormt mye høyere enn det som var forutsatt i Stortingets vedtak. Det er jo «tigangeren» for brann- og redningsetatene rundt omkring i forhold til hva utgiftene har blitt. Frivillige organisasjoner som bl.a. Røde Kors sier at dette har de ikke råd til å være med på. Det er alvorlig for tryggheten og sikkerheten. Vi så definitivt noen som gjorde en kjempeinnsats 22. juli: Det var Røde Kors, med den innsatsen de ytte ved den krisen. Det har vært utrolig megarask behandling i Stortinget – jeg sier «megarask», for denne saken har bl.a. bare føket gjennom Stortinget på 14 dager, uten at opposisjonen fikk noen som helst mulighet til å få en skikkelig og ordentlig behandling av den. Da ønsker vi faktisk en utsettelse for å få bedre behandling. Det er bare å gå tilbake og se i protokollene, der det står at man ba om bedre tid til å behandle en så viktig sak. Nødetatene sier at de ansatte har fått vært med på prosessen, og viser til evalueringer. Vi hadde et seminar i Fremskrittspartiet hvor vi inviterte nødetatene og andre som hadde meninger rundt det nye nødnettet, til å komme, og i hvert fall mange av dem som satt i førstelinjetjenesten, lurte på hvem som var spurt i denne andre som hadde meninger rundt det nye nødnettet, til å komme, og i hvert fall mange av dem som satt i førstelinjetjenesten, lurte på hvem som var spurt i denne brukermedvirkningen, i denne evalueringen. Det var ingen som hadde opplevd at noen av dem som var ute i førstelinjetjenesten, i hvert fall, hadde blitt forespurt om hvordan det nye nødnettet faktisk fungerte. Noe som var enda merkeligere, var at da vi hadde høring, kom ledelsen i de forskjellige i nødetatene i uniform, mens guttene og jentene i uniform, mens guttene og jentene på gulvet, eller de tillitsvalgte, ikke fikk lov til å møte i uniformen sin på høringen. De hadde fått beskjed av ledelsen i nødetatene at det ikke var ønsket at de skulle komme. De måtte komme helt på egen kjøl, til tross for at de faktisk er tillitsvalgte i nødetatene og burde ha full anledning til å si hvordan de føler at det nye nødnettet fungerer, med alle de utfordringene vi har sett. Jeg opplever at justisministeren nå tar dette på alvor, og det er jeg veldig glad for. Det har vært flere runder i Stortinget nå. Jeg opplever i hvert fall at den nye justisministeren vår tar dette på det dypeste alvor, og også ser på mulige løsninger for hvordan vi skal sørge for å forbedre det nye nødnettet. Det er jeg veldig glad for, for det er kjempeviktig. Jeg er også veldig glad for at det nå sies at det kommer en melding til Stortinget, for vi trenger å diskutere dette. Vi trenger å få mer informasjon til Stortinget: Så dette er jeg veldig glad for. Jeg håper også at statsråden vil komme med noen tilbakemeldinger når det gjelder kostnadsbildet. Jeg vet spesielt at Telemark politidistrikt får en regning på 3–4 mill. kr. Det er altså opp fra 500 000–600 000 kr tidligere. Brann og redningsetaten har, som jeg sa, mange steder en kostnadsvekst på «tigangeren». Når man opplever at man ikke får det man trodde man skulle få, skjønner jeg at det blir stor frustrasjon ute hos dem som er i førstelinjetjenesten. førstelinjetjenesten. Dette handler om å ha det beste verktøyet for de menneskene, kvinner og menn, som skal være ute og redde andre mennesker og verdier. Derfor er dette nødnettet utrolig viktig. Men jeg håper at statsråden kan svare på om disse 4,7 mrd. kr øker til 6 mrd. kr, som man nå sier. Vi vet også utfordringene Statens vegvesen og Jernbaneverket har når det gjelder tunneler og kostnader knyttet til disse. Hvis statsråden kan si noe om det, ville det vært veldig bra. Arbeidet med å få på plass et robust, felles Nødnett basert på moderne teknologi er

Utstyr til nødetatenes kontrollrom leveres, og Direktoratet for nødkommunikasjon opplyser at installasjon av disse følger planen, og at det allerede i 2012 ble tatt i bruk sju nye kontrollrom. Det bygges basestasjoner for fullt i Øst- og Sør-Norge, og radioplanleggingen for hele landet pågår. Basestasjoner og kontrollrom knyttes sammen ved hjelp av et såkalt kjernenett. et såkalt kjernenett. Et kjernenett er i prinsippet store datamaskiner som utgjør hjernen i Nødnett – en slags sentral, med andre ord. Det nåværende kjernenettet er dimensjonert for første utbyggingstrinn, og nå trenger vi et større og sikrere kjernenett som kan betjene hele Norge. Dette nye kjernenettet er installert og under uttesting. Etterpå skal alle basestasjoner fra første byggetrinn og dernest alle til dette kjernenettet. Omkoblingen må skje raskt og tilnærmet risikofritt og med minimalt tjenesteavbrudd. Med tanke på nødetatenes viktige og tidvis livskritiske virke vil en ikke gå over til en ny løsning før dette er testet i tilstrekkelig grad. Jeg nevner dette fordi dette er et teknologisk krevende prosjekt. Omkoblingen var planlagt gjennomført våren 2013. 2013. For at det skal være så liten risiko knyttet til omkoblingen som mulig, må det i planene tas høyde for at omkoblingen flyttes til etter sommerferien. Overflyttingen av brukere planlegges i tett samarbeid med nødetatene, som også har en rekke konkrete aktiviteter knyttet til dette. Tidspunktet for når Nødnett er klart til å tas i bruk i Hedmark, Vest-Oppland og Gudbrandsdalen er derfor forskjøvet til fjerde kvartal 2013. Planene for landsdekkende utbygging innen 2015 er ikke påvirket av dette. Det har kommet tilbakemeldinger fra enkelte brukere om utfordringer med bruk av Nødnett. Særlig gjelder dette dekning innendørs for etater som opererer i Oslo sentrum. Disse tilbakemeldingene tas på alvor, og Direktoratet for nødkommunikasjon har en tett dialog med nødetatene om annet pågår et prosjekt for måling av innendørs dekning i om lag 100 større bygg i det første utbyggingsområdet. Det er igangsatt en kvalitetsgjennomgang av nettet. I tillegg pågår informasjonsaktiviteter for å sikre at kunnskapen om hva Nødnett er, og også hva det ikke er, økes i hele landet. Nødnett-prosjektet er etter min vurdering godt opplyst og også godt forankret i Stortinget. Inneværende år er det gitt omtale av Nødnett og status i saken i Meld. St. 29 for 2011–2012, Samfunnssikkerhet. Det er også omtalt i Prop. 1 S for 2012–2013 og i Prop. 23 S for 2012–2013. Videre er det gitt svar på en rekke skriftlige spørsmål fra representanter og, som tidligere nevnt i dag, også ved behandlingen av interpellasjonen fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou om Nødnett i Stortinget den 13. november i fjor. Jeg vil i meldingen til Stortinget om oppfølgingen av NOU 2012:14, Rapport fra 22. juli-kommisjonen, gi en oppdatert omtale av bl.a. framdriften i utbyggingen, budsjett og måloppnåelse. måloppnåelse. Det er på denne bakgrunn jeg ikke har sett behovet for en egen melding til Stortinget om Nødnett i vårsesjonen i år. Det blir replikkordskifte. Da

å føle når man ser alt som må gjøres i etterkant av at prosjektet skulle vært ferdig? Representanten Hoksrud kjenner nok historien til prosjektet bedre enn denne statsråden, men jeg kjenner til både omfanget av Nødnett-prosjektet og kompleksiteten i det. det. For meg ville det vært en overraskelse om ikke prosjektet hadde møtt tunge utfordringer underveis. Jeg er også glad for at Stortinget har vært med i diskusjonen om disse tunge utfordringene, som både har gitt leverandørbytte og en evalueringsstopp underveis.

inkluderes i sambandet når behovet og den aktuelle situasjonen er der. Hvordan vil statsråden sikre at den kapasiteten blir ivaretatt, og at den blir inkludert i et nødnettsopplegg uten at kostnadene veltes over på frivillige organisasjoner, som dem jeg nevnte? Jeg kan forsikre Stortinget om at de

utfordring. Så skal jeg ikke engang nevne dem som leser overskrifter og ikke mer i denne saken. Men noe som er veldig viktig, som jeg vil spørre om statsråden vil komme tilbake til i meldingen, er driftskostnadene ved Nødnett. Skal de belastes den enkelte bruker, den enkelte etat, kan man påregne store ekstrakostnader? ekstrakostnader? De må antakelig da kutte på andre områder – i ganske stramme budsjetter. Jeg regner ikke med at statsråden kan svare på det her og nå, men jeg spør om det vil bli avklart i meldingen. Først og fremst vil Nødnett gi mulighet for bedre kommunikasjon. Teknologisk legger dette til rette for en type samtaler som redningsetatene våre hittil ikke har nemlig samtaler i gruppe. Så vil ny teknologi også gi et nytt kostnadsbilde, og hvordan det slår ut for brukerne, er vi jo alle opptatt av. Kostnadsmodellen har også vært drøftet i denne sal tidligere. Uten at jeg her og nå kan gå i detalj om dette, er vi selvsagt svært opptatt av å utrede ikke bare kostnadsbildet knyttet til dette, men også de totale kommunikasjonskostnadene som våre etater har, og ikke minst hvordan det avløser andre oppgaver, slik at vi ser nettokostnadsbildet dersom man klarer å effektivisere andre løsninger. Så vi kommer tilbake til dette, og både i den kommende meldingen og i senere dokumenter vil det komme ytterligere detaljering av dette bildet.

finansielle rammen som er nødvendig for at de faktisk kan ta i bruk og bruke utstyret når Nødnett er på plass. I 2004, da Stortinget vedtok utbygging, var prislappen 3,6 mrd. kr. Nå snakker vi altså om en utbygging som antas å være ferdig i 2015, til minst 16 mrd. kr. Det er dessverre gode grunner til å regne med at regningen faktisk blir enda større. Det er grunn til å være bekymret over stor og økende kostnadssprekk. Regjeringen har ansvaret, og regjeringen har også ansvaret for å informere Stortinget om dette. Samtidig som uroen knyttet til endelig prislapp og tilhørende kostnadssprekk øker, er det også stigende uro knyttet til mangler og svakheter ved systemet. Justis- og beredskapsdepartementet har et overordnet styringsdokument for fullføring av utbygging av Nødnett. Det er datert 29. juni 2012. Jeg siterer: «Hensikten med dette styringsdokumentet er å sikre statens interesser og samtidig redusere statens risiko.» Mener statsråden at statens risiko ved dette prosjektet er godt håndtert? Jeg siterer igjen: «Justis- og beredskapsdepartementet skal utøve sin prosjekteierrolle gjennom etatsstyring av Direktoratet for nødkommunikasjon.» Spørsmålet Fremskrittspartiet stiller, er om denne eierrollen aktivt og styrende brukes. Fra styringsdokumentet fremgår under Effektmål: «Nødetatene, Hovedredningssentralen og Redningshelikoptertjenesten skal, i forhold til dagens situasjon, få: Økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell.» I lys av de mange mangler som brukere har varslet om, spør Fremskrittspartiet om dette effektmålet er godt ivaretatt. Styringsdokumentet oppgir under Resultatmål – kvalitet/ytelse: 80% av landarealet og 100% av befolkningen». Fremskrittspartiet spør: Er dette fortsatt målet? Kan vi være sikre på at det blir nådd? Og når blir det eventuelt nådd? La meg til slutt ta opp det som frivillige organisasjoner melder er en bekymring, at de ikke har til å bruke Nødnett. Det går dels på investeringer i utstyr. 20 mill. kr er mange penger for frivillige organisasjoner som får inn sine penger gjennom innsamling og frivillige bidrag. Og 20 mill. kr per år i driftskostnader er også mye penger for dem som har slik finansiering, men samtidig har en så viktig rolle Dette store prosjektet med Nødnett er ikke på plass før alle brukerne har økonomisk anledning til å bruke

Det samme vil jeg også anbefale Kristelig Folkeparti. Les dokumentene for en klargjøring: Representanten Syversen viste også til Aftenposten i går og refererte bl.a. til Lægreid, som der uttalte hvor galt det kan gå når det er flere departementer som har ansvar for en sak. Faktaopplysning: Det er bare ett departement som har ansvar i denne saken, og det er Justis- og beredskapsdepartementet.

som prøver å redde verdier og menneskeliv hver eneste dag, som bruker nødnettet, og som føler at de ikke blir tatt på alvor – av Direktoratet for nødkommunikasjon, av andre oppover i systemene, fordi de ikke lytter til det vanlige folk på grasrota, de som er ute i førstelinjetjenesten, sier. Vi har hatt øvelse på Ila, vi har hatt øvelser andre steder. Vi har hatt nett som har falt ut av en bitteliten snei av en storm. I Akershus falt 40 basestasjoner ut. Det er alvorlig. Det handler om tryggheten og sikkerheten til dem som er ute i førstelinjetjenesten. Og så er det dette med kostnadene. Det er også kjempeviktig. En ting som vi ikke får svar på, tuneller, jernbane og vei. Ingen har egentlig sagt hvem som tar regningen. Så vidt jeg har skjønt i hvert fall, er ikke de kostnadene lagt inn i de 4,7 mrd. kr som vi nå har som kostnadsoverslag på dette prosjektet. Jeg registrerer at statsråden i svaret til meg skriver at kalkylene og kostnadene ligger innenfor rammene. Men det er viktig å vite hvem som Men det er viktig å vite hvem som tar den store regningen. Jeg har hørt tall opp mot 1,7 mrd. kr og kanskje 2 mrd. kr for å få god dekning i tunnelene rundt om i landet. Jeg vet ikke om det stemmer, men det er viktig å få vite hvem som tar den regningen, og om det er tall som er kvalitetssikret. Jeg hadde håpet at statsråden kanskje kunne svart noe mer på det, for det er viktig. Jeg har lyst til å si at når når statsråden svarer litt ullent når jeg spør om dette er et utviklingsprosjekt eller ikke, er det veldig klart fra Stortinget at dette skulle være et nøkkelferdig prosjekt – man skulle vite hva man fikk uten å måtte utvikle en masse på siden. Så langt er det i hvert fall i de tilbakemeldingene jeg får, at det utvikles i stor stil, og vi har ikke fått et nøkkelferdig prosjekt i det nye nødnettet. nødnettet. Som sagt: Det står veldig klart og tydelig at det ikke skulle medføre store økninger i kostnadene for de enkelte etatene, men resultatet er det stikk motsatte. Jeg har vist eksempler på både femgangen og tigangen i kostnadsveksten på kommunikasjonsutstyret til nødetatene. Det er alvorlig fordi det går ut over den andre driften som nødetaten skal drive. Det er

forutsetningene. Det sier meg ganske mye når helsedirektøren, som jeg oppfatter som en meget saklig og edruelig person, før jul finner det helt nødvendig i et leserinnlegg i Aftenposten å melde om sine bekymringer og innsigelser mot det som blir presentert om hvordan nødnettet fungerer. Da er vi på et nivå hvor ikke er så veldig mye man bør tenke, men man skjønner at den kommunikasjonen, det styringsansvaret som man har, ikke har vært utført på en tilfredsstillende måte. Om den svikten ligger i etaten eller i departementet som har styringsdialogen med etaten, er litt vanskelig for oss i Stortinget å vurdere, men ingen skal fortelle meg at helsedirektøren fant det nødvendig å komme med leserbrev i Aftenposten hvis alt var i sin skjønneste

tilbake, som selvsagt ble tatt tak i i dialog med brukerne, og som også etter det jeg har fått opplyst, er løst. Når det gjaldt stormen Dagmar, avdekket den svakhet i våre kommunikasjonssystemer, ikke nødvendigvis i nødnettet, men den illustrerte hvor viktige det er med back up-kapasitet, noe som det er tatt tak i. Når det gjelder dekning innendørs, var aldri dette prosjektet ment å skulle dekke alle mulige innendørs arealer, det gjør det heller ikke i våre naboland og vil heller ikke være tilfellet når man er ferdig med dette prosjektet. Men man jobber med en forbedret innendørs dekning på bakgrunn av – igjen – dialog med brukerne. Her er det også selvsagt mulig å bruke mobile løsninger i akutte Når det gjelder tunneler, har det også vært diskutert her før. I samarbeid med Vegdirektoratet har det vært diskutert både hvilke tunneler, hvor lange de skal være og hvor stor trafikk de skal ha for automatisk å gå med i gjeldende nødnettprosjekt. Og så er det en dialog med Samferdselsdepartementet om hvordan man skal håndtere jernbane. Jeg opplever at dette prosjektet nå utvikler seg, slik det var planlagt i trinn 2, dynamisk for å sikre at vi fanger opp og leverer på de målene Stortinget har satt, og at vi gjør det på en mer fleksibel måte enn hva man gjorde i det første byggetrinnet, som derfor tok lengre tid enn nødvendig og kanskje også ble dyrere. Bare for å understreke det til slutt: Vi holder det målet som er satt for dekning når det gjelder både landområder og befolkningen. Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 7. Det er ikke uvanlig verken i

at noe av hensikten med å løfte saken er å vise at det er forskjell mellom partier og blokker i Stortinget. Det er ikke hensikten i dag, jeg vil heller si tvert imot. Bakgrunnen for at jeg har levert denne interpellasjonen er ønsket om å få en debatt som kan skape grunnlag for en felles forståelse og forventning til begrepet «folkekirke». Dette gjør jeg naturlig nok fordi jeg har opplevd at begrepet brukes veldig forskjellig, ofte unyansert og gjerne tatt til inntekt for en forståelse som jeg selv ikke kan se henger sammen med det Høyre har lagt til grunn for begrepet. Et annet poeng er at det kan være naturlig at dette storting også tar en debatt om begrepet «folkekirke». Det er en stund siden stat–kirke-forliket og den debatten som var da. Nå er det som begrep innført i Grunnloven og Det kan være naturlig å begynne med hva jeg selv oppfatter som innholdet i begrepet. Jeg oppfatter at begrepet «folkekirke» er brukt for å gi Den norske kirke en fortsatt plass i samfunnet som en viktig og tilstedeværende institusjon for det norske folk, slik den har vært gjennom lange tider. Samtidig som likebehandlingen av tros- og livssynssamfunn er blitt presisert gjennom endringer i grunnlov og kirkelov, står det fortsatt fast at Den norske kirke har en særstilling i vårt samfunn. Jeg tror jeg har denne oppfatningen felles med de fleste deler av det politiske miljø. Jeg tror også vi har en felles forståelse av og et ønske om at dette betyr at vi mener Kirken skal være til og at de på en spesiell måte skal stille opp med sin kompetanse på medmenneskelighet og sorgbehandling når samfunnet rammes av hendelser som krever ekstra innsats av fellesskapet. Jeg har riktignok oppfattet noen kritiske røster som reagerer på at Kirken kobles så tett på gjennom både nasjonale og kommunale krisehåndteringer, men oppfatter at vi samtidig mener at den erfaring og kompetanse de innehar, er et bidrag vi ikke kan la være å benytte. Det ligger altså en liten utfordring i ønsket om en tilstedeværende folkekirke som stiller opp for folket, og ivaretagelse av og respekten for dem som ikke ønsker å møtes av Kirken i slike utfordrende situasjoner. Jeg tror det finnes mange gode, praktiske ordninger for hvordan dette løses, og har stor tiltro til lokale løsninger på det. Så langt føler jeg altså at det ikke er store utfordringer i en felles Så til det som i større grad har gjort meg bekymret. Jeg har registrert en del uttalelser som etter min oppfatning griper inn i hvordan Kirken skal håndtere saker som knyttes direkte til teologi og lærespørsmål. Jeg hører uttalelser om at Kirken, fordi den skal være en folkekirke, må være raus og tolerant, og ikke skyve bort folk. Ja, det er ikke vanskelig å dele ønsket om en raus, inkluderende og åpen kirke, men dersom vi med dette mener at Kirken skal pakke vekk kontroversielle teologiske spørsmål, eller la være å framholde læremessige synspunkter som noen kan bli provosert av, trekker vi folkekirkebegrepet for langt. Hensikten med de endringer vi har gjort, var jo nettopp at vi som stat ikke lenger skulle styre Kirkens indre liv, og at Kirken skulle drive sin virksomhet i pakt med sin tro og lære uten at staten skulle blande seg inn. Nettopp retten til å drive sin tros- og livssynsorganisasjon ut fra egen overbevisning, og det enkelte menneskes frie rett til religiøsitet, er jo blitt styrket gjennom de lovendringer vi gjorde den 21. juli 2012. Min folkekirke skal være tydelig på hva den står for, og ikke legge skjul på det. Så skal den på dette grunnlaget være både raus, inkluderende og åpen. Jeg håper imidlertid vi i denne debatten kan få slått fast en enighet om at det skal være en avgrensing av folkekirkebegrepet mot teologi og lærespørsmål. Det er positivt for Kirken å få være en kirke for hele folket, men det vil være å gå over grensen dersom vi forventer at alle skal kunne definere seg innenfor. Det var litt om hva jeg mener folkekirken ikke skal være – nå litt tilbake til hva vi mener den kan være. Jeg skal komme tilbake til den fysiske tilstedeværelsen i hele landet, men vil løfte en annen tilstedeværelse som også er viktig. Vi har en lang og god kirketradisjon i landet vårt, og en viktig del av dette er Kirken som den som reiser verdidebattene. Bør ikke det også i framtiden være en viktig oppgave for folkekirken? Hvilke verdier utfordres, hvilke verdier står i fare for å miste sin plass i samfunnet, og hvilke verdier må bringes inn i nye debatter? Jeg håper det er, men er litt mer usikker på om det er, en enighet om at dette er en klar oppgave for folkekirken. Denne oppgaven henger selvsagt også tett sammen med Kirkens oppgave som kulturbærer, og ikke minst Kirken som en del av en større virkelighet, en internasjonal kirke med sitt engasjement langt utover forkynnelse og sakrament. Kirkens engasjement som en del av et velferdstilbud både nasjonalt og internasjonalt har en naturlig plass i en folkekirke. Så tilbake til tilstedeværelse. Vår oppgave som politikere er å legge til rette for at Kirken kan utføre sin oppgave som trossamfunn og folkekirke. På den bakgrunn er det svært viktig å tenke igjennom hva som skal til. Når vi sier at Kirken skal være til stede i hele landet, sier vi også noe som krever både menneskelige og økonomiske ressurser. Det er flott at vi vil det, men det krever at vi følger opp, og at vi gir klare tilbakemeldinger til Kirken om hva vi forventer. Hva betyr tilstedeværelse? Hva med kirkebygg og andre fasiliteter, og hva med hyppighet og bredde i tilbudet? Det er ingen tvil om at vi her har forventninger til Kirken som er omfattende og til dels kostbare. Det er vel også her det kommer tydeligst fram at det er helt andre forventninger til trossamfunnet Den norske kirke enn til de andre tros- og livssynssamfunnene, at folkekirken har en forventning de andre ikke har. Det krever klokskap å forvalte dette på en god måte, både i Kirken og hos oss politikere. Forventningen til folkekirken sammen med lovfestet likebehandling er etter min oppfatning to linjer som er i ferd med å krysse hverandre, og det kan fort oppfattes som kollisjonskurs. Et naturlig spørsmål å stille er derfor om folkekirken, majoritetskirken i majoritetskirken i Norge, likevel skal forskjellsbehandles på visse områder. Forventningene i seg selv er jo en forskjellsbehandling. «Jeg spørger helst, mit kald er ej at svare» – ja, det er fristende å henge seg på Ibsen nå. Jeg tror imidlertid det forventes en smule hentydning til svar også på dette, og jeg drister meg til å lufte en tanke, selv om det ikke er en endelig konklusjon. For ikke lenge siden opplevde tros- og livssynssamfunn at tilskuddet til dem ble endret fordi man endret tellemåten på utenlandske medlemmer av Den norske kirke. Det synes urimelig, og det var svært lite forutsigbart. Kanskje er det tid for å få på plass et mer robust system for beregning av tilskudd til og likebehandling av disse organisasjonene. Kanskje må en se på enkelte oppgaver folkekirken, eller for den saks skyld andre tros- og livssynssamfunn, gjør for samfunnet og gi dem ressurser til det, uten at dette skal være en del av det bidraget vi gir alle, avhengig av medlemstall. Jeg tror i hvert fall det er nødvendig å gå grundig gjennom dette og finne en god løsning på hvordan en kan likebehandle organisasjoner som forskjellsbehandles i forventningene og oppgavene. Til slutt: Jeg vil håpe at dette ikke blir en debatt om økonomi. Når jeg også har løftet den delen av debatten, er det for å vise at vi lovmessig har innført et begrep som utfordrer oss i praktisk oppfølging. Det viktigste har imidlertid vært ønsket om en debatt som kan bekrefte at vi har et felles ønske, en felles forståelse av at vi ønsker en folkekirke som skal være til stede i hele landet, en folkekirke som skal være en del av et tilbud til folket i hverdag og krise, som skal være raus, inkluderende og åpen, men som helt og holdent skal håndtere sitt indre liv og sine lærespørsmål selv, og ha rett til å framholde sine synspunkter med frimodighet. Jeg ønsker også at debatten skal gi Kirken klarhet i hva vi forventer, og at vi vil følge opp forventningene ved å gjøre dem rustet til å fullføre oppgavene. Jeg er spent på debatten videre, håper statsråden gir noen gode avklaringer, og ser fram til en god

Da partiene på Stortinget den 10. april 2008 samlet seg om kirkeforliket, la det et grunnlag for å endre Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen. Begrepet «folkekirke» kom da for første gang inn i Grunnloven. Jeg oppfatter formuleringen i den nye bestemmelsen i Grunnloven § 16 om at «Den norske kirke først og fremst som et uttrykk for Stortingets vilje til kontinuitet på kirkeområdet. Kirkeforliket innebærer at det ble gjort endringer som styrket Den norske kirkes selvstendighet som trossamfunn. Samtidig viste kirkeforliket at det er bred politiske oppslutning om å ta vare på «vor kristne og humanistiske Arv». Og det var enighet om å legge til rette for at Den norske kirke kan være en kirke som det store flertallet av landets befolkning Det er fortsatt grunn til å gå skrittvis fram når det gjelder endringer i Kirkens ordninger. Det berører forhold som stikker dypt hos mange av Kirkens medlemmer. For store og raske endringer kan føre til langsiktige konsekvenser som det er vanskelig å overskue. Derfor er det viktig med kontinuitet. Folk skal ikke oppleve at Hvordan Den norske kirke framstår og forstår seg selv som majoritetskirke i dagens flerkulturelle og multireligiøse samfunn, er et teologisk spørsmål. Det har Kirken, ved sine valgte organer og teologiske læreembeter, et selvstendig ansvar for å utvikle og uttrykke. I respekt for Kirken som trossamfunn vil en statlig kirkepolitikk ikke ha som målsetting å avgjøre dette. Vår oppgave som statlig myndighet er å legge de økonomiske, rettslige og organisatoriske forholdene til rette for at Den norske kirke kan «forblive» Norges folkekirke. I dette ligger en målsetting om at Den skal være tilgjengelig i de enkelte lokalsamfunn, med prestetjeneste- og gudstjenestetilbud og med mulighet for Kirkens medlemmer til å få døpt sine barn og bli konfirmert, viet og gravlagt. Som folkekirke vil Den norske kirke bli møtt med en særskilt forventning om at den skal favne de mange. Den må gi rom for ulike teologiske Det må være plass for ulik grad av religiøst engasjement. Kirken må ha evne til å se mangfold som en berikelse, ikke som en trussel. Den må ha vilje til romslighet og til å favne bredt. Skal kommende generasjoner kunne kjenne tilhørighet til Kirken, må kunnskap om Kirkens tro og verdier formidles til dem. Derfor er trosopplæringsreformen viktig. Den er et folkekirkeprosjekt. Reformens mål om å nå bredden av medlemmene er viktig. Derfor må opplæringstilbudet utformes slik at det kjennes relevant for folk flest. Det er en betydelig utfordring for Den norske kirke å legge til rette for en bredere oppslutning om trosopplæringen enn det Skal Kirken oppleves som nær, relevant og tilgjengelig for de 77 pst. av Norges befolkning som tilhører den, må Kirkens medlemmer få prege, ta ansvar for og treffe avgjørelser om sin kirke. Derfor er også demokratireformen som kirkeforliket forutsatte, et folkekirkeprosjekt. I løpet av vårsesjonen vil regjeringen legge fram forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om valg, slik Stortinget har bedt om. Samtidig arbeider Kirkerådet med å forberede at Kirkemøtet kan fastsette den mer detaljerte valgordningen. Formålet med disse endringene er å ivareta forutsetningene i kirkeforliket. Der het det at det skulle etableres reelle valgmuligheter, at en skulle ha økt bruk av direkte valg, og at kirkevalg skulle finne sted samtidig med offentlige valg. Jeg forventer at Kirken ikke avslutter demokratireformen når valgordningen er vedtatt. Det er en stadig utfordring å utvikle demokratiske strukturer og kulturer med åpenhet og respekt for ulike syn. De historiske forutsetningene og Den norske kirkes særskilte stilling i det norske samfunnet gir grunnlag for en egen finansieringsform og en mer omfattende lovregulering av denne kirken enn av andre tros- og livssynssamfunn. Som majoritetskirke med et stort flertall av befolkningen som medlemmer er det ikke unaturlig at Den norske kirke ivaretar samfunnsoppgaver som f.eks. gravplassforvaltning og varsling av dødsfall på oppdrag fra politiet. har – i likhet med flere tidligere utredningsutvalg – på prinsipielt grunnlag gått inn for at kommunene i stedet skal ha ansvar for gravplassforvaltningen. I tidligere runder har høringene vist stor støtte til fortsatt kirkelig forvaltning av gravplassene, og jeg tror i utgangspunktet at dagens ordning fortsatt fungerer godt. Kirkeforliket legger også til grunn at dagens ordning videreføres. Den norske kirke vil fortsatt spille en viktig, samlende rolle ved høytider og store begivenheter, i sorg som i glede. Det er bredt politisk grunnlag for å videreføre en slik praksis innenfor trosfrihetens ramme. Jeg mener kirkeforliket og de nye bestemmelsene i Grunnloven bekrefter dette. Ved endringene i Grunnloven er det lagt et nytt grunnlag for videre selvstendiggjøring av Den norske kirke. Som nevnt også i budsjettproposisjonen for 2013 må hensynet til kontinuitet fortsatt veie tungt i den videre utviklingen av Kirkens rammeverk og ordninger. Videre endringer bør skje skrittvis og ha bred politisk og kirkelig oppslutning. Kirkerådet arbeider aktivt med å utrede forslag til videre forvaltningsreformer i Jeg mener det er naturlig nå å avvente de forslagene som Kirkens organer vedtar. Departementet har imidlertid tatt initiativ til å evaluere ordningen som ble etablert for lokalkirken ved kirkelovsreformen av 1996. Det er behov for mer kunnskap om hva som i praksis er hovedutfordringene i den lokale kirkeorganiseringen. Organisering, ledelse og virksomheten i det enkelte sogn er det aller viktigste. Det er lokalt at folk møter sin kirke. Det er fremfor alt det som er folkekirken. Jeg vil til slutt få understreke at folkekirkebegrepet naturligvis ikke betyr at det bare er kirkemedlemmene som eller at man må være medlem av Den norske kirke for å være norsk. Det er en avsporing. Den norske kirke har med sine 3,8 millioner medlemmer en særskilt rolle i det norske samfunnet. Den har representert den kristne kulturarven som har preget landet gjennom tusen år. Som en stor majoritetskirke har den et særlig ansvar. Dette utgjør, slik jeg ser det, et saklig grunnlag for at det på visse områder er særskilte rammer og vilkår for Den norske kirke. Slik kan Den norske kirke være Norges folkekirke og medlemmene fortsatt kjenne tilhørighet til denne kirken. Takk til statsråden for svaret og for gjennomgåelsen, som viser at det er mye felles forståelse. Jeg syntes det var godt å få en bekreftelse på mange av de tingene som jeg stilte spørsmål om. Jeg satte spesielt pris på at statsråden gang på gang understreket begrepet «kontinuitet», med tanke på det vi har hatt, og det vi nå har lagt opp til. Det styrker Kirkens posisjon i samfunnet, og det er viktig. Kirken er der og skal være der fortsatt for folket og ha sin sentrale plass blant dem. Det var også godt å høre statsråden minne om hvor viktig det er at trosopplæringen fungerer, og at den må på plass på en slik barn og unge og nye som kommer til landet, et godt grunnlag for å forstå hva Kirken står for, og hva som ligger til grunn for de valgene en tar. Det er riktig at Kirken må fortsette demokratireformen, og det siste som jeg vil påpeke, og som jeg satte pris på i statsrådens svar, var at hun understreket det arbeidet og at det som eventuelt berører Stortinget og departementets arbeid med Kirken, skal en gjøre i dialog med Kirken. Det er viktig at statsråden legger opp til den linjen, slik at Kirkens indre demokrati blir reelt, og er det som kan være med og forme Kirken videre. Så kommer det nok helt sikkert debatter i denne sal som kan bli utfordrende når det gjelder enkeltting i den videre oppfølgingen. Jeg tror ikke den største utfordringen kommer i den saken vi skal ha i vår om valgordningen, men den er det siste skrittet med hensyn til stat–kirke-forliket og den demokratireformen som ble varslet der. Igjen: Takk til statsråden for svaret og for at det var gode presiseringer og mye som ble bekreftet når det gjelder ønsket om en felles forståelse av hva folkekirken skal Jeg får takke representanten Harberg for den gode responsen på innlegget jeg holdt. Det er jo ikke bestandig vi er like enige når vi diskuterer i denne salen, men på noen områder tror jeg det er bra at vi klarer å dra noen lange linjer som vi er enige om. La meg bare få kommentere et par ting, komme med et par refleksjoner, kanskje, når Jeg tror trosopplæringsreformen er veldig viktig for Den norske kirke. Så har jeg lyst til å dele en viss bekymring for trosopplæringsreformen. Når jeg er ute – dog ikke alle steder – ser jeg en trosopplæringsreform som har blitt veldig opplevelsesorientert. Det er bra at vi har gode opplevelser, men det er også viktig at trosopplæringsreformen er en innholdsreform, slik at en lærer om det kristne budskapet og om et kristent ståsted i trosopplæringen. Jeg tror kanskje det er noe å jobbe med der. Så er jeg enig i at vi skal ha en dialog med Kirkens organer om de vedtak som vi skal gjøre her i denne salen. Det tror jeg er fornuftig. Det kommer til å være mulig å finne fram til valgordninger, tror jeg også, som vi skal komme til ganske enige om. Det vil være skrittvise tilnærminger og endringer som skjer nå utover også når det gjelder måten vi organiserer budsjettet på, altså hvilke poster som skal brukes. Det er jo ting som kan komme i en senere omgang. Jeg tror det er viktig at vi ikke lar folkekirkebegrepet bli noe som er opplest og vedtatt en gang for alle. Jeg tror vi også må ha en respekt for at folkekirken kan opptre noe annerledes der det er 95 pst. kirkemedlemmer enn i de delene der majoritetskirken i realiteten er en minoritetskirke. Det gir noen utfordringer, og jeg tror vi kommer til å se at vi får litt forskjellige uttrykk for det som er folkekirken. Så tror jeg også det er viktig at vi alle sammen som kirkemedlemmer tar del i debatter om hva innholdet i den folkekirken skal være lokalt. Det er jo der vi kommer til å se om vi fortsatt kommer til å ha en folkekirke som favner bredt også i tiden framover.

vil starte med å takke representanten Harberg for invitasjonen til å snakke om folkekyrkjeomgrepet. Folkekyrkja er noko eg gjerne er med og snakkar om. Det er, som interpellanten peikar på, ei rekkje ulike meiningar om kva det inneber å vere ei folkekyrkje. Men det er stor politisk einigheit om spørsmålet. Statsråden har på ein framifrå måte trekt fram ulike element om kva som er viktig for folkekyrkja i framtida. Eg har lyst til å ta fram eit par heilt konkrete eksempel frå min heimkommune, der eg har sett og opplevd folkekyrkja si betydning i lokalsamfunnet. Natt til andre juledag i 1998 brann Herøy kyrkje ned til grunnen. Bygda var meir eller mindre i sjokk, og alle vart forferda. Kva no, var det mange som spurde. Men kyrkja tok grep. Allereie på nyttårsaftan vart det invitert til samling i sentrum. Folk tende faklar, og ein stor folkeskare, minst 1 500, gjekk i fakkeltog mot kyrkjeruinane. Her tok soknepresten imot til midnattsmesse. Bøtter med lokk vart sende rundt i folkehavet som ein første start på å samle Eg veit ikkje nøyaktig – men gjevargleda var stor, og det kom inn fleire hundre tusen til ny kyrkje. Nokre år seinare vart Herøy-samfunnet atter råka av ei tragisk hending. Denne gongen på havet. Då «Bourbon Dolphin»-ulykka skjedde i 2007, spelte lokalkyrkja ei heilt avgjerande rolle for dei som sat att. Eit heilt lokalsamfunn var lamma av sorg. Kyrkja vart samlingsstaden og presten var sentral i alt som føregjekk i dagane og vekene etterpå. Begge desse hendingane viste med all tydelegheit kor mykje Kyrkja betyr for enkeltpersonar og for heile lokalsamfunn når det skjer tragiske hendingar. Mange av dykk har kanskje liknande erfaringar og veit godt kva eg snakkar om. Eg synest erfaringane frå Herøy illustrerer noko viktig. For det første seier oppslutninga om Kyrkja i ein slik situasjon noko om kor viktig Kyrkja er for folk når det kjem til stykket. Folk vert forferda når noko slikt skjer når ein minst ventar det. For mange vert Kyrkja symbolet på noko trygt som er der uansett. Kanskje vi ikkje nyttar oss av kyrkja sine tilbod til dagleg, men når det røyner på, veit vi kvar vi kan gå. Kyrkja har omsorg for folket, uansett. Det er noko støtt og stabilt i ei tid i rask endring. For det andre fortel oppslutninga oss om kva slags fellesskap den lokale kyrkjelyden er. Det er folka som utgjer kyrkjelyden, ikkje bygningar. Kyrkjelyden er ein viktig bidragsytar til å skape sterke fellesskap både i bygd og by. Dette synest ikkje alltid i kvardagen, men det synest når noko skjer. Den norske kyrkja har 3,8 millionar medlemer. Sjølv om ikkje alle er like ivrige til å gå på gudstenester, er det enormt mange som er innom kyrkja gjennom veka og nyttar seg av andre tilbod. Kor, aktivitetar for barn og unge, og sjelesorg er berre noko av det ulike kyrkjelydar tilbyr. Det er oppgåver for alle i ein kyrkjelyd, og alle bidrag er viktige. Det vert utført eit formidabelt frivillig arbeid i dei lokale kyrkjelydane. Kva er så folkekyrkja? Kyrkjelydar som bind folk saman som fører folk saman, ved sorg eller i glede. Kyrkjelydar som er til stades der folk er. Kyrkjelydar som har plass til alle og oppgåver til alle. Dette er folkekyrkja på sitt beste! Vi må gjere det vi kan for at kyrkjelydane ute i kommunane skal kunne fortsetje å vere det dei kan aller, aller best, det å vere ei open, raus og inkluderande

For Fremskrittspartiet betyr folkekirke at de som sitter i styrende organer i Kirken, skal være valgt av Kirkens medlemmer, der dette er vedtatt etter kirkeloven. For at dette skal være mulig, må valgordningen gi reelle valgmuligheter. Som en digresjon kan nevnes at den måten kirkevalget var lagt opp til i 2009, er den måten som gir de stemmeberettigede mest makt. Men tydeligvis var det en del misforståelser blant velgerne som medførte at mange stemmer ble forkastet. Derfor skal valgordningen nå behandles og vedtas på ny. For Fremskrittspartiet er det viktig at Kirken får styre seg uten politisk innblanding i ansettelser, liturgi eller andre temaer som Kirken finner viktig. Det kan godt medføre at medlemmer og ikke-medlemmer reagerer negativt og kommer med meninger og kommentarer når det gjelder kirkelige utspill, men det må Kirken tåle på lik linje med andre frie organisasjoner Og de må, på lik linke med dem som målbærer kritikk mot Kirken, også tåle at Kirken er i sin fulle rett til å komme med utspill som faller ulike deler av befolkningen tungt for brystet. En folkekirke må få lov til å stå opp for – og snakke om – sin tolkning av bibelen, og sette innholdet i kontekst med Så får det heller være opp til Kirkens medlemmer å vurdere hvorvidt de fortsatt vil støtte Kirken eller melde seg ut. Dette er noe som Kirken både er klar over og ivaretar i sine avveininger når de kommer med felles uttalelser, vil jeg tro. har historisk sett alltid vært av stor betydning for landets innbyggere. For mange har den også i dag stor betydning, for noen i det daglige, for andre ved spesielle anledninger, slik som representanten Gjelseth viste til. Veldig mange har opplevd Kirkens ansatte, prester og diakoner som gode samtalepartnere, og som en veldig god støtte som gir omsorg og trøst etter tragedier og andre triste hendelser. For Fremskrittspartiet betyr begrepet «folkekirke» også at det skal være tilstrekkelig med kirker tilgjengelig for medlemmer, at Kirken skal ha en særstilling i hele landet, og at Kirken skal sikres økonomisk. Representanten reiser også spørsmål om hvilke oppgaver Kirken skal ha i framtiden. Det oppnevnte Stålsett-utvalget har i den framlagte utredningen om tros- og livssynspolitikk kommet med forslag om framtidig oppgavefordeling for Kirken. Fremskrittspartiet har gjennomgått deler av rapporten, og vi ser at det er flere punkter som partiet ikke vil støtte. Fremskrittspartiet er tydelig på at dagens vigselsrett ikke skal innskrenkes. Vi mener at vigselsretten er både en god tradisjon og ivaretar borgernes valgfrihet på en god måte. Fremskrittspartiet vil heller ikke gå inn for å endre grunnlov eller opplæringslov. Når det gjelder andre punkter i utredningen, regner jeg med det vil bli rikelig anledning til å fremme sitt syn etter at saken har vært på høring hos de ulike aktørene. Avslutningsvis vil jeg holde fram at det er opp til Kirken selv å fylle den med et innhold som gjør at medlemmene mener at den bærer navnet folkekirke med rette. Som statsråden sier, kan trosopplæringen godt fylles med kristent innhold og ikke bare opplevelser. Det støtter jeg fullt ut som medlem av Den norske kirke. Men som politiker kan ikke jeg mene det, for da legger jeg meg opp i det indre selvstyret til Kirken, og det har jeg ingen verdens ting med å gjøre. Hva Kirken vil gjøre for å ivareta barn og unges kjennskap til vår religion, må være opp til Kirken selv. Så det er grøftekanter her som vi kan vil bare sterkt advare her, at vi som politikere legger bånd på oss når det gjelder hva vi ytrer oss om som enkeltpersoner i sånne saker. Som medlemmer av Kirken må det være helt greit, men som politikere skal vi være veldig

Senterpartiet har i hvert fall snakket lenge og varmt om folkekirken. Ja, vi har sågar et eget kapittel i programmet vårt fra 2009 som heter «Folkekirken», og vi har brukt begrepet i flere programmer før det. Det sjekket jeg senest i stad. Så for Senterpartiet er ikke begrepet «folkekirke» noe nytt, sjøl om det ble innført i Grunnloven i fjor. Det er egentlig ikke så rart, tror jeg, for dette har vært et svært viktig prinsipp for oss: en kirke som har både høy dør og vid port. Det vil si at Kirken «skal være åpen, inkluderende og møte enkeltmennesket i sin vesle tro og sin store tvil, være et samlingsmerke ved nasjonale storhendinger eller ulykker, og komme i møte de som ønsker det i deres hverdag og ved milepælene i livet». sitat fra partigrammet, som ble vedtatt i 2009. De som vil inn, skal ønskes velkommen og ikke avkreves en billett i forhold til sitt kjønn, sin legning eller tro. Sånn sett er jeg veldig spent på årets kirkemøte, som bl.a. skal debattere og diskutere vigsling av homofile og mange andre spennende temaer. Senterpartiet sier videre i vårt program at vi vil ha en bred og inkluderende folkekirke. Samtidig sier vi at medlemmene av Kirken må få større innvirkning på Kirken gjennom en demokratisering av de kirkelige organene. Vi sier i programmet at kirkevalgene i 2009 og 2011 vil være avgjørende for hvordan vi vil behandle grunnlovsforslagene i fjor. Dette er fra programmet vårt. Så var det akkurat disse valgene som gjorde hele prosessen med å legitimere kirkeforliket vanskelig for meg. Valgordningen fungerte ikke slik verken Kirken eller vi egentlig ønsket. I forliket står det i klartekst: «Reformen skal inneholde etablering av reelle valgmuligheter, økt bruk av direktevalg og kirkevalg samtidig med offentlige valg.